Selv om skjulte tvangsmidler er lovlige metoder, har bruken av disse ofte vært et omstridt tema. Ingen ønsker et overvåkingssamfunn, og i vårt åpne og frie demokrati skal hele tiden personvern og rettssikkerhet være ivaretatt. Derfor må truslene mot samfunnet og måten vi møter disse på, alltid veies og måles opp mot fundamentale demokratiske verdier.

Det globale trusselbildet blir stadig mer sammensatt og uoversiktlig. Globaliseringen knytter verden tettere sammen, og for Norge og norske interesser vil utviklingen og hendelser langt unna raskt kunne få alvorlige konsekvenser, også her hjemme. En utvikling med mer grenseoverskridende kriminalitet stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg. Konflikter, naturkatastrofer og fattigdom driver mange på flukt. Migrantstrømmene har økt kraftig det siste året – også til Norge. Mennesker i en sårbar situasjon risikerer å bli utnyttet av organiserte kriminelle og i ytterste konsekvens bli ofre for menneskehandel. Økt innvandring kan også øke risikoen for ulike kriminalitetsformer, deriblant hatkriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet og narkotikakriminalitet. Antallet fremmedkrigere som har reist fra Norge, er mangedoblet. I 2009, da Metodekontrollutvalget la fram sin innstilling, hadde PST kjennskap til en håndfull personer som reiste for å slutte seg til ekstreme islamistiske grupperinger i utlandet. I dag er tallet på antatte fremmedkrigere bare til Syria og Irak omtrent 90. Norge har blitt en tydeligere del av fiendebildet blant ekstreme islamister. PST anser det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terror i løpet av inneværende år. I tillegg vurderes trusselen fra høyreekstreme som økende. Den andre drivkraften bak saken vi nå behandler, er den teknologiske utviklingen. Bruken av avansert kryptert kommunikasjon er tilgjengelig for alle. I mange tilfeller foregår krypteringen helt automatisk, f.eks. ved at stadig flere internettaktører, som Facebook, Google og Twitter, krypterer all informasjonsflyt til, fra og mellom sine brukere. I forrige uke innførte NRK her hjemme det samme. Dette er bra. Teknologien har gitt oss innovative løsninger, som på en sikker måte fremmer verdiskaping, handel og nye sosiale omgangsformer. Men samtidig bidrar ny teknologi til å gjøre kriminaliteten mer grenseoverskridende. Kriminelle orienterer seg mot de landene som har de største digitale verdiene. Norske bedrifter utsettes i økende grad for kriminalitet på nett, og mørketallene er store. PST advarer om at i de siste årene har mange etterretningsorganisasjoner vært svært aktive i å uthente informasjon fra norske datasystemer. Kryptering gjør mye av informasjonen som politiet har lovlig tilgang til, utilgjengelig. Det gir politiet betydelig mindre mulighet til å fange opp og forebygge alvorlig kriminalitet enn de hadde bare for noen få år siden. At økt bruk av kryptering skaper utfordringer for politi og etterretning, stadfestes av Lysneutvalget, som ble nedsatt av regjeringen, i utredningen Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Dette bakteppet gjør det nødvendig å forsterke virkemidlene som verner og forsvarer norske borgere og norske interesser. Regjeringens forslag om skjulte tvangsmidler bygger på en balanse hvor hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse må veies opp mot hensynet til personvern og rettssikkerhet. Personvern er en viktig demokratisk verdi, naturligvis. Samtidig må vi forsvare demokratiet mot de kreftene som vil bryte det ned. Privatlivets fred er generelt vernet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, EMK. Betingelsene for myndighetenes inngrep i denne er at formålet med inngrepet faller inn under unntakene som er angitt i EMKs artikkel 8.2. Nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet og kriminalitetsbekjempelse er unntakene som åpner for inngrep i privatlivets fred. Videre stilles det krav om at inngrepet har hjemmel i lov. Endelig må inngrepet anses nødvendig i et demokratisk samfunn. Proposisjonen redegjør nærmere for hver av disse betingelsene. Jeg vil også presisere at flere av Metodekontrollutvalgets forslag er avvist av regjeringen, med henvisning til at de er for inngripende. Forslagene i den foreliggende proposisjonen omhandler en viss utvidelse av adgangen til å bruke dagens tvangsmidler. Eksempelvis åpnes det for kommunikasjonskontroll også i saker som gjelder grov menneskesmugling, menneskehandel, frihetsberøvelse og overgrepsbilder av barn. I tillegg introduseres et nytt tvangsmiddel, nemlig dataavlesning. Det er viktig å presisere at bruk av tvangsmidler skal skje ved mistanke om den mest alvorlige kriminaliteten. Rettssikkerheten ivaretas ved at tvangsmiddelbruken underlegges domstolskontroll, i tillegg til at bruken aldri skal benyttes dersom den ikke er nødvendig for etterforskning eller forebygging. Alminnelige prinsipper om forholdsmessighet og proporsjonalitet gjelder alltid når det er spørsmål om å I tillegg har vi kontrollfunksjoner gjennom Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll og EOS-utvalget, og førstnevnte styrkes kraftig. Komiteen ber regjeringen i sin behandling av denne proposisjonen om å sørge for at Kommunikasjonskontrollutvalget fører oversikt over antall saker hvor tvangsmidler tas i bruk, hva personen har vært mistenkt for, og hvilke skjulte tvangsmidler som har blitt tatt i bruk. De foreslåtte metodene vil måtte innebære at det innhentes en større mengde informasjon enn i dag. Komiteen påpeker derfor behovet for at regjeringen foretar en gjennomgang av regelverket for bruk, oppbevaring og sletting av overskuddsinformasjon. Forslaget om å innføre dataavlesning som skjult tvangsmiddel er trolig det mest kontroversielle i proposisjonen. Jeg er glad for at forslaget som sådant får bred støtte her i Stortinget. Dette verktøyet gjør det mulig, i de alvorligste tilfellene, for politiet og PST å avdekke informasjon som kryptering ellers ville gjort utilgjengelig. Politiets bruk av dataavlesning skal heller ikke skje overfor folk flest, slik noen forsøker å skape inntrykk av. Politiet skal kun overvåke de enkeltpersoner man kan mistenke har begått eller kommer til å begå eksempelvis drap, overgrep mot barn og terror. Jeg vil legge til at jeg er tilfreds med at regjeringen ikke vurderte å forby kryptering. Andre land har vurdert å gå til dette skritt, som etter min mening ville virket mot sin hensikt. Dataavlesning er en inngripende metode, og det er vanskelig å finne den riktige terskelen for når dette skal være tillatt. Flertallet i justiskomiteen har etter en vurdering valgt å heve denne terskelen noe i forhold til proposisjonens forslag. Det innebærer at dataavlesning ikke kan benyttes for å avdekke simpel narkotikaovertredelse, simpelt narkotikaheleri og uaktsomt narkotikaheleri. Regjeringen styrker med dette forslaget kampen mot den alvorligste kriminaliteten, slik som terror, spionasje og spredning av masseødeleggelsesvåpen. Gjennom Stortingets behandling er personvernet ytterligere forsterket. Jeg takker for samarbeidet med komiteen. Jeg regner med at de respektive partier legger fram sine mindretallsforslag.

Derfor støtter vi at politiet skal få tilgang til nye metoder. Samtidig synes vi at dette lovforslaget fra statsråden har vært en svært vanskelig sak. Årsaken er at flere av metodene er svært inngripende. En del av dem har fått lav terskel for når de kan tas i bruk, og kan derfor brukes i saker som vanskelig kan ses på som spesielt Det er også krevende når proposisjonen ikke belyser konsekvensene av den samlede sum av metoder som politiet nå får tilgang til, f.eks. betydningen det har for overskuddsinformasjon eller for journalisters kildevern. Dette er noe av det vi har fremmet selvstendige forslag om i saken. Forslaget om overskuddsinformasjon har vi også fått støtte til fra flertallet i komiteen, og det er vi glade for. I arbeidet med innstillingen har Arbeiderpartiet hatt kontakt med representanter for politiet for å kunne vite mest mulig om deres utfordringer. Vi har også hatt møter med aktører med innsikt i teknologien og dens utfordringer og møtt kritikere av økt bruk av skjulte metoder for å kunne vurdere deres innvendinger. For oss har dette vært helt nødvendig for å kunne konkludere på en god måte i det som har vært en vanskelig sak.

hvorfor dette ble stoppet, eller hva de har tenkt å gjøre annerledes i framtiden. Det svenske forslaget ble stoppet fordi det svenske datatilsynet mente det var i strid med nasjonal lovgivning og Europakonvensjonen. Den 16. mai i år satte den svenske regjeringen i verk en offentlig utredning om dataavlesning. Denne skal avleveres høsten 2017. Der bestiller de en omfattende utredning om alle sider ved innføring av dataavlesning som metode for politiet: hvor inngripende det er, hvor inngripende det samlede antall metoder er, hvordan overskuddsinformasjon skal behandles, kostnader ved bruk, teknologi, programvare, for å nevne noe. Kort sagt – alt det som burde vært fanget opp og belyst i denne proposisjonen. I forbindelse med denne saken fremmer Arbeiderpartiet en rekke selvstendige forslag. Hovedlinjene i våre konklusjoner er at det var nødvendig å heve terskelen for bruk av dataavlesning fra simpel narkotikaforbrytelse, simpelt heleri og uaktsomt heleri til grove narkotikaforbrytelser og grovt heleri. Ellers ville metodebruken blitt disproporsjonal med den kriminelle handlingen. Dette har vi fått støtte for fra flertallet i komiteen, og det er et samarbeid vi har satt pris på. Vi skulle også helst sett at flertallet resonnerte annerledes rundt politiloven § 17 d, som gjelder PSTs adgang til bruk av forebyggende skjulte metoder. Flertallet gir ukritisk adgang til bruk av dataavlesning, som er et ganske inngripende virkemiddel. Dataavlesning som forebyggende skjult metode er svært inngripende, og det har potensial i seg til å utfordre Grunnloven. De støtter seg til sitater fra Riksadvokaten. Men sitatene refererer ikke ikke til politiloven § 17 d eller forebyggende metoder, de refererer til straffeprosessloven § 222 d, om politiets adgang til å bruke skjulte metoder for å avverge en kriminell handling og hvordan begrepet «avvergende» skal forstås. Arbeiderpartiet mener at forebyggende dataavlesning i regi av Politiets sikkerhetstjeneste er en metode som bare bør brukes i de mest alvorlige sakene, som å forebygge terrorhandlinger og terrorforbund, mens Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med Kristelig Folkeparti, vil gi adgang til at det også skal gjelde forebygging av trusler mot myndighetspersoner. Det kan vi se av henvisningen fra politiloven § 17 d til straffeprosessloven § 216 o om dataavlesning og straffeloven § 263. Vi fremmer et selvstendig forslag om og håper at flest mulig partier gir sin støtte til dette og til denne forståelsen av alvoret i Grunnloven § 102. Statsråden har foreslått å øke midlene til kontrollutvalget slik at det juridiske ved dataavlesning og andre skjulte metoder kan ettergås. Det synes vi er bra. Men vi skulle også gjerne sett at det var rutiner på kontroll av programvaren ved Vi fremmer derfor forslag om at det skal utvikles tilsynsrutiner for dette, inkludert for avinstallering. Også på en del andre områder mener vi at lovforslaget går for langt. Det gir f.eks. adgang til å ta i bruk kommunikasjonskontroll for å lokalisere kommunikasjonsanlegg, altså mulighet for å spore personer under konkret mistanke, helt utenom dagens bestemmelser om personnær teknisk sporing

I femte ledd, andre setning står det at kameraovervåking både kan være med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale. Dette ville endret norsk rett på dette feltet dramatisk. Adgang til skjult overvåking av lyd får man gjennom helt andre paragrafer, bl.a. bestemmelsen om romavlytting, som har en høyere terskel. Da statsråden ble spurt om dette i spontanspørretimen i mai, forsvarte han det. Da han fikk spørsmålet på nytt, skriftlig, gikk han tilbake på det. Vi er glade for at flertallet på Stortinget nå går sammen med Arbeiderpartiet om å fjerne ordet «lyd» fra bestemmelsen om skjult kameraovervåking. Avslutningsvis vil jeg si at skjulte metoder er høyst nødvendig for politiet. Det handler om å avdekke, avverge og noen ganger forebygge alvorlige kriminelle handlinger. Det støtter Arbeiderpartiet. Samtidig er dette metoder som krever gode avveininger for rettssikkerhet, personvern og demokrati – isolert til den enkelte metode, men også til summen av metodebruken. På en rekke områder kommer regjeringens forslag til kort. Det er bakgrunnen for våre forslag i denne saken. Da gjenstår det bare for meg å ta opp
Da har representanten Kari Henriksen tatt opp det forslaget hun refererte til.

og enslige potensielle terrorister stadig vekk er et skritt foran politiet og ordensmakten. Slik har det nok alltid vært, men vi må sørge for at de ikke er to skritt foran. Vi har ny teknologi som vårt lovverk rett og slett ikke er tilpasset, så jeg er meget glad for at regjeringen har valgt å følge opp Metodekontrollutvalget, har valgt å følge opp Metodekontrollutvalget, har valgt å ta en del viktige prinsipielle standpunkt og fremmet denne proposisjonen på en god måte. Jeg veldig glad for det arbeidet som saksordføreren har gjort, så jeg har lyst til å takke saksordføreren, for komiteen har også gjort et viktig arbeid. Noen forsøker å framstille det som at det har vært uenighet mellom regjeringen/ justisministeren og komiteen og komiteens flertall. Det er ikke slik jeg opplever det. Tvert imot har vi jobbet sammen for å få på plass gode presiseringer i komiteens innstilling. Alle vet at i lovarbeidet er det faktisk utrolig viktig – proposisjonen, men også de avveiningene, avgrensningene og presiseringene som justiskomiteen har gjort. Vi har jobbet lenge med saken. Dette er ikke dette er altså oppfølgingen av Metodekontrollutvalget fra 2009 – mange år tilbake. Dette er ikke forslag som kommer som lyn fra klar himmel. Dette er forslag som er fulgt opp basert på den NOU-en jeg nevnte, i tillegg til at sjef PST, politiet og andre har vært tydelig over flere år på at vi trenger nye metoder i det arbeidet vi skal gjøre knyttet til å bekjempe organisert kriminalitet, alvorlig kriminalitet og terrorisme. Regjeringen har tvert imot jobbet meget jevnt og trutt med dette og fått på plass gode avklaringer. Komiteen og komiteens flertall har forsterket dette, etter min oppfatning. Vi skal ikke se veldig langt utenfor våre egne grenser før vi ser alvorlige ting som har skjedd i nyere tid. Vi må ikke engang utenfor våre riksgrenser for å ha vært med på å oppleve forferdelige ting. Med det verdensbildet vi nå har, er det viktig at politiet får disse nye metodene, men jeg er veldig glad for de avveiningene og de presiseringene som komiteen har gjort i denne saken, nemlig at dette gjelder alvorlig kriminalitet, ikke kriminalitet nederst på strafferammestatistikken, for å si det slik. Det skal være kontroll både før og etter. dette gjelder alvorlig kriminalitet, ikke kriminalitet nederst på strafferammestatistikken, for å si det slik. Det skal være kontroll både før og etter. Personvern er ikke noe Stortinget tar lett på, ei heller regjeringen. Er det noen som bruker mye tid på å diskutere personvern og avveiningene rundt nye metoder for politiet og personvern, er det nettopp Stortinget, mens jeg opplever faktisk ganske «øredøvende stillhet» ute blant folk flest rundt disse debattene. Mens vi har behandlet denne saken, har jeg ikke fått én henvendelse som mener at vi nå går for langt. Det sier meg noe. Det jeg opplever når jeg er ute og besøker folk, er at folk faktisk tvert imot er veldig opptatt av at politiet må settes i stand til å kunne bekjempe alvorlig kriminalitet. Og så sørger vi for – gjennom god debatt i Stortinget og i vår innstilling – å ta viktige avveininger opp mot personvernet, slik at personvernet fortsatt Derfor har vi også vært helt tydelige på dette i flere forslag som vi fremmer i innstillingen – i tillegg til selve loven – ikke minst II på side 29 i innstillingen: «Stortinget ber regjeringen sikre at Kommunikasjonskontrollutvalget fører oversikt over antall saker med unnlatt underretning, hvilke straffebud personen har vært mistenkt for brudd på, hvilke type skjulte tvangsmidler som er tatt i bruk og begrunnelsen for den unnlatte underretningen, slik at det er mulig å følge utviklingen politisk over tid, og unngå formålsutglidning.» Man gjør altså viktige vedtak her i dag for å få på plass viktig informasjon, slik at man hele tiden kan avveie dette mot personvernet. Jeg er trygg på at det vi gjør i dag, er riktige og viktige skritt. Jeg har registrert at noen har vært veldig opptatt av å framstille dette som at man her ikke har jobbet godt nok med saken. Jeg mener at det vi har gjort, absolutt har vært å jobbe godt med denne saken. Så er jeg glad for at komiteen på veldig mange viktige områder er tilnærmet enstemmig, og det er et tilnærmet enstemmig storting som er villig til å si: Ja, vi må ta i og gi politiet nye metoder og muligheten til å ta i bruk nye metoder og ny Jeg vet selvfølgelig at det finnes partier – i hvert fall ett – som kommer til å stemme mot mesteparten, hvis jeg har forstått debatten riktig. Det jeg stusser over, er hvorfor man ikke da samtidig fremmer forslag om å fjerne de virkemidlene politiet i dag har, for på en rekke av disse områdene er det ingen stor prinsipiell forskjell. Man tillater overvåkning av rom og tillater overvåkning av telefon, mens man

de ikke får et så stort og fritt spillerom at de kan sette ordensmakten sjakk matt. Jeg har også lyst til å påpeke forslag til vedtak III på side 29 i innstillingen: «Stortinget ber regjeringen foreta en evaluering av Kommunikasjonskontrollutvalget 3–5 år etter lovendringen knyttet til skjulte tvangsmidler er trådt i kraft.» Det er viktig at de som skal kontrollere og følge opp dette videre, gjør ting i tråd med lovgivers intensjon, har ressurser og er i satt i stand til å gjøre den jobben vi ber dem om, slik at det er en reell kontroll – både før og etter – med domstolskontroll m.m. Så det er jeg litt opptatt av at regjeringen også følger opp, at vi nå ser på at de som skal kontrollere dette, i det spennet mellom personvern og nye metoder, blir satt i stand til å gjennomføre det arbeidet.

å ta i bruk nye metoder. Jeg mener at det gjøres gode og viktige avgrensninger i proposisjonen fra regjeringen og i innstillingen fra komiteen. Jeg er glad for det meget gode samarbeidet med regjeringen på dette feltet. Fremskrittspartiet stiller seg selvfølgelig bak denne innstillingen. gode samarbeidet med regjeringen på dette feltet. Fremskrittspartiet stiller seg selvfølgelig bak denne innstillingen. La meg først takke saksordføreren og komiteen for godt samarbeid – for det har vært en krevende sak. Saken vi behandler i dag, reiser store prinsipielle spørsmål – om forholdet mellom stat og innbygger, om rettssikkerhet, rettsstat, ytringsfrihet og personvern. Vår fremste oppgave er å sette rammene for et trygt samfunn, et samfunn der barn og unge kan vokse opp uten å være redd for å bli utsatt for noe Dessverre vet vi at det ikke er slik i dag. Men mye går godt i landet vårt. Kriminaliteten har gått ned, noe som er veldig bra, men selv om det er færre saker, har ikke politiet fått mindre å gjøre – snarere tvert imot. Kriminaliteten er blitt mer kompleks, grenseoverskridende og ikke minst grovere. Vi har derfor et ansvar for å vurdere og oppdatere politiets virkemidler, slik at de har mulighet til å gjøre jobben Skjulte tvangsmidler innebærer inngrep i den enkeltes privatliv. Krav til når politiet skal kunne bruke disse virkemidlene, krever derfor grundige vurderinger, der flere hensyn må veies opp mot hverandre. Endringene vi vedtar i dag, er ikke et frislipp av virkemidler for politiet. Det er på langt nær noen masseovervåkning eller fritt fram for politiet til å overvåke dem de vil. Dette er målrettet avlytting og kontroll i saker som omhandler svært alvorlig kriminalitet, og det forutsetter domstolskontroll og også god kontroll av bruken i etterkant. Dette er kort og godt nødvendige endringer for å sikre politiet verktøy til å bekjempe alvorlig kriminalitet. Overgrep mot barn på nett er så grusomt og grotesk at vi har vanskelig for å forestille oss at det er mulig. Ifølge Kripos har det vært en kraftig økning av slike saker den senere tid. Flere og flere barn utsettes for utpressing og blir manipulert til å delta i seksuelle aktiviteter på nett, og fordi politiet ikke har de verktøyene de trenger, blir resultatet at overgrepsmenn går fri. Det er uholdbart. Jeg er derfor glad for at endringene vi vedtar i dag, vil styrke politiets viktige kamp mot kriminelle. Men skal vi bekjempe vold og overgrep mot barn, hjelper det ikke at vi utvider politiets fullmakter – dette må bekjempes på flere områder. Jeg er derfor veldig glad for at et enstemmig storting vedtok forslaget Kristelig Folkeparti hadde i fjor vår om en helhetlig opptrappingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner, herunder spesielt vold og overgrep mot barn. Denne planen skal sikre tiltak innenfor helse, justis og familie. Det er avgjørende for å bekjempe denne grusomme kriminaliteten. Vi som samfunn må sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omgivelser, og da må vi også gjøre det vi kan for å forebygge, avdekke og bekjempe overgrep mot barn. Dagbladet har de siste ukene skrevet mange reportasjer om «skyggebarna» – barn som er utsatt for overgrep og tvangsarbeid – som lever i slaveri. For slaveriet er ikke over, og det må bekjempes på flere områder. er svært alvorlig og grov kriminalitet og er vanskelig for politiet å avdekke og etterforske. Jeg er derfor veldig glad for at vi i dag vedtar lovendringen, som for så vidt er en oppfølging av et tidligere representantforslag vi hadde, om å tillate bruk av kommunikasjonskontroll ved menneskehandel. Dette er et viktig steg i riktig retning, slik at risikoen for bakmenn blir høyere, flere kan bli tatt og flere ofre får sin frihet.

Derfor vil ikke dette tiltaket løse alle problemer – tvert imot må det fortsatt gode, gammeldagse politimetoder til for å kunne bekjempe kriminalitet. Det er viktig at dataavlesning blir forbeholdt den mest alvorlige kriminaliteten. Hvor vi skal sette terskelen for bruk av dataavlesning, er en vanskelig avveining mellom personvernhensyn og samfunnets behov for å bekjempe kriminelle handlinger. Det er derfor vanskelig å finne det konkrete skjæringspunktet for når en metode skal kunne benyttes. Men justiskomiteen gjør viktige justeringer ut fra det som var regjeringas forslag. Vi hever terskelen for når dataavlesning kan brukes. Det betyr at når lovendringene vi i dag vedtar, trer i kraft, kan dataavlesning ikke benyttes for å avdekke simpel narkotikaovertredelse, simpelt narkotikaheleri og uaktsomt narkotikaheleri. Dette mener vi er en viktig presisering, som vi er glad for at komiteen har samlet seg om.

at kommunikasjonskontroll ikke misbrukes av politiet eller PST – og at heller ikke hastekompetansen misbrukes. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter, slik at vi vet at loven følges, og at verktøyene brukes etter hensikten. Derfor er det også viktig at Kommunikasjonskontrollutvalgets kapasitet styrkes, slik at utvalget kan håndtere sin funksjon Tilskuddet til utvalget blir foreslått av regjeringa å bli nesten tidoblet, fra 0,7 mill. kr til 6 mill. kr. Det støtter vi selvsagt. Når det kommer en slik omlegging og en økning i budsjettene, er det etter vår mening lite hensiktsmessig å evaluere Kommunikasjonskontrollutvalget nå, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår. Derfor fremmer vi heller et forslag om evaluering av utvalget tre til fem år etter at lovendringene relatert til denne proposisjonen trer i kraft. Da vil det være mye mer hensiktsmessig å gjøre nettopp det. I debatten rundt dette lovforslaget har det også oppstått tvil om det er foreslått en utvidelse av adgangen til å ta opp lyd og bilde sammen. Alle er enige i at det ikke bør være en slik utvidelse, men definisjonen av kameraovervåkning i ny § 202 a femte ledd kan framstå noe tvetydig da den tilsynelatende omfatter både lyd- og bildemateriale. Derfor blir det også en samlet komité som går inn for at «lyd» fjernes fra definisjonen av kameraovervåkning i § 202 a femte ledd. Det er bra. Det er også fremmet konkrete forslag som omfatter programvaren som skal brukes til dataavlesning. Jeg mener dette er en viktig problemstilling. Derfor er jeg glad for at dette skal reguleres i forskrift. Dette forskriftsarbeidet må omfatte problematikken rundt eierskap, sikre at det – iallfall så langt det er mulig – blir norsk eierskap til programvaren, at det er tilsynsrutiner for sikkerheten rundt programvaren, at dataoverførsler knyttet til overvåkningen så langt det er mulig holdes innenfor norsk jurisdiksjon, og at det utarbeides rutiner for avinstallering av programmer som ikke lenger er i bruk. Alt dette er viktig for å unngå misbruk.

at det er viktige endringer vi i dag vedtar.

Vi må prøve å gjere fornuftige avvegingar mellom omsynet til personvernet og den juridiske og praktiske moglegheita politiet får til å hindre alvorleg kriminalitet og til å etterforske kriminelle handlingar. Overvaking og kontroll må kvile på ei etisk og prinsipiell tilnærming, og vi må sørgje for at metodane politiet får tilgang til, er minst mogleg inngripande overfor Senterpartiet meiner det må setjast klare grenser for kor langt offentlege styresmakter og andre kan gå i retning av innsyn eller kontroll med den enkelte sine gjeremål. Senterpartiet kan derfor ikkje godta lovforslaget frå regjeringa i den heilskapen som stortingsfleirtalet i dag kjem til å gå inn for. Hadde vi fått fleirtal for dei framlegga vi står saman med Arbeidarpartiet om, i tillegg til det vi sjølv er opptekne av om å behalde domstolskontroll på postbeslag, kunne vi ha støtta resten av lovproposisjonen, men den pakken fleirtalet stemmer gjennom i dag, er etter vår meining å gå altfor langt på kostnad av personvernet. Det er ingen tvil om at regjeringa har måtta gjere vanskelege avvegingar når dei skulle prøve å balansere mellom dei nemnde omsyna. Vi står i dag overfor problem som ikkje eksisterte få år tilbake. Teknologien utviklar seg, kryptering blir stadig oftare teke i bruk, og som ei følgje av dette har ikkje politiet same moglegheit som før til å få tilgang til visse typar informasjon. Samtidig har politiet eit ansvar for å beskytte oss, og innbyggjarane forventar at politiet skal bidra til at vi har eit tryggast mogleg samfunn. Viss mange kjenner seg utrygge, kan det føre til meir kriminalitet. Vi må derfor stadig vurdere korleis vi skal tilpasse politimetodane til dagens samfunn og dei moderne kommunikasjonsmidla som blir Vi må ruste politiet og PST på ein slik måte at dei kan gjere jobben sin utan at vi må betale for mykje i form av innskrenkingar i personvernet, ytringsfridomen og privatlivet. Som sagt har regjeringa stått overfor ei vanskeleg avveging. Eg meiner likevel at regjeringa har gått for langt i sin iver etter å gje politiet og PST desse verkemidla. Eg vil òg understreke at det er eit komplisert lovforslag som er kome frå regjeringa, både teknisk og juridisk.

Eg registrerer òg at justiskomiteen sine medlemer frå regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti på side 20 i innstillinga meiner at det etter forslaget vil vere mogleg å gjere innbrot i privat bustad for å installere utstyr for dataavlesing. Dei meiner tilsynelatande det motsette på side 17–18 når dei drøftar forholdet til Grunnlova. I fleirtalsmerknaden som regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti står bak på side 17–18, står det: 102 står i veien for bruk av slike tvangsmidler, er uansett bare aktuelt ved romavlytting og ransaking med utsatt underretning i privat bolig. Hva gjelder dataavlesning vil ikke dette ha noen problematiske sider til Grunnlovens bestemmelse om husinkvisisjon, siden det ikke er snakk om å gjøre fysiske innbrudd i private hjem for å installere dataavlesningsutstyr.» Men i komitémerknaden på side 20, som dei same partia er med på, står det altså: «Komiteen registrerer at departementet også foreslår at politiet skal ha tillatelse til å gjøre fysisk innbrudd for å plassere og fjerne utstyr som er nødvendig for å gjennomføre dataavlesningen.» Dette gjeld som sagt eit komplisert lovforslag, og eg har forstått det på justisministeren som at han meiner at det regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti står bak av merknader til dette, ikkje er kvarandre. § 17 d andre ledd siste setning bruker tydeleg omgrepet «ved dataavlesing å gjøre innbrudd i noens private hjem». Kvifor bruke dette omgrepet om ein samtidig ønskjer å hevde at dette ikkje er eit innbrot i privatheimar? Då gjer ein det eigentleg berre vanskelegare for seg sjølv. Heile komiteen viser til at proposisjonen legg opp til at politiet skal kunne gjere fysisk innbrot for å plassere og fjerne utstyr i samband med dataavlesing. Eg ber justisministeren om at han i løpet av debatten kan klargjere dette temaet. I utgangspunktet var vi i Senterpartiet villige til å utvide moglegheitene politiet har til å gjere samfunnet tryggare, men ein viktig føresetnad for oss var at viktige omsyn skulle bli varetekne. Dette gjeld m.a. omsynet til personvernet og samtidig også kjeldevernet, som pressa er oppteken av. Dei aller fleste av desse framlegga ser dessverre ut til å falle. Sjølv om forslaget frå forslaget frå regjeringa er moderert no etter behandlinga i komiteen, vil forslaget slik det ligg no, kunne føre til urimelege negative konsekvensar for personvernet og rettssikkerheita. Som ei følgje av dette kan eg som nemnt tidlegare ikkje stemme for heilskapen i forslaget frå regjeringa. Senterpartiet nektar for det første å fire på krava til domstolskontroll. Det er domstolane som skal avgjere om vilkåra for politiovervaking er til stades. Her kan vi ikkje velje lettvinte løysingar eller ha blind tru på at det aldri kan skje misbruk. Senterpartiet er oppteke av at vi skal ha ei fri presse, og legg òg stor vekt på omsynet til kjeldevernet. Eg skulle gjerne sett at dette fekk ei grundigare og meir inngåande behandling i lovproposisjonen til regjeringa. Vi treng å vite på kva måte forslaget vil ha konsekvensar for kjeldevernet, og vi treng å få innført tiltak som kan bøte på eventuelle ulemper. Metodekontrollutvalet ønskte ikkje at dataavlesing skulle brukast som sjølvstendig metode, men at dette skulle vere eit viktig verktøy for å gjere det mogleg å bruke kommunikasjonsavlytting. I regjeringa sitt forslag introduserer dei dataavlesing som eit nytt, sjølvstendig, skjult tvangsmiddel. Dataavlesing er ein svært inngripande metode. Det er m.a. stor risiko for å fange opp informasjon om uskyldige tredjepartar. Senterpartiet er ikkje imot metoden, men er veldig oppteke av å regulere metoden rett. Det vart føreslått ein altfor låg terskel for å bruke denne metoden. Det kan vi i Senterpartiet ikkje gå med på, og eg er glad for at regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti til ein viss grad ser ut til å meine det same. Eg meiner det må førast nødvendig tilsyn med metodebruken til politiet, og statistikk over bruken må vere tilgjengeleg for offentlegheita. Berre slik kan vi følgje med på utviklinga og lære om kor effektive desse verkemidla er, slik at vi i neste omgang kan gjere nødvendige justeringar. For at samfunnet skal ha høg tillit til politiet framover òg, er det viktig at det er openheit om denne metodebruken. Lovforslaget frå regjeringa vil innebere at det blir samla inn vesentleg meir overskotsinformasjon enn det blir gjort i dag. Dette var det ikkje teke høgd for i lovforslaget. Heldigvis var dette noko alle medlemene i komiteen meinte var viktig, og i komiteens innstilling til Stortinget inngår det at regjeringa skal ta ein gjennomgang av reglane for bruk, oppbevaring og sletting av overskotsinformasjon. Senterpartiet har tydeleg vist at vi set personvernet og kjeldevernet høgt, samtidig som vi har vore konstruktive for å gje politiet viktige verkemiddel i kampen mot kriminalitet og terror. Nokre viktige endringar har justiskomiteen klart å bli einige om, men det er altfor få til at Senterpartiet kan stille seg bak lovproposisjonen vi behandlar no. Forslaga Arbeidarpartiet og Senterpartiet står saman om, har Arbeidarpartiet allereie fremja. Noko eg vil nemne i tillegg, er at Senterpartiet vil stemme imot å oppheve

Så er det sånn at et samfunn må ha mulighet til å gripe inn i disse frihetene ved alvorlige forbrytelser. Men det er alltid viktig å huske på utgangspunktet, sånn at vi som politikere ikke krenker disse rettighetene mer enn det som er absolutt nødvendig. Det som er helt nytt denne gangen, og som har vært mest diskutert, er dataavlesning. Et flertall på Stortinget åpner nå opp for at politiet skal kunne bryte seg inn og installere programvare på datamaskinen, slik at alt som skjer på datamaskinen, kan leses av politiet. Dette er en alvorlig inngripen i den personlige frihet og i personvernet, for det første fordi politiet får adgang til alt som skjer på datamaskinen, ikke bare den informasjonen som de er ute etter, og ikke bare når den personen som er i politiets søkelys, når den personen som er i politiets søkelys, benytter datamaskinen, men når også f.eks. andre familiemedlemmer benytter seg av samme datamaskin. For det andre får politiet adgang til det som bare ble kladdet ned, men som aldri ble sendt. Det som bare ble tenkt, men aldri gjennomført. Det er en forskjell på de e-postene du sender fra deg, og de e-postene du sletter. Nå får politiet adgang til alt. Dette er å flytte grensen nærmere sjelen. Dette er et stort skritt i retning av å gjøre politiet vårt til et tankepoliti. Så har jeg hørt flere fra regjeringspartiene si at det ikke er noen forskjell på det en skriver i en usendt e-post og det en f.eks. skriver ned i en dagbok. Jo, det er faktisk det. Nå tviler jeg på at disse tunge kriminelle som det her i utgangspunktet er snakk om,

Flere ganger har jeg hørt at det er lovtomme rom som gjør at dette er nødvendig. Politiet må få virkemidler som gjør at de kan holde tritt med de kriminelle. Jeg vil advare sterkt mot å gi et inntrykk av at alt som skal til for å forebygge, avverge og etterforske kriminelle, er å åpne for at politi og PST kan ta i bruk dataavlesning. Det er rett at kriminelle ganske enkelt kan unndra seg f.eks. telefonavlytting og andre metoder, de kan snakke sammen på andre måter enn f.eks. gjennom telefon, men de kan faktisk også unndra seg dataavlesning. Nå mener jeg selv at jeg har en av de minst kriminelt anlagte hjernene i Norge, men det tok meg ca. fem minutter å komme på at en kan bruke en datamaskin på biblioteket til å skrive de utkastene til e-posten som man ønsker å få tak i, uten at det vil kunne bli fanget opp av politiet. Alle jeg har snakket med så langt, er enige om at det ikke vil være forholdsmessig å dataavlese alle bibliotekmaskiner for å få tak på potensielle kriminelle – og godt er det. Så er det dette med grensegangene. Da

i forhold til proposisjonens forslag, slik at metoden ikke kan benyttes for å avdekke simpel narkotikaovertredelse Og det skulle bare mangle. Sånn vi ser det, er det overhodet ingen forholdsmessighet i at politiet skal kunne dataavlese enhver borger i dette landet som muligens har oppbevart en brukerdose hasj til privat bruk. Vi kan like det eller ikke like det, men det er ganske mange kjekke, oppegående og ellers lovlydige borgere i dette landet som på et eller annet tidspunkt har vært i besittelse av en brukerdose cannabis. Dette illustrerer også dilemmaet ved å åpne opp for nye tvangsmidler. Dette med grenseganger er ikke lett, og det er antagelig bare et spørsmål om tid før grensegangen glir tilbake til der hvor statsråden ønsket at den skulle gå noen signaler fra politiet om at det er vanskelige grensedragninger mellom simple narkotikaovertredelser og grove narkotikaforbrytelser, og så vips! Venstre har nylig lagt fram et Dokument 8-forslag der vi tar til orde for å nedsette en ny personvernkommisjon på justisfeltet. Jeg håper vi får tilslutning til det, for det er behov for å sette en fot i bakken med jevne mellomrom for å se hvordan det står til med personvernet på dette feltet. feltet. Det burde vi gjort før vi innførte nye tvangsmidler og ga politiet enda flere tvangsmidler som krenker den enkeltes personvern. Vi kommer derfor i dag til å stemme mot å innføre dataavlesning som metode. Vi registrerer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet prinsipielt mener det er riktig å åpne opp for dataavlesning, men at de ikke er helt komfortable med hvor flertallet har lagt listen. Det er bra at det er en tydelig opposisjon som ønsker å stramme inn ytterligere, og vi vil derfor subsidiært stemme for forslagene nr. 8–11, fra mindretallet. Ettersom det er flertall for å åpne for dataavlesning, har vi sammen med SV fremmet forslag om å ta en gjennomgang og evaluering av bruken av dataavlesning før det har gått fem år. Metodekontrollutvalget foreslo i sin tid å fjerne forberedelseshandlinger til terror som grunnlag for å iverksette bruk av tvangsmidler i avvergende øyemed. Komiteen viser til dette, men går ikke videre inn i den debatten. Tvert imot bifaller de departementets forslag om å inkludere offentlig oppfordring, rekruttering eller opplæring til terror som grunnlag for bruk av avvergende tvangsmidler. Grunnen til at Metodekontrollutvalget foreslo dette, var fordi det ble for vidtgående, og fordi det kunne være utfordrende med hensyn til EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. Her mener vi det er grunn til å følge Metodekontrollutvalget og stramme inn, og derfor har vi også lagt fram forslag om det. Et annet forslag som også illustrerer dette med grensedragningene, er forslaget om å oppheve kravet om at det må være organisert kriminalitet for å kunne benytte romavlytting. Flertallet vedtar i dag å senke terskelen for romavlytting. Vi sier at disse inngripende metodene bare skal benyttes i de aller mest alvorlige tilfellene. tilfellene. Jeg er helt enig i at drap er alvorlig, men det er også andre forbrytelser som er alvorlige, og hva er det neste på listen hvor vi skal tillate romavlytting? Også Metodekontrollutvalget gikk mot dette, bl.a. fordi det er et manglende evalueringsgrunnlag. Romavlytting er en inngripende politimetode, og komiteen skriver representerer ett av de mest inngripende virkemidler norsk politi har til rådighet, og utgjør et betydelig inngrep i personvernet, i tillegg til at det ofte rammer uskyldig tredjepart.» Dette er vi enige i, men vi er ikke enige i konklusjonen om å utvide bruken. Venstre kommer derfor til

også. Jeg håper dette er en side av Arbeiderpartiet vi kommer til å se mer til framover. Et av de forslagene jeg vil gi Arbeiderpartiet og Senterpartiet skryt for, er forslag nr. 7 om at det skal foreligge krav om kjennelse fra retten når politiet skal innhente trafikkdata fra teleselskaper. Dette er en viktig og god oppfølging av noe som i dag framstår som problematisk, og som Metodekontrollutvalget allerede har påpekt. Til slutt vil jeg ta opp de forslagene som er fremmet på vegne av Venstre og SV. Representanten Iselin Nybø har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det seiest ofte i debatten om kriminalitetsbekjempande verkemiddel versus personvern at det er

verkemiddel. På den andre sida er det slik at nøyaktig den same teknologiske utviklinga flyttar menneskes daglege aktivitetar og virke og privatliv ut på nettet. Nøyaktig den same utviklinga som grunngjev desse forslaga, aukar behovet for tryggleik rundt dei daglege aktivitetane våre, som no finst der akkurat som dei finst på fysiske stader. Difor har ein dei avvegingane. I debattane om kriminalitetsbekjemping og personvern vert det av og til sagt at dersom ein ikkje har noko å skjule, har ein heller ikkje noko å frykte. Men vi har alle noko å skjule. Det er faktisk bra å ha noko å skjule. Det er eit teikn på at ein har eit liv og dessutan sosial intelligens nok til å forstå at ein har noko å skjule. La meg bruke litt tid på det. Ein del av tinga som vi har å skjule, Det kan berre vere at vi av private grunnar ønskjer å skjule det. Det er viktig nok, vil eg seie, for integriteten vår. Men andre ting av det vi skjuler, er ting som det er ganske viktig for samfunnet at vi kan gjere skjult. Viss ein f.eks. har ein sjukdom som ein helst ikkje vil at det som ein helst ikkje vil at det offentlege skal vite om, men det er veldig viktig at ein kan kommunisere godt med legar – at ein til nokre utvalde kan kommunisere om han – så er det viktig for samfunnet at ein kan halde det relativt privat. Eller viss nokre er i ein situasjon i løpet av livet der dei må kontakte eit krisesenter, er det viktig at dei kan gjere det utan at det vert kjent, for det er meir sannsynleg at dei gjer det då, enn om dei fryktar at det kan verte offentleg kjent. Eller om ein har ein uønskt graviditet som svært ung, eller har kontakt med psykolog eller på andre måtar gjer ting der ein har eit ønske om privatliv rundt det og ikkje vil at det skal kome på avvegar, er det kjempeviktig for samfunnet at flest mogleg nyttar seg av den moglegheita. Då snakkar vi ikkje berre om personvern personvern eller at vi skal avvege ulike former for overvaking og registrering og bruk av metodar mot fridom, men òg mot den digitale tryggleiken for den enkelte. Behovet for digital tryggleik kjem til å auke massivt, og han liknar på den tryggleiken vi er opptekne av å oppleve i vårt fysiske Heldigvis har ein dei seinare åra vorte langt meir merksam på dei dilemmaa og avvegingane som følgjer av dette, og ein har fått ei langt større innsikt i at det faktisk er avvegingar og problematiske sider ved det. Delar av komitéinnstillinga viser det. Det arbeidet som har vorte gjort her, og den offentlege debatten viser det. Eg merkar meg at representanten derimot sa han aldri hadde vorte kontakta av nokon som hadde bekymringar for slik metodebruk. Så kan eg kanskje leggje til at eg mistenkjer at representanten Leirstein ikkje er den første ein ringjer til viss ein har bekymringar rundt personvern. Viss det er slik han møter vanskelege, prinsipielle avvegingar, trur eg han kan gå lykkeleg gjennom livet utan å vite at dei eingong eksisterer. opplever eg å verte kontakta av folk med heilt forskjellige standpunkt og veldig sterkt engasjement. Det er reelt problematiske avvegingar vi snakkar om. Dette er bakteppet for at SV vil støtte ein god del av forslaga som regjeringa har lagt fram om forsiktige utvidingar av måten politiet kan ta i bruk metodar for å kjempe mot kriminalitet på. Men det er òg bakteppet for at vi i dag vil stemme mot å gje høve til ein heilt ny metode, nemleg dataavlesing til bruk. La meg kort forklare det bakteppet meir presist. For det første er det ein metode, som representanten Nybø på eit veldig presist vis beskreiv, som er svært inngripande for enkeltmennesket – meir enn det vi er vande til i den fysiske verda, vil eg seie.

vere skuldige eller mistenkte i det heile i kriminalitet, og om andre som kommuniserer med dei. Den tilleggsinformasjonen er problematisk. For det tredje trur eg vi må leggje til grunn at det vil vere eit sterkt ønske om å utvikle og utvide tilgangen til å bruke dette verkemiddelet når det først er teke i bruk. Det viser erfaringar frå liknande debattar.

Den største personvernutfordringa er eigentleg ikkje dei enkelte vedtaka her. Eg meiner at dataavlesing isolert sett ikkje er i nærleiken av å ta oss frå eit trygt, godt samfunn over til eit overvakingssamfunn. Den største utfordringa er summen av ei rekkje enkeltforslag på eit breitt spekter av ulike felt i samfunnet. Det er like stor grunn til å vere bekymra når ein ser på helse, på samferdsel og på utdanning, som når ein ser på justisfeltet. I sum

at vi skal gjere ei grundig evaluering og gjennomgang av bruken av dataavlesing innan fem år. Ingen av våre parti sit i komiteen, men eg er av den oppfatninga at dette burde vere eit forslag som kunne få brei støtte her i salen, uavhengig av korleis ein ser på det. Det er ein ny metode som det vert opna for å ta i bruk. Det vil vere klokt om ein alt no fastset at vi skal ha ein grundig gjennomgang då, og han skal kome til Stortinget. Fem år er såpass lang tid at det er mogleg å vinne nokre erfaringar utan at noko har sett seg så mykje at ein ikkje kan diskutere det på nytt. Som eg sa, vil vi òg stemme for ein del av dei metodane som det vert opna for å ta i bruk. Vi vil i tillegg stemme for dei forslaga som Arbeidarpartiet og Senterpartiet har fremja – det same som representanten Nybø var inne på. Vi vil gå imot nokre andre forslag. Eg vil først og fremst nemne det Metodekontrollutvalet åtvara imot, nemleg å ta i bruk førebyggjande overvaking når det gjeld planlegging av terror. Det synest vi òg er å gå over ein terskel vi ikkje ønskjer å opne for å gå over no. Vi er òg kritiske til senkinga av terskelen for romavlytting som ligg i forslaget her. La meg avslutte med at det trass alt er gledeleg at trass alt er gledeleg at forslaga har ført til relativt mykje offentleg debatt med mange gode artiklar og oppslag som problematiserer saka. Eg synest òg at det har vore ein del gode innlegg i denne debatten. Der vi ikkje er enno, er at fleire parti er villige til å ta konsekvensen av bekymringane sine og ta dei eit hakk vidare – frå bekymring til faktisk å gå djupt inn i korleis dette flyttar grensene ikkje berre for til faktisk å gå djupt inn i korleis dette flyttar grensene ikkje berre for fridomen, men for den digitale tryggleiken vi kan

og jeg mener den debatten vi har hatt så langt, også er en veldig god debatt som viser de ulike hensynene en skal ta når en diskuterer skjulte metoder. Dette er ikke rett og galt, det er ikke svart eller hvitt – det er ulike prioriteringer og avveininger, som er krevende. Det er to viktige akser en er nødt til å ha et åpent forhold til. Den ene, som er drøftet ganske grundig både i proposisjonen og delvis i innstillingen, er forholdet til bruken av skjulte metoder opp mot Grunnloven. Jeg mener det er helt klart at proposisjonen tydelig viser at de forslagene regjeringen fremmer, og som komiteen i all hovedsak slutter seg til, klart er innenfor Grunnlovens rammer. Den andre er den diskusjonen som er av en mer politisk karakter, nemlig hensynet til personvern på den ene side og samfunnets trygghet på den annen – eller, som foregående taler var inne på, trygghet og trygghet, vurderingen av hvordan det skal vektes og veies. Der er det helt legitimt å ha ulike vurderinger når en skal diskutere politiets skjulte metoder. Jeg tror likevel det er nødvendig å huske på et par viktige ting, som jeg mener drukner litt i denne diskusjonen fra tid til annen. Det er forskjellen mellom det som er skjulte politimetoder, som er en spisset form for overvåking etter meget sterke og stramme vilkår, på den ene side, og det som fremstilles som masseovervåking, på den annen side. Det er to prinsipielt sett helt ulike ting, og jeg mener det, særlig i deler av den offentlige debatten, blir fremstilt noe underlig. Vi har f.eks. sett påstander som at alle kan rammes av dette, med henvisning til at PST får bitte lite grann utvidet adgang til forebyggende etterforskning. Den adgangen utvides altså til å gjelde omgang med masseødeleggelsesvåpen – ikke terror, det er allerede favnet i dag – som er en liten utvidelse, men på et område som har en ekstrem skadevirkning, og PST vil jo aldri bli målt på hvordan de klarer å etterforske en handling at terroren er begått, de vil bli målt på hvordan de har hindret at terror gjennomføres. Jeg tror det også er viktig å ha med seg inn i perspektivet når en snakker om hva som er de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot terror. Jeg er veldig glad for at komiteen har vært veldig tydelig på skillet mellom det en kan betrakte som masseovervåking eller lagring av massive datamengder, på den ene side og det som er spissede politimetoder, på den annen. Jeg er veldig opptatt av personvern. Jeg har holdt innlegg fra denne talerstolen som stortingsrepresentant flere ganger og flammende forsvart personvernet. Jeg er også en flammende tilhenger av å sikre borgerne mot alvorlig kriminalitet. Derfor har jeg også et lyttende øre når jeg ser hvordan politiet og Politiets sikkerhetstjeneste i dag vurderer situasjonen sin knyttet til metoder. metoder. Jeg vil bruke litt tid på det som er den nye metoden, nemlig dataavlesing. Den vurderes på ulikt vis, litt avhengig av hva slags politisk ståsted en har, men noen fremstiller dataavlesing som en ny metode, som skal gi oss en helt ny tilgang på personers tanker – jeg tror representanten Nybø brukte begrepet «tankepoliti». Jeg er fundamentalt og grunnleggende uenig i den vurderingen. Riktignok flytter en på en måte overvåkingen litt nærmere sjelen gjennom at en får tilgang til ting som verken er sendt eller lagret. Men hvis en sammenligner med metoden den i hovedsak erstatter, nemlig kommunikasjonsavlytting, er jo årsaken til at dataavlesing er så viktig, at folk som skal begå terror eller alvorlig kriminalitet, ikke lenger kommuniserer på avlyttbare mobiltelefoner. kommunikasjonsavlytting, er jo årsaken til at dataavlesing er så viktig, at folk som skal begå terror eller alvorlig kriminalitet, ikke lenger kommuniserer på avlyttbare mobiltelefoner. Det er ikke så unaturlig, for på den samme mobiltelefonen kan en trykke på et Skype-ikon og samtale som om det var en mobiltelefonsamtale, men da er vi frarøvet muligheten for å finne ut hva som skjer i den samtalen. Derfor er det faktisk viktig å understreke at dataavlesing på dette området Tidligere hadde en muligheten til å få tilgang til store deler av denne informasjonen basert på bruken av kommunikasjonsavlytting. Den muligheten er borte. Vi er nødt til å sikre oss at vi ikke får så store etterretningshull at vi ikke er i stand til å avverge terror, og at vi ikke er i stand til å håndtere alvorlig organisert kriminalitet. PST har i ganske lang tid på viktigheten av å få dataavlesing på plass som metode. De har i trusselvurderingen sin også fortalt om etterretningshullene vi opererer med. Vi må også ta den siden av dette spørsmålet på alvor. Jeg har lyst til å understreke at når vi snakker om skjulte politimetoder, er det ikke slik, som noen gir inntrykk av – ikke fra denne talerstol, riktignok – at politiet skal få myndighet til å gjøre nær sagt hva de vil. Det er klare rammer og skranker. Alle rammene og skrankene som er gjeldende, vil Det er klare rammer og skranker. Alle rammene og skrankene som er gjeldende, vil bli opprettholdt. Det innebærer bl.a. full domstolskontroll, det innebærer underretningsplikt, og det innebærer etterfølgende kontroll, både gjennom EOS-utvalget på de sakene PST behandler, og gjennom Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll på de sakene politiet behandler – et utvalg som regjeringen foreslår å mangedoble ressursene til nettopp for å bedre kontrollen ikke bare knyttet til dataavlesing, men knyttet til metodebruk generelt. Så jeg er litt bekymret over at en fremstiller det som om det på en måte blir fritt frem for politiet å gjøre hva de vil. Det gjør det ikke, verken når det gjelder PSTs utvidede kompetanse på forebyggende eller avvergende metoder eller politiets bruk av de samme virkemidlene. Det er i tillegg til den etterfølgende kontrollen også slik at vedkommende som overvåkes, får ivaretatt sine interesser av en egen advokat. Det er en viktig rettssikkerhetsgaranti, som videreføres. Så jeg er opptatt av å få frem at det faktisk er slik at personvernet, fokuset på skranker, fokuset på at dette ikke skal kunne misbrukes, er meget, meget sterkt. Det samme gjelder forholdet til underretningsplikt. Hvis politiet eller PST kommer i skade for overvåke uten at de i utgangspunktet hadde noen spesielle grunner for det, utover at det selvfølgelig var rettslig godkjent, men at det ikke er avdekket at det er begått kriminalitet, skal vedkommende som er utsatt for denne overvåkingen, underrettes om det. Jeg mener det også er et viktig tiltak, for det første for å sikre at politiet og PST er veldig bevisste på metodebruken, men det er også en slags gjenopprettende prosess, for å kalle det det. Det er videre nødvendig å si noen ord om hvordan politiet vil bruke disse metodene fremover, tror jeg. Det skapes et inntrykk av at det å gjennomføre bruk av skjulte metoder vil føre til at veldig mange blir utsatt for dette. Det er nok ikke tilfellet. Dette er ressurskrevende metoder. Det tar mye kraft fra politiet å bruke disse metodene, og det betyr også at politiet bruker dem i de sammenhengene og situasjonene hvor det strengt tatt er mest nødvendig. Jeg vil også si at det er mange gode refleksjoner i innstillingen, som viser mange av de dilemmaene vi står overfor. Når det gjelder spørsmålet om heving av terskel for bruken av dataavlesing, har jeg bare lyst til å si at jeg er glad for at komiteen har hatt en grundig vurdering av dette. Det har vært en viktig diskusjon, og det er ingen tvil om at også denne typen diskusjoner har gått i forkant av at proposisjonen ble lagt frem. En av årsakene til at terskelen ble lagt på det nivået, er først og fremst det jeg sa i stad, nemlig at den hovedmetoden som dataavlesing erstatter, nemlig kommunikasjonsavlytting, er lagt på det samme nivået, og det var årsaken til at en også plasserte dataavlesing på det samme nivået. Men det er en viktig vurdering hvorvidt en mener at dataavlesing skal følge terskelnivået for kommunikasjonsavlytting eller høyere, og jeg er glad for at komiteen har hatt en grundig og god vurdering av det, og har endt med at en øker den terskelen noe. Det synes jeg er fornuftig, og jeg stiller meg bak det. Jeg ser frem til at politiet og PST nå får tilgang til men jeg vil også understreke at jeg er glad for at personvernfokuset både i regjeringen og i denne sal er så sterkt som det er. Det betyr at regjeringen har funnet en ganske god balanse, når vi ser den massive støtten vi får i salen i dag. Det blir replikkordskifte. Jeg vil i likhet med flere i salen takke saksordføreren for et godt samarbeid, også med komiteens medlemmer og

Derfor er jeg litt spent på hva som var begrunnelsen, hva det var statsråden tenkte da han valgte å legge det opprinnelige forslaget for dataavlesing så lavt som til simple narkotikaforbrytelser, hvis begrunnelsen er at dette skulle være en spisset overvåking. Jeg er også glad for at flertallet har endret akkurat det punktet. Men det ville vært godt å høre hvilken begrunnelse,

for oss alle gjennom f.eks. Skype, mente vi at det var mest relevant. Men så er det andre vurderinger som også kan tillegges vekt, fordi dataavlesing også er noe annet og gir tilgang til noe mer enn det en får gjennom kommunikasjonsavlytting. Dermed synes jeg det har vært en avveining som komiteen har gjort på en god måte. Men det er altså mulig å argumentere fra begge hold. I tillegg er det den praktiske vurderingen knyttet til skillet mellom grov og simpel narkotikaovertredelse, som først og fremst er knyttet til mengde narkotika, som gjør at også dette er noe mer komplisert. Men som sagt: Jeg støtter komiteens konklusjon. Jeg takker for svaret. Vi registrerer at statsråden har valgt ikke å følge opp de norske endringene etter datalagringsdirektivet, etter at det ble reist tvil om deler av det var innenfor menneskerettighetene. Samtidig er det deler av dette opprinnelige forslaget som er uomstridt, som krav om kjennelse for retten ved utlevering av trafikkdata. Støtter statsråden krav om kjennelse i forbindelse med trafikkdata? Det er et spørsmål vi ikke følger opp i proposisjonen, og det betyr at vi forholder oss til situasjonen slik den er, og til gjeldende rett på området.

2011 hadde en sak der en klarte å utnytte de trojanerne som politiet hadde satt inn i en datamaskin, og at hackere da kunne bruke det som et verktøy til å få oversikt over andre maskiner. Det var riktignok snille hackere, så de misbrukte det ikke, men det viser litt av utfordringene med selve programvaren og sikkerheten. Det er i hvert fall ekstremt viktig at en ikke lager et verktøy som kan misbrukes av andre kriminelle til f.eks. å plante bevis eller avlytte andre kriminelle. så de misbrukte det ikke, men det viser litt av utfordringene med selve programvaren og sikkerheten. Det er i hvert fall ekstremt viktig at en ikke lager et verktøy som kan misbrukes av andre kriminelle til f.eks. å plante bevis eller avlytte andre kriminelle. Jeg vil gjerne utfordre statsråden litt på de merknadene vi har skrevet om at det skal komme forskrifter som regulerer sikkerhet, og det som handler om programvare. Hva tenker han om det? Det er helt åpenbare bekymringer som det er relevant å ha med seg. Det er helt avgjørende at både bruken av programvaren ikke kan misbrukes på noen måte. Vi jobber, som representanten er inne på, med forskriftsfesting av hva slags type sikkerhet som skal være rundt det, men det vil alltid være krevende med teknologisk utvikling, for det som kan fremstå som trygt og sikkert det ene øyeblikket, kan i det andre øyeblikket være utsatt for fare. Men det og tilliten til tjenestene at en har den nødvendige tryggheten og sikkerheten også rundt programvaren som brukes når en skal hente ut data. Jeg er av den oppfatning at de har et svært bevisst forhold til dette. Vi har svært fremtredende og gode miljøer på dette området, og det er viktig at vi også følger det opp politisk, med de nødvendige rammene for dette. I denne saka har Senterpartiet vore særleg oppteke av temaet «domstolskontroll», at det er

når det gjeld utsett underretning ved beslag og utleveringspålegg, som innhenting av trafikkdata frå teleselskap. Noko vi står aleine om i komiteen, er å behalde domstolskontrollen ved postbeslag. Ein ting er at ein opphevar paragrafen om at domstolane skal sjå gjennom posten, noko som kan grunngjevast i ressursbruk. Det mest problematiske er etter vårt syn at alt skjer på same tid. I same andedrag som ein tek bort domstolskontrollen, senkar ein terskelen for å bruke for ting som ein kan anta har betydning som bevis. Korleis kan statsråden forsvare at terskelen forsvinn samtidig som at domstolskontrollen også forsvinn for
påtalemyndigheten får muligheten til å utsette underretning i åtte uker, er ikke noe som endrer domstolskontrollen av selve bruken av de metodene som skal brukes. Det eneste som utsetter domstolskontrollen av metoder, er hastekompetansen. Hastekompetansen – hvis den er i bruk – skal også ettergås av domstolen ved første mulige anledning. Så all metodebruk er domstolskontrollert. Det eneste som er endret på det området, er at påtalemyndigheten kan utsette underretning i åtte uker. Når det gjelder regelen om postbeslag, er det en ganske gammeldags bestemmelse, for det gjelder primært brevpost. I dag er korrespondansen over på noen sekunder. Da er på en måte forsendelsen kommet frem. frem. Hvis en skal ha et regelverk som tilsier at domstolen skal gjennomgå alle e-postkontoene til en person som er under etterforskning, før politiet kan få tilgang til dette materialet, ville det skape enorme utfordringer, og det ville ha veldig liten praktisk

statsråden på dette: Er det ikke slik at politiet gjennom dataavlesing får tilgang til mer informasjon enn de ville ha fått hvis informasjonen ikke hadde vært kryptert og de hadde brukt de andre virkemidlene for kommunikasjonsavlytting? Og i så fall: Hvorfor har ikke statsråden begrenset dataavlesing til bare å gjelde den informasjonen politiet hadde fått fått hvis det ikke hadde vært for krypteringen? Hvorfor har ikke statsråden begrenset det slik at vi ikke utvider politiets tilgang til informasjon, og at vi faktisk holder oss på det samme nivået som brukes som begrunnelse … Det tror jeg rett og slett rent praktisk ikke ville la seg gjøre, fordi en med denne metoden vil få tilgang til det som gjøres og skrives på datamaskinen. Men jeg har lyst til å understreke at selv om en ved dataavlesing får tilgang til mer enn det som tidligere ble kommunisert mellom to parter – eller flere, for den saks skyld – vil en likevel ikke få så mye større samlet tilgang, for mye av det en får tilgang til ved dataavlesing, vil en da kunne få tilgang til gjennom f.eks. hemmelig ransaking. Da vil en også kunne få tilgang til – som representanten Nybø var inne på – f.eks. dagboknotatene til personer som har skrevet dagbok, selv om jeg er enig i at det sikkert ikke er så mange av dem som gjør det. Men en vil få tilgang til veldig mye av den samme informasjonen. Forskjellen er at en vil få tilgang til informasjonen løpende, i større grad enn en ville få ved å gjennomføre hemmelige beslag. En vil i tillegg være i den situasjon at en vil kunne få tilgang til noe som bare er skrevet, men som er verken sendt eller lagret. Det er på en måte utvidelsen. Så samlet sett, hvis en ser dagens metoder opp mot dataavlesing, er forskjellen mindre enn man kan få inntrykk av. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

De fleste tvangsmidlene som PST bruker i dag, ble vedtatt av Stortinget i 2005. Siden den gang har både trusselbildet og teknologien endret seg betraktelig. PSTs bruk av skjulte metoder gir oss i dag dårligere tilgang til informasjon enn det som ble forutsett av Stortinget i 2005. uttrykker behovet for en helhetlig oppdatering av hvilke tvangsmidler PST bør ha tilgang til for å bekjempe terror og alvorlig kriminalitet. De siste årene har PST beskrevet et alvorlig trusselbilde, med økt terrorfare og økt alvorlig kriminalitet på tvers av landegrensene. Dessverre har vi fått syn for segn. Flere av våre allierte er hjemsøkt av grov, grusom terror, der menneskeverdet brutalt er blitt meid ned. At økt bruk av kryptering skaper utfordringer for politi og etterretning, framkommer tydelig i Lysneutvalgets utredning, Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Det hjelper ikke med avlytting mellom a og b når kommunikasjonen foregår mellom a og a. Eller sagt på en annen måte: I dag kan man gå inn på andres datamaskin og hente ut informasjon uten å kommunisere med hverandre. Det er ingen tvil om at kryptering har brakt politiet på defensiven i bekjempelsen av alvorlig kriminalitet. Dataavlesning vil gjøre det mulig for politiet å skaffe seg tilgang til opplysninger i et datasystem på et så tidlig tidspunkt at kryptering ikke kan gjøre informasjon utilgjengelig.

Skjult metodebruk er inngripende, og tiltaket må benyttes med varsomhet. Derfor vil det kun åpnes for dataavlesning i særskilte tilfeller. Forutsetningen er at det er skjellig grunn til mistanke om alvorlig kriminalitet som kan medføre en fengselsstraff på inntil ti år eller mer, f.eks. terror, menneskehandel, kidnapping og etterretning mot statshemmeligheter, altså den typen kriminalitet som kan ramme enkeltmennesket og staten hardest.

diskusjonen, mellom to forhold: behovet for å beskytte enkeltmennesket samtidig som man ikke ofret personvernet på det andres alter. Det samme gjør vi i dag. Jeg husker at det var en stor diskusjon den gangen vedrørende kommunikasjonskontroll og hemmelig ransaking. Hvordan kan man gjøre det på en forsvarlig, god måte som sikrer samfunnet, uten at en tar sine rettigheter? Det man gjorde, var at man fant et system der man oppnevnte en tredjepartsadvokat som ivaretok rettighetene til den som var under mistanke. Det er man nødt til å gjøre videre, for samfunnet vil hele tiden utfordres. Jeg tror ikke, som enkelte har sagt fra denne talerstolen i dag, at man greier å ha et lovverk som til enhver tid møter alle utfordringene. Slik virker ikke demokratiet. Demokratiet må av og til erfare ting – av og til på en hard og brutal måte – før man tar innover seg behovet for endringer. Det gjør man nå. Selv om målet er å ha et optimalt samfunn med fred og fordragelighet, trygghet og gode arbeidsplasser, møter vi av og til andre forhold. Også da er man nødt til å ha et lovverk som er godt og velfungerende. Derfor synes jeg, når man ser på innstillingen i dag, kanskje spesielt på I, II og III, at dette er viktige forhold, at man har en gjennomgang av de metodene som brukes, og ser på funksjonalitet, og ikke minst at en da, gjennom det, kan avdekke at det faktisk er behov for det. Det verste vi gjør, er å gi metoder til dem som skal ta vare på oss og sikre oss, og så brukes de ikke! Da mister vi troverdigheten. En annen ting er at man har nødvendige ressurser til dem som skal påse at de som har fått fullmaktene, gjør det innenfor det mandatet de faktisk har.

lovverket kan forhindre det. Det kan det sikkert ikke. Men kan vi redusere ett angrep, har systemet virket. Og jeg har oppfattet at de som tar vare på oss på denne skjulte måten i Norge, er tydelige på at ja, de metodene de har fått, har virket, og det vi gjør i dag, kommer til å gjøre oss enda sterkere

atomvåpen og ikkje minst narkotika? Logikken som alle som forsvarar forslaga, har brukt, er nettopp den: Verda er ein farleg plass. Politiet og myndigheitene trur at desse verkemidla vil vere nyttige for å gjere oss trygge, ergo bør dei få dei. Men då vil eg seie at når saksordførar Werp seier at her har ein funne ein god balanse mellom personvern og sikkerheit, så er det altså den same Werp frå det same partiet som meinte at ein hadde funne ein minst like god balanse mellom desse omsyna då ein vedtok datalagringsdirektivet i denne salen, og som viste seg å vere i strid med menneskerettane. Den same representanten stod på talarstolen i førre veke og tok til orde for tilfeldig ransaking av norske borgarar utan mistanke. Eg ser at komiteen skryter av at her har ein heva tersklane, ein har heva skrankane, det skal vere vanskeleg å bruke. Dersom ein ser straffeloven, straffeprosessloven og politiloven sine heimlar i samanheng, er eg i sterk tvil om det. For å ta eit eksempel: Du kan bruke dataavlesing dersom det er grunn til å undersøkje om nokon førebur, truar med og medverkar til å skjule ein person som har drive med terrorfinansiering. Korleis skal ein domstol kunne føre ein reell kontroll, setje reelle skrankar, når ein tillèt at det går så langt før noko kriminelt i det heile har skjedd? Så seier ein at ein hevar terskelen for kva type brotsverk det skal gjelde. Det skal ikkje lenger gjelde simple narkotikabrotsverk, men grove narkotikabrotsverk. Men så skriv ein samtidig i innstillinga at ein er klar til å senke tersklane fortløpande – det er det fleirtalet skriv. Og det kjem ein sikkert til å gjere, for det gjer ein jo i denne saka med eit anna verkemiddel, nemleg romavlytting, og fjernar kravet om tilknyting til organisert kriminalitet ved etterforsking av drap. Ein kunne sagt mykje om kor tvilsam den grunnlovstolkinga fleirtalet legg til grunn, er. Eg trur det er ein reell fare for at den vil bli slått ned på av Høgsterett på eit tidspunkt. Men eg trur eigentleg eg vil bruke dei siste 15 sekunda til å seie at eg synest det er synd at ikkje endå fleire representantar teiknar seg til ein så viktig debatt, for her veit vi jo at det er reell ueinigheit i mange parti. Eg er einig i at det kan vere vanskelege avvegingar, men då burde dei i mykje større grad ha kome til uttrykk i innstillinga og i debatten, der vi i dag går nokre steg til i

Det er nesten som å ransake et rom eller en bolig, bare at ransakingen skjer digitalt. Politiet har lenge etterspurt denne metoden, siden kriminelle kommuniserer gjennom digitale og krypterte tjenester som politiet ikke har tilgang til. Appen WhatsApp er et eksempel på en kryptert tjeneste som politiet i dag ikke kan få tilgang til, selv om det er grunn til å mistenke terrorplanlegging eller en stor narkotikainnførsel. Politiets tvangsmidler må med andre ord følge den teknologiske utviklingen og være på linje med de kriminelles metodebruk. Dagens trusselnivå, sett i lys av hendelsene i bl.a. Paris og Brussel, er dessverre også en av grunnene til at politiet må være best mulig rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Jeg registrerer at det fra enkelte representanter gjentakende har vært gjort et poeng av at politiet nå skal overvåke din mobil eller din datamaskin. Nei, ethvert tvangsmiddel i straffeprosessloven er rettet mot enkeltpersoner man kan mistenke har begått en alvorlig straffbar handling, slik som drap, befatning med overgrepsbilder og terrorplanlegging. Det er dermed ikke din mobil som er av interesse for politiet. Det samme vil også gjelde dataavlesning. Det å si at politiet skal overvåke din datamaskin, vil dermed heller ikke være riktig. Det er ikke en form for masseovervåking. Politiet skal med rettens godkjennelse bare kunne overvåke vil dermed heller ikke være riktig. Det er ikke en form for masseovervåking. Politiet skal med rettens godkjennelse bare kunne overvåke datamaskinen til en potensiell overgriper, terrorist eller narkotikabaron. For kommunikasjonskontroll gjelder dette rundt 100 saker i året, og ikke 5 millioner, som tilsvarer Norges befolkning. at det framstilles som en trussel mot personvernet at norsk politi, under streng rettslig kontroll, får tilgang til opplysninger om personer som med skjellig grunn kan mistenkes for et straffbart forhold. Politiet står i dag ofte på sidelinjen, prisgitt et utdatert lovverk, og de kriminelle går videre med sine handlinger. Vi ser at omfanget av overskuddsinformasjon vil øke ved Derfor har Stortinget også bedt regjeringen om å gjennomgå dagens regelverk for bruk og behandling av overskuddsinformasjon for å styrke personvernet. Alternativet til regjeringens forslag er å ikke gjøre noe. Jeg er i alle fall usikker på om jeg er komfortabel med det i lys av dagens trusselnivå.

Uenigheten her går vel på omfanget av bruken av disse tvangsmidlene og på hvilket nivå det skal innføres. Det handler ikke minst om hvorvidt dette er spisset overvåking, eller om det er en massiv overvåking av mennesker i Norge som eventuelt kan være potensielle forbrytere. Alle er klar over at kriminalitetsbildet endrer seg, og at den kriminaliteten som utøves i dag, er av mer alvorlig art. Derfor er det viktigere enn noen gang å fokusere på akkurat det området. Disse metodene krever gode avveininger for rettssikkerhet og for personvern, ikke minst i et demokrati – et demokrati hvor vi kan bevege oss fritt, og hvor vi slipper trusselen knyttet til knyttet til om man blir overvåket eller ikke i det offentlige rom, eller i den private sfære. Det er viktige prinsipper for vårt demokrati og for vårt personvern. Derfor er jeg veldig glad for – som jeg sa i mitt hovedinnlegg – at flertallet var med på å bevege komiteen i riktig retning knyttet til dette spørsmålet, og at proposisjonen på den måten er blitt bedre. Helt avslutningsvis vil jeg si at jeg synes at dette har vært en god debatt bare sier noe om viktigheten, men også om alvoret knyttet til disse spørsmålene som vi skal håndtere også i tiden framover. La meg starte med å si, som flere har sagt, at dette har vært en krevende sak, som vi har gått dypt inn i, og vi har tatt grundige avveininger. Det er heller ikke sånn at grensen for når man kan bruke de ulike metodene, nødvendigvis er statisk og at det er en fasit på det. Det er derfor helt greit at

ekstremt krevende som politiker ikke å ivareta iallfall de innspillene vi får fra politiet og andre, som er så tydelig på at de havner lenger og lenger bak når det gjelder å ta de kriminelle, fordi de ikke har de virkemidlene som de trenger. Det var representanten Rotevatn som fikk meg til å ta ordet fordi han sa noe sånt som at når politiet ber om noe, gir vi dem det. Ja, jeg lytter til det når politiet sier noe. Men i proposisjonen er det gjort mange vurderinger av ulike tiltak som man hadde et ønske om å få, men som man ikke får, nettopp av personvernhensyn. På samme måte gjør komiteen ytterligere innstramninger av personvernhensyn. Man ønsker også at terskelen for f.eks. å bruke dataavlesning skal være høy. Men så er det andre områder der vi gir politiet gir politiet og PST mulighet til å kunne bruke verktøyene oftere. Det er ikke fordi, som Rotevatn sier, man skal overvåke det vi alle «bedriver tiden» med. Tvert imot er det veldig målrettet og skal kun brukes i tilfeller der domstolene finner at det er riktig – eller selvfølgelig hastekompetanse, men da er det grundig forsikring og sjekk av det etterpå. Årsmeldingene til både EOS-utvalget og Årsmeldingene til både EOS-utvalget og Kommunikasjonskontrollutvalget viser at det ikke misbrukes. Derfor styrker vi også budsjettet til Kommunikasjonskontrollutvalget, slik at de skal sikre det videre. Så er Rotevatn også inne på at vi senker terskelen slik at det ikke nødvendigvis skal være krav om organisert kriminalitet. Ta ett eksempel – drap. I dag er det altså greit å bruke det for å avverge et drap

det. Det er kanskje også hovedinnvendingen til Rotevatn, at den sklir nedover, fordi man kan argumentere sånn som jeg gjør nå. Derfor vil jeg til slutt bare vise til B. II i innstillingen, der vi understreker at vi vil ha dokumentasjon og følge bruken tett, for at det ikke skal skli videre. Jeg føyer meg inn i rekken av dem som alt i alt synes at dette er

Det er rett og slett et feilaktig inntrykk. Det handler nesten om grunnleggende anstendighet når man bruker den type påstander, at man også understreker at det gjelder dersom du har befatning med masseødeleggelsesvåpen, planlegger massedrap, terror eller trusler mot personer innen de tre statsmaktene Den andre påstanden som ofte er framsatt, gjerne fra aktører fra utsiden, er at domstolskontrollen forsvinner. Det er rett og slett ikke riktig. Det er også underlagt streng demokratisk kontroll gjennom Kommunikasjonskontrollutvalget. En annen påstand som er kommet fram, er at mistankekravet nå er fraværende, og at det nærmest er fritt fram for politiet etter eget forgodtbefinnende å iverksette disse metodene bare fordi det

som gjør at denne metodebruken til syvende og sist bare skal brukes når det er vesentlig behov for det. Det gjør at det totale volumet av denne metodebruken ikke kommer til å nå særlig store proporsjoner, og det er i alle fall langt unna den masseovervåkingen det er skapt et inntrykk av i visse kretser. Eg trur nok at det ordet ein har brukt mest i denne debatten – ved sida av terrorisme – er

kontrollerer det vi i denne salen gjev han moglegheita til å kontrollere – den utstrekninga heimlane gjev han moglegheit til å overvake. Det er det vi diskuterer i dag: Kor langt skal det vere mogleg å gå? Det stortingsfleirtalet seier, er at det skal vere mogleg å gå svært langt. Då har ikkje domstolane noko anna val enn å seie at det er greitt. Ein kan gå svært langt – ikkje berre for å etterforske det som har skjedd av alvorleg kriminalitet, ikkje berre for å stoppe det mens nokon er i ferd med å forberede det, men før det. Det var det eg tok opp i mitt første innlegg: Når ein lèt det gå så mange steg tilbake – mot sjølve tankeprosessen – er det vanskeleg for ein domstol å kontrollere kor stor grunn politiet eigentleg har til å undersøkje dette, som ein seier. Så peiker representanten Ropstad på at det ikkje berre er det at ein gjev fleire moglegheiter til overvaking, ein gjer også innstrammingar til fordel for personvernet. I den grad det å gå tre steg fram og eitt tilbake er ei innstramming, så har han kanskje rett. Men det ein forsøkjer å tilsløre her, er at ein i realiteten gjer det mogleg å gå lenger. Det er kanskje ikkje så rart at det skjer. For når representanten Ropstad står på talarstolen her og seier at viss ein berre kan førebyggje eit drap, så er ein villig til å bruke skjulte tvangsmiddel, fortel det meg at Kristeleg Folkeparti er for å førebyggje drap – det er også vi i Venstre – men at det er veldig få rettssikkerheitsskrankar som ligg i botnen. Det er problematisk. Så er det ikkje slik at dei av oss som er skeptiske til å innføre stadig nye overvakingsheimlar, er for terrorisme, for drap eller for grov narkotikakriminalitet. Men det er heller ikkje slik at fagmiljøa og forskinga peiker på at det vi no treng, er nye heimlar for å førebyggje og hindre den typen kriminalitet. Kva er lærdomane frå 11. september, frå bombene i London og Madrid eller frå 22. juli? Har lærdomane vore at ein har for lite overvaking? Viss vi går til vår eigen Gjørv-kommisjon, sa dei etter 22. juli: «Etter kommisjonens mening handler lærdommene» – frå 22. juli – «i større grad om ledelse, samhandling, kultur og enn mangel på ressurser» – eller – «behov for ny lovgivning». Eg synest vi skal lytte til det og gjere det som fungerer, ikkje det som tek oss i feil

tilnærming. Så vidt jeg har forstått det, er Venstre tilhenger av at man kan bruke skjulte metoder for å avverge drap – forutsatt at det er som ledd i organisert kriminalitet – men imot å avverge akkurat det samme drapet hvis det ikke er som ledd i organisert kriminalitet. Jeg tror ikke at avstanden sånn prinsipielt er så veldig stor som det en kanskje fikk inntrykk av ved representanten Rotevatns innlegg nå sist. sist. Det er noen terskelendringer, men å gi uttrykk for at det er noen dramatisk store endringer, mener jeg det ikke er grunnlag for. Representanten Asphjell sa også litt om det med terskel. Jeg opplever at det er veldig stor enighet i Stortinget om muligheten til å bruke skjulte metoder både i avvergende sammenheng og etterforskningssammenheng. etterforskningssammenheng. Det som har vært den største diskusjonen, er hvor langt en skal gå i forebyggende sammenheng, og det er ofte det som er blitt brukt som det jeg vil kalle litt spesielle eksempler, i offentligheten. Derfor har jeg lyst til å understreke følgende: For det første er det slik at PST allerede i dag kan bruke skjulte metoder for å forebygge terror, for å forebygge etterretning og spionasje og for å forebygge trusler mot myndighetspersoner.

Det er en liten utvidelse – og en velbegrunnet sådan – særlig når en ser den opp mot hva som er gjeldende rett. Det er ikke slik at politiet bare kan igangsette en slik overvåking. Det skal være grunn til å undersøke – altså ikke skjellig grunn til mistanke – men det skal være grunn til å undersøke. Det skal foreligge objektive holdepunkt, og det skal være grunn til å tro at dette inngrepet er av vesentlig betydning for å kunne forebygge handlingen, at at forebygging ellers i vesentlig grad vil bli vanskeliggjort, og at inngrepet ikke fremstår som uforholdsmessig. Så det er veldig, veldig, veldig langt unna det inntrykket som enkelte har forsøkt å skape, særlig i debatten utenfor denne salen, av at man nå gir politiet tilgang til nær sagt å kunne gjøre hva de vil med hvem som helst. Det er direkte

også med domstolskontroll. Det var det store temaet den gang, og det ble nedstemt av alle partier med unntak av oss. I dag går vi den veien. Vi syntes det var riktig da, og vi synes det er riktig nå, og vi har fortsatt på plass en domstolskontroll. Et annet element som tidligere lovgivning har vist at det har vært en svakhet i, er kravet om forbund, altså at man er flere enn én. Fremskrittspartiet var tydelig den gangen som den enkelte eller grupperingen er ute etter, som er viktig og som er nøkkelen til hvilke metoder som kan brukes – og ikke antallet. Jeg har stor respekt for at det er forskjellige argumentasjoner når det gjelder hvor langt man skal gå. Men til syvende og sist er det jo ettertiden som vil dømme oss ut fra treffsikkerheten vår på den lovgivningen vi legger fram, og som vi støtter. De som går imot det som nå skjer i dag, vil da i ytterste konsekvens kunne si at vi hadde rett. Eller så kan vi andre si at dere tok feil, og vi hadde rett, for den loven som nå blir vedtatt, hadde den fordelen at den faktisk ivaretok samfunnet på den måten som vi forutsatte. Det er jo det vanskelige med å drive lovgivning, for man står i en situasjon der en er nødt til å gjøre noe, og det er også ganske vanskelig å ignorere det når fagmyndighetene påpeker at vi har svakheter i systemene våre. Da kan man enten ignorere det og ignorere det når fagmyndighetene påpeker at vi har svakheter i systemene våre. Da kan man enten ignorere det og si at det må vi leve med, og ta den politiske konsekvensen, eller man kan gå videre med det, gjøre noe med det, og da ta en annen type politisk konsekvens. Men dette er for meg politikk. Sveinung Rotevatn har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Rotevatn har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Kor stor er avstanden – eigentleg – i denne debatten? Eg trur nok mange av oss har eit veldig forskjellig utgangspunkt, i alle fall. Nokre veit vi vil gå mykje lenger enn det som i dag blir vedteke, nokre av oss vil gå betydeleg kortare, og så har vi også historisk vorte einige om ein del plassar vi møtest på vegen. Eg har ikkje sagt at vi no innfører ei masseovervaking, eller men det eg seier, er at vi no tek ein del ganske store steg i feil retning. Det som også er eit problem, er at dette gjer vi nettopp steg for steg, og vi har gjort det i mange år. Ein av dei tinga Metodekontrollutvalet meinte var eit problem, var nettopp at dei ikkje hadde nok kunnskap om effekten av dei heimlane som allereie er innførte – kva er totalen av det dette stortinget vedtek med stadig nye små steg? Derfor vil eg avslutte debatten med å oppmode representantane til å stemme for det forslaget Venstre har til behandling i Stortinget

Venstre har levert et forslag sammen med SV om å fjerne forberedelseshandlinger til terror. Men som statsråden påpekte i sitt innlegg i stad, er det jo en mulighet med spionasje, og det er en mulighet med trusler mot myndighetspersoner. Så det er altså greit for Venstre at en skal kunne bruke skjulte tvangsmidler når det gjelder den type kriminalitet, men ikke med terror. Jeg sier det fordi det handler litt om tersklene, og det handler hvordan debatten framstår. For når angrepene kommer mot oss som så tydelig understreker at vi er opptatt av personvern, og vi har foretatt grundige avveininger som ivaretar personvern, så oppleves det litt hult når en bruker så store ord, og når en er med på det samme. Jeg ser f.eks. heller ikke, som statsråden påpekte, at det er forslag om å fjerne det som går på avverging av drap når det er organisert kriminalitet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Fra en

Den norske konkursloven har i dag ingen regler om virkningene av konkurs og gjeldsforhandlinger i utlandet eller om utenlandske insolvensbehandlingers virkninger i Norge. Det har blitt et problem fordi næringslivet blir stadig mer internasjonalisert. Proposisjonen adresserer dette, og en samlet justiskomité har sluttet seg til disse gode lovendringsforslagene. En proposisjon som dette skaper kanskje ikke de store overskriftene, men det å sikre en effektiv gjeldsinndrivelse vil bety mye for å skape sikkerhet og forutsigbarhet i næringslivet. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Forslagsstillerne tar utgangspunkt i NOVA-rapporten «Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis». Den ble utarbeidet på oppdrag fra fire departementer i mars 2013. Rapporten viser at taushetspliktreglene generelt blir oppfattet som verdifulle og nødvendige. En sentral tilbakemelding fra feltet er at de ikke oppleves som et hinder for samarbeid i praksis. Men rapporten viser også at informantene i liten grad leser lovverk, rundskriv og veiledere, til tross for at de kjenner seg usikre på gjeldende regler. Det er gjennomgående at ledelsens kunnskap om og opptatthet av regelverket har stor betydning for hvor godt den enkelte ansatte kjenner til regelverket. Et annet framtredende funn i rapporten er at det særlig er taushetspliktens unntaksbestemmelser som er lite kjent. Komiteen forutsetter at de funnene som er beskrevet i rapporten, følges opp i regjeringens arbeid som gjøres for å sikre at taushetsplikten fungerer som den skal, og ikke blir et hinder for å avdekke vold og overgrep. Komiteen er også opptatt av at en sikrer et godt samarbeid mellom de ulike etatene, mellom helsetjeneste, barnevern, politi osv., og at en har god kompetanse om regelverket for å kunne avdekke vold og overgrep. Komiteen er opptatt av og viser til arbeidet som gjøres med å fremme den forpliktende og helhetlige opptrappingsplanen som skal redusere vold og overgrep mot barn, og som skal komme til høsten. Komiteen har store forventninger til det arbeidet. Komiteen er også opptatt av straffeloven § 196 om den såkalte avvergingsplikten. avvergingsplikten. Etter komiteens mening er denne viktig, for for mange barn er det at noen griper inn utenfra, kanskje den eneste redningen de har. Det at avvergingsplikten er godt kjent, er komiteen. Komiteen understreker at vi er glad for at Riksadvokaten i sitt prioriteringsdirektiv har varslet at politi og påtalemyndighet i større grad må fokusere på å håndheve denne bestemmelsen. I den bestemmelsen. I den sammenheng viser en enstemmig komité til statsrådens svarbrev, der han viser til at det gjøres et arbeid, og at han vil vurdere om avvergingsplikten bør utvides til flere lovbrudd. Som han skriver: «Jeg vil vurdere disse spørsmålene nærmere med sikte på å utarbeide et eventuelt forslag om utvidelse av avvergingsplikten.» Komiteen

innsynsrett. Derfor fremmer en enstemmig komité også forslag som går på at regjeringa skal vurdere begrensninger i, eller utsettelse av, pårørendes innsynsrett i journal og partenes innsynsrett i dokumenter i barnevernssaker når det er til barnets beste. Det er mange felles komitémerknader og noen særmerknader, men det er også fremmet til sammen ni forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg har ikke tid til å redegjøre for disse forslagene, det forventer jeg at de vil gjøre. Men på vegne av Kristelig Folkeparti, og kanskje også på vegne av flertallet, har vår vurdering

Saken er kommet opp på grunn av behovet for tiltak for å hindre at taushetsplikt og regelverk står i veien for et godt tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn. Det er dokumentert behov for å iverksette tiltak for å sikre at praktiseringen av regelverket i de ulike etatene bygger på riktig lovforståelse og ivaretar hensynet til barnets beste. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, Rapport 3/13 om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt et godt eksempel på hvor krevende det reelt sett er å praktisere f.eks. bestemmelsen om unntak fra taushetsplikten. Rapporten viser også at taushetspliktens unntaksbestemmelser er lite kjent. Det er en utfordring at reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett finnes i ulike lover. De har til dels ulik utforming, heriblant i forvaltningsloven, helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, barnevernloven, barnehageloven og opplæringsloven. Det er en utfordring å samordne. NOVA-rapporten viser også at lovgivningen er dårlig harmonisert, særlig når det gjelder muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon med helsepersonell og ansatte i forvaltningen. Det fungerer ikke alltid slik at opplysningsplikten går foran taushetsplikten i barnevernssaker. For å ivareta barnets beste i volds- og overgrepssaker mener Arbeiderpartiet det er behov for å se de ulike lovverkene i sammenheng og få en helhetlig revisjon av lovbestemmelsene, slik at vi samlet regulerer taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett. Det må ikke være formelle hindringer eller manglende kunnskap som gjør det vanskelig for det offentlige å avdekke og følge opp saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Arbeiderpartiet mener at det er god kunnskap om disse problemstillingene. Det er tiltak og handling som mangler, og at en må gå grundig til verks gjennom samordning av lovverket. lovverket. Jeg viser til forslagene fra mindretallet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som hermed er tatt opp. Representanten Lise Wiik har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Alle disse etatene – det være seg barnehage, skole, barnevern, helsetjeneste eller politi – har ulike roller og ulikt lovverk å forholde seg til, og ikke minst ulik praksis. Disse etatene kan ha ulik forståelse og praktisering av reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i saker som omhandler volds- og overgrepsutsatte barn.

satt i gang flere utredninger, har satt ned utvalg og holder på å utarbeide veiledere og retningslinjer, nettopp med tanke på å bedre kompetansen til dem som arbeider innenfor dette viktige området. Kunnskap og kompetanseheving rundt regelverket i forvaltningen er viktig for å unngå at barn som skal fanges er viktig for å unngå at barn som skal fanges opp og få hjelp, ikke får den nødvendige hjelpen de har behov for. Med dette som bakgrunn forutsetter vi at regjeringen kommer tilbake med forslag til forbedringer i regelverket for taushetsplikt i saker som omhandler disse barna. Når det gjelder partenes innsynsrett, viser det seg at det kan være problematisk å klargjøre faktum i saken så lenge foreldrene har innsynsrett fra første stund. Det kan være situasjoner der barn bør få mulighet til å fortelle fra sin side i saken, uten at det skal påvirkes av foreldrenes innsynsrett. Derfor kan det være nødvendig å vurdere begrensninger i, eller utsettelse av, pårørendes innsynsrett i journal og i dokumenter i barnevernssaker, når det er til barnets beste, jf. forslaget.

Videre har også justisministeren varslet at regjeringen holder på med en gjennomgang for å se om avvergingsplikten bør utvides til å gjelde flere lovbrudd. Jeg tror jeg vil starte med å referere noe som komiteen har skrevet i innstillingen, og som jeg synes er særdeles viktig: «Taushetsplikten er viktig. Samtidig mener komiteen at det er umåtelig viktig å kjenne til dens unntaksbestemmelser og ikke minst en annen bestemmelse som avvergingsplikten. Komiteen vil vise til at denne plikten er nedfelt i straffeloven. Komiteen er bekymret for hvilke konsekvenser gjentatte brudd på melde-, opplysnings- og avvergingsplikten kan få for utsatte barn.» For meg er dette essensen i forslaget og i problemstillingen som er reist, og jeg ønsker også, som andre har gjort før meg, å gi honnør til forslagsstillerne. I mitt forrige liv jobbet jeg 15 år med ungdom som var utsatt for ulike overgrep, vold og tilsvarende. Jeg mener at det verste man kan gjøre, er å påføre barn som har vært utsatt for dette, i verste fall av noen av sine nærmeste, en ny type overgrep ved at systemene som skal hjelpe dem, faktisk ikke gjør det, men lar dem gå igjennom prosesser som de skal skånes for. I så måte er ethvert grep vi kan ta for å ivareta denne målgruppen, et godt tiltak. Jeg mener at det å ikke gjøre det på en måte vil være å akseptere at systemet er viktigere enn dem som trenger hjelpen, og det er en tilnærming som i hvert fall Fremskrittspartiet vil ta sterk avstand fra. I så måte er jeg glad for at regjeringen har en ambisjon om å følge det opp. Jeg forventer selvfølgelig at systemene jobber sammen med samme fokus, nemlig å bistå de som trenger hjelp, og ikke skjerme systemene for systemene sin del. Det vil etter mitt skjønn være en direkte skivebom i denne settingen. Jeg mener også at en måte kvaliteten i et samfunn på er å se hvordan man tar vare på de svakeste. Voldsutsatte barn er av de aller, aller svakeste. De har krav på den største oppmerksomheten, og på at vi gjør vårt ytterste for at deres hverdag skal bli så god som overhodet mulig.

Det er altså ikkje nok berre å vise til ekspertutval eller rettleiarar. Teieplikta, slik ho blir praktisert, står i vegen for at ungar skal få samordna hjelp frå dei ulike instansane. Senterpartiet ønskjer å sikre at teieplikta ikkje blir eit hinder for tverrfagleg samarbeid. Målet er jo at utsette og sårbare ungar skal få best mogleg oppfølging. Det er òg avgjerande at ungar blir høyrde, og at behova deira blir varetekne. Sjølvsagt er teieplikta enormt viktig,

Eit komplisert og fragmentert regelverk hjelper ikkje dei som må gjere desse vurderingane i praksis. Dette har det kome fleire tilbakemeldingar om. Eit tydelegare regelverk kan òg ha noko å seie for kva tillit privatpersonar har til korleis desse reglene blir praktiserte. Regelverket må derfor gjerast enklare, meir oversiktleg – og det må gjerast betre kjent. I tillegg til forslaga frå representantane frå Arbeidarpartiet, som som eg støttar, har eg to eigne forslag. Det eine gjeld journalinnsyn. Det andre gjeld avverjingsplikta. Det kan vere eit problem at foreldre har innsyn i journalane til ungane sine, i saker der foreldra sjølve er mistenkte for vald eller seksuelle overgrep mot desse ungane. Dette kan føre til fare for at bevis blir forspilte, eller at forklaringane blir tilpassa. Eg meiner derfor at pasient- og brukarrettigheitslova bør endrast, slik at det ikkje blir gjeve innsyn i journalane til ungane dersom det er fare for å forspille bevis i etterforskinga av ei straffesak. Eg fremjar derfor følgjande forslag: «Stortinget ber regjeringen legge frem et lovforslag om at det i pasientrettighetsloven § 5-1 tas inn at journalinnsyn ikke skal gis til foreldre og foresatte dersom det er fare for bevisforspillelse i etterforskningen av en straffesak, med det mulige unntak at midlertidig oppnevnt verge kan få rett på innsyn i når foreldre er mistenkt for straffbar handling mot egne barn.» Vidare er det urovekkjande at offentleg tilsette verken får nok informasjon om, eller opplæring i, avverjingsplikta. Medan offentleg tilsette underskriv erklæringar om teieplikt, erkjenner dei ikkje på same måte plikta dei har til å gje politimelding eller på annan måte avverje konkrete straffbare handlingar, som nemnt i straffelova § 196, slik som vald i nære relasjonar og vald mot ungar. Avverjingsplikta burde vore gjort kjent på lik linje med teieplikta, og relevante etatar bør lage erklæringar om teieplikt som må underskrivast av tilsette som gjennom yrket sitt kan kome i situasjonar der dei har avverjingsplikt. Ordlyden i straffelova § 196 om avverjingsplikta bør presiserast. Lovføresegna gjeld ei plikt til å avverje særs alvorlege lovbrot som grov kroppsskade, drap og mishandling i nære relasjonar. Det må òg vere sikkert eller mest sannsynleg at handlinga har vorte eller vil bli gjennomført. Det ligg dermed i karakteren til føresegna at det å avverje denne typen lovbrot krev politimelding, sjølv om det etter forholda òg blir opna for å kunne avverje på annan måte. Ordlyden i føresegna gjer ikkje dette klart. Det kan tolkast som om alternativa er likestilte. Dersom politimelding skal vere hovudregelen, bør ordlyden i føresegna føresegna presiserast. Vi har derfor fremja følgjande framlegg: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag som tydeliggjør avvergingsplikten i straffeloven § 196 og som presiserer at anmeldelse skal være hovedregelen etter denne bestemmelsen.» Arbeidarpartiet har tidlegare i debatten teke opp forslaga som vi står saman med dei om. I tillegg vil eg ta opp dei to nemnde forslaga frå oss i Senterpartiet. Representanten Jenny Klinge har tatt opp de

Det er et utrolig viktig arbeid som bidrar til å bedre kunnskapen vår om omfanget av vold og overgrep mot barn. Den viser en sammenlikning med situasjonen i 2007, og den gir også noen indikasjoner på om den innsatsen vi alle er så opptatt av skal gjøres, faktisk har de resultatene som vi ønsker at den skal ha. På enkelte områder, f.eks. den milde volden mot barn, har det vært en reduksjon i forekomsten. Den grove volden er like omfattende som tidligere. Det er også en stabilitet når det gjelder seksuelle overgrep mot barn. Det viser at det er en formidabel utfordring på veldig mange nivå, og slik sett har jeg lyst til å ønske velkommen det engasjementet som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennom disse forslagene viser. Så er det også slik at dette engasjementet, og det tror jeg er noenlunde godt kjent for denne sal også, deles av regjeringen. Det betyr at vi har vært svært opptatt av problemstillingene knyttet til taushetsplikt og handlingsplikt, og vi har satt i gang veldig mye arbeid, som jeg gjorde rede for i mitt brev til komiteen, for å sette oss i stand til å gjøre de riktige valgene. Det er fortsatt slik at det ikke er fremkommet sterke påstander om at det er regelverket i seg selv som er problemet, men at det er kunnskapen om, innsikten i og fortolkningen av regelverket og balansen i regelverket som har vært krevende. Derfor er det gjennomført et arbeid for å sikre veiledning. Det er gjennomført arbeid for å sikre informasjon og opplysninger. Det er igangsatt arbeid for å se på om en likevel bør vurdere lovendringer for å få likere bestemmelser på dette området. Det er et krevende og omfattende arbeid, men alle disse tingene er satt i gang. Jeg pleier ikke å bruke begrepet «å slå inn åpne dører», men jeg føler at dette forslaget bærer preg av det, også fordi det er så pass bred støtte til måten som vi egentlig er i gang med å løse dette på. Så forstår jeg at fra Arbeiderpartiets side mener de at det nå er tid for handling, og nå skal man ikke prate om dette lenger. Det er jo et prisverdig initiativ, og det er derfor vi faktisk handler. Men det er også viktig å handle riktig, og det forslagene i stor grad går ut på, er å be regjeringen om å gjøre noe regjeringen allerede gjør, og som Stortinget er kjent med at regjeringen gjennomfører. Jeg er veldig glad for at det har vært fokusert på dette gjennom en lang periode fra mange partier. Jeg har svart på spørsmål om denne problemstillingen mange ganger fra Stortingets talerstol, og jeg mener vi nå er i rute med dette arbeidet, og at den jobben som nå gjøres, vil legge forholdene godt til rette både for å spre informasjon, hindre misforståelser og eventuelt komme med forslag tilbake til Stortinget om regelendringer, hvis det viser seg at det er nødvendig å endre bestemmelser på dette punkt. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Som det står: Denne typen vold og overgrep er alvorlige, potensielt livstruende, og det er en klar sammenheng mellom vold og psykisk og fysisk helse. Han viser til forskning om at seksuelle overgrep, fysisk mishandling og omsorgssvikt har større betydning for psykisk og fysisk helse enn andre belastende hendelser. Det bør vi ha i mente når vi f.eks. bekymrer oss over en foruroligende vekst i antall unge med uførepensjon og psykiske diagnoser. Forrige arbeids- og sosialminister svarte på spørsmål fra meg at vi ikke vet om noen av disse unge uføre har vært utsatt for vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt. Det blir ikke registrert. Når vi besøker Nav-kontor som jobber målrettet med denne gruppa, svarer de at det er mange, et stort flertall. Jeg håper derfor at kommunene følger statsrådens oppfordring om å gjøre vold mot barn og unge til tema i beredskapsrådet. han påpeker, er slik vold et typisk sektorovergripende samfunnsproblem. Beredskapsrådene kan kartlegge omfang, avdekke svakheter, tette huller i samarbeidet mellom etater, fylle på der kompetanse mangler, og forebygge gjennom systematisk og løpende samarbeid på tvers. Det er å håpe at kommunene følger opp. Fylkesmennene bør være pådrivere. Alle fylkesbenkene har vel faste møter med sine fylkesmenn. Jeg skal ta oppfølging av statsrådens brev opp på neste møte med Fylkesmannen i Buskerud. Det bør også de andre stortingsrepresentantene gjøre. Koblingen til dagens sak er åpenbar. Et viktig poeng i Arbeiderpartiets forslag er at barn lider under misforstått taushetsplikt. Dårlig kunnskap om Vi ønsker økt kunnskap om de reglene som faktisk gjelder. Vi ønsker en regjering som tydeliggjør hvor taushetsplikten begynner og slutter, og hva avvergeplikten faktisk betyr. For når frykten for å gjøre feil tar overhånd, kan den vinne over frykten for at barn lider unødig. Det er ikke holdbart. Vi er litt uenige om tempo i denne saken, men enige om målet. Der vi ønsker handling nå, viser regjeringen og flertallet til utredninger og handlingsplaner. De fleste forslagene våre blir nedstemt i dag, men forhåpentligvis ikke glemt. Mens vi venter på utredninger og planer, må noe gjøres, det sa statsråden selv. Den grove volden og de seksuelle overgrepene fortsetter. Beredskapsrådene bør derfor sette økt bevissthet om de reglene som faktisk gjelder, på sin dagsorden. Etatslederne er et smart sted å begynne i så måte. Barn som har vært utsatt for vold eller er

Regelverket ligger der, som statsråden sier, men veldig mange er redde for å bryte loven som de skal forholde seg til. Noen avventer og tar ikke fatt, og ser om andre gjør det. Ofte er mange parter involvert. Derfor må taushetsplikten ikke være til hinder for at barn skal få hjelp. Økt kompetanse og mer systematisk opplæring kan bidra til at det skjer, både i utdanninga og også gjennom det daglige virke. de fleste tilfeller må flere etater samarbeide om barna, og alle må vite hva de kan formidle. Gode veiledere, kurs, etter- og videreutdanning og at dette blir en større del av undervisningen, er gode tiltak. Når barn forteller sin historie og om vonde opplevelser og gjør det i tillit til at dette ikke fortelles videre, er det vanskelig å forklare for barnet at det likevel skjer. Partsinnsynet gjør at foreldre i konflikter kan se hva som er sagt, og de kan kreve dette. Barnet skal i mange tilfeller tilbake til begge eller til en av dem, og vi kan tenke oss hva som skjer. Kunnskap gir makt, og maktforholdet i disse sakene går på bekostning av barna. Tilliten som fagfolk opparbeider seg, blir fort brutt. Neste samtale kan ikke bli like lett. Når komiteen nå foreslår at det bør vurderes videre hvordan en forsinket innsynsrett kan gjøres samtidig som foreldre ivaretas, er det bra og viktig. Vi må ikke la innsynsretten bidra til at opplysninger ikke kommer fram på grunn av redsel eller påvirkning. Her må vi se på hva som er viktigst og best for barna og saken. Jeg mener at barnas røster som har kommet tidlig fram gjennom det Forandringsfabrikken sier, bør høres. synd de ikke får flertall, men jeg håper og tror at statsråden tar dem med seg videre inn i alt det arbeidet som pågår. Når statsråden sier at arbeidet er i gang, er det kjempefint. Men vi er utålmodige. utålmodige. Jeg tror at saker som dette må vi ta opp, prate om og løfte opp i samfunnsdebatten for at vi skal ufarliggjøre det å melde og ufarliggjøre taushetsplikten, sånn at det ikke blir det ondes vilje. Takk til statsråden for at han tar dette videre, for det regner jeg med at han kommer til å

Flertallet ønsker ikke å lovfeste, men sørge for en bedre praksis av nåværende lover. Det er ikke stor skilnad mellom det. Det er gledelig at det er en så bred enighet i salen om å gjøre det beste for å hjelpe de mest utsatte barna våre. Det setter jeg stor pris på. Jeg vil allikevel utfordre statsråden på ett område: Når det ikke blir en felles lovgivning, ligger det et koordineringsansvar mellom de forskjellige etatene. Jeg hadde ønsket at statsråden hadde orientert noe mer om hvordan han tenker å ivareta det samordningsansvaret. Er det slik at det er denne statsråden som sitter med koordineringsansvaret, eller vil gripe det ansvaret? Jeg kunne veldig gjerne ønske å få litt mer forklaring på det slik at de ulike etatene er i et bedre fellesskap enn nå. Nå opplever vi at det er for fragmentert. Jeg er egentlig ikke så veldig stor uenighet i salen knyttet til viktigheten av dette området. Alle har de samme intensjonene. Og det kan jo faktisk være at vi under det arbeidet som vi nå har satt i gang, vil konkludere med at det er behov for lovendringer, og at vi da kommer tilbake til Stortinget med lovendringer. Det er på ingen måte slik at kroken er satt på døren for eventuelle lovendringer, men nå har vi altså en utredning på gang som bl.a. skal identifisere det behovet. Så Så er det riktig også som representanten Wiik sier, at dette er et ansvar som på mange måter er spredt på ulike departementer. Derfor har det vært viktig for oss at vi koordinerer innsatsen, at vi lager felles veiledere, og at vi jobber i fellesskap for at alle relevante etater skal få den samme informasjonen om grensene for taushetsplikten og grensene for avvergingsplikten. Det er et arbeid som har pågått over tid. Det foreligger mange resultater fra dette, men vi ser likevel at det fortsatt er for stor usikkerhet ute. Der har vi som regjering et viktig ansvar, og etatene har et viktig ansvar, for å sikre at en får den nødvendige kunnskap og innsikt som gjør at en ikke praktiserer dette i strid med det som er regelverkets intensjoner. intensjoner. Derfor er det også viktig når vi nå har gjennomført det vi har gjort, laget de veilederne som er laget, og får kunnskapsmaterialet for hvordan status rent faktisk er, å vurdere grunnlaget for eventuelle lovendringer også. Det er klart at det ville vært en fordel hvis vi kunne fått lovbestemmelser som var likere formulert. Utfordringen med det er at det ivaretar ulike hensyn på ulike områder, og det er noen forhold som gjør at det kan være noe komplisert. Men det arbeidet er altså i gang, og vi kommer tilbake til Stortinget hvis det skulle vise seg å være behov for noe mer, derunder eventuelle lovendringer. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til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

I tillegg nyter norsk eksportindustri store fordeler av en enklere og raskere transport over landegrensene. Flertallet er enig i at grensesamarbeidet og mer åpne grenser øker risikoen for grenseoverskridende kriminalitet og illegal innvandring. Schengen-avtalen inneholder derfor en rekke kompenserende tiltak for å bekjempe både grenseoverskridende kriminalitet og illegal innvandring. Dette omfatter bl.a. reglene om kravene til personkontroll ved ytre grenser. I tillegg kommer etableringen av et nært operativt politisamarbeid og et rettslig samarbeid om visumspørsmål. Schengen-samarbeidet har vært under press i forbindelse med den økte migrasjonsstrømmen. Fravær av en nasjonal grensekontroll betinger økt og skjerpet Grensekontrollen ved Schengens – rettere sagt Europas – yttergrense i dag er ikke god nok. På denne bakgrunn har flertallet i komiteen forståelse for at regjeringen, på lik linje med EU-landene, har tatt i bruk Schengen-regelverkets bestemmelser om å gjeninnføre midlertidig personkontroll ved de indre grensene. EU arbeider derfor aktivt med å utforme ulike tiltak for å sikre at medlemslandene som har utfordringer ved yttergrensene, kan settes i stand til å håndtere disse. Komiteens flertall ber regjeringen i forhandlingene med de europeiske landene jobbe for en tilfredsstillende yttergrensekontroll, og understreker betydningen av at man faktisk har kontroll ved yttergrensene for å hindre ukontrollerte sekundærbevegelser i Europa. Dersom Norge skulle tre ut av Schengen-samarbeidet, hvilket komiteen selvsagt ikke anbefaler, vil kostnadene ved grensekontrollen øke. Norge vil i så fall miste tilgangen til Schengens informasjonssystem, som er en viktig kilde til informasjonsutveksling med tilsvarende myndigheter i andre Schengen-stater. Politiets evne til å avdekke, forebygge og hindre organisert kriminalitet vil settes betydelig tilbake, og vår sikkerhet vil kunne svekkes. Flertallet understreker at den delen av Schengen-avtalen som regulerer politisamarbeidet, er av avgjørende betydning for den nasjonale sikkerheten. Dessuten vil en gjeninnføring av grensekontrollen innebære betydelige konkurranseulemper for norsk næringsliv og økonomi, som komiteen ikke vil anbefale.

Norge og Island fikk, som medlemmer av den nordiske passunionen, assosiert status til Schengen-avtalen i 1996, ettersom det allerede var etablert passfrihet med Danmark, Finland og Sverige. I dag ser vi at den nordiske passfriheten er under press, og at den midlertidige ID- og passkontrollen som er innført i Danmark og Sverige, truer Schengen-avtalen, som har vart i over 20 år og i dag omfatter 26 land.

De praktiske konsekvensene av Schengen-avtalen blir derfor for folk flest at man slipper passkontroll, og ikke minst at norsk eksportindustri, som i dag er under stort press, har store fordeler av en lettere og raskere transport av sine varer til det europeiske markedet. Flertallet i komiteen er selvsagt klar over at åpne grenser øker risikoen for grenseoverskridende kriminalitet og illegal innvandring. Det er også lettere for asylsøkere med oppholdstillatelse i ett Schengen-land å reise til et annet, og tilsvarende at myndighetene i ett land har anledning til å avvise asylsøkere som har fått avslag i et annet Schengen-land. Avtalen innebærer også felles regler når det gjelder bekjempelse av terrorisme, ulovlig narkotikahandel og andre former for grov internasjonal kriminalitet. Blant annet vil politipatruljer få anledning til å forfølge personer over landegrensen på et ferskt spor og til å drive observasjon av mistenkte. Slik virksomhet er likevel underlagt nasjonal kontroll, og utenlandske politifolk kan ikke utøve politimyndighet på fremmed territorium, f.eks. arrestasjon. For Arbeiderpartiet og flertallet i komiteen er det viktig å presisere at vi registrerer at grensekontrollen ved Europas yttergrense ikke er tilstrekkelig, og at regjeringen på lik linje med andre må ta i bruk Schengen-regelverkets bestemmelser om å gjeninnføre midlertidig personkontroll på indre grense. Arbeiderpartiet vil også understreke at avtalen inneholder flere kompenserende tiltak for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet og illegal innvandring. Fravær av nasjonal grensekontroll betinger kontroll ved Schengens yttergrense. Derfor er det av stor betydning at EU får på plass tiltak og felles regelverk som bidrar til å styrke sikkerheten ved grensene, men samtidig får på plass ordninger som sikrer raske og effektive grensepasseringer som ikke svekker konkurransekraften til norsk næringsliv og økonomi. Arbeiderpartiet kan ikke støtte forslag som vil medføre en svekkelse av vår sikkerhet og bidra til at politiets evne til å avdekke, forebygge og hindre organisert kriminalitet og Visa Information System er viktige kilder for informasjonsutveksling med tilsvarende myndigheter i andre Schengen-land. Helt avslutningsvis vil jeg fra Arbeiderpartiets og flertallets side understreke at den delen av Schengen-avtalen som regulerer politisamarbeid, har stor betydning for vår nasjonale sikkerhet, både nå og i

de ivrigste forsvarerne av Schengen-systemet i dag må nok innrømme at Schengen som sådan har store utfordringer. Derfor er det helt naturlig at EU har tatt dette på alvor, at Norge har tatt dette på alvor, og at vi har deltatt på de arenaer som finnes, med justisminister og andre, for å snakke om hvordan vi kan styrke Schengen, slik at man kan gjøre den jobben man faktisk er satt til. I tillegg er det heldigvis – og jeg sier heldigvis – slik at det i denne avtalen også er mulig å innføre egen nasjonal grensekontroll hvis Schengen ikke leverer ved yttergrensene sine. Regjeringen har benyttet de mulighetene som finnes, og det er jeg og Fremskrittspartiet glad for. I den situasjonen vi har hatt det siste året, med den økte asylstrømmen og den økte terrorfaren vi vet finnes, og at vi vet at det finnes og kan finnes terrorister som gjemmer seg blant asylantene, er det klart det er viktigere enn noen gang at Europa har kontroll over hvem som kommer inn til vårt kontinent. Det var nok flere enn meg – også i justiskomiteen – som ble en smule overrasket da vi var i Italia i januar og hørte om hvordan systemet med Schengen-kontroll hadde fungert på yttergrensene for et år siden,

Jeg og Fremskrittspartiet er veldig opptatt av at så lenge Schengen ikke kan garantere hermetisk lukket grense, med grensekontroll av hvem som kommer, må regjeringen ha de fullmaktene som kreves, og som man har, for å kunne ha nasjonal grensekontroll. Vi ønsker faktisk å vite hvem som kommer til vårt land. land. Med den økte terrorfaren vi har hatt over oss de siste årene, er det viktigere enn noen gang. Jeg personlig skjønner godt at mange stiller spørsmål, og jeg har stilt spørsmål selv, men uansett, hvis man virkelig vil ut av Schengen, er det kanskje det dårligste tidspunktet å gå ut for det er jo nå, når vi først er i systemet, vi trenger den informasjonsutvekslingen som eksisterer, slik at vi kan gjøre en skikkelig jobb med grensekontrollen. Derfor er det helt umulig å støtte forslag om at det er nå man skal melde seg ut, og at det er nå man skal diskutere en fellesnordisk passunion. Det er ingen, verken i Sverige eller i Danmark, som er interessert i å diskutere det nå. Nå er man interessert i å få Schengen til å fungere. Men jeg skal gjerne være med og diskutere veien videre, hvordan Schengen skal bli bedre. Jeg er veldig for at Schengen-systemet må få ressurser til å bli satt i stand til å gjøre jobben vi har utpekt det til, og så må vi kunne ha nasjonal grensekontroll inntil alle ting er på plass ved Schengens yttergrense. Europa blir utfordret av den økte året. Det er klart det gjør inntrykk når man hører om at enkelte terrorister som har slått til i Paris og Brussel, har skjult seg i denne asylstrømmen. Det viser at vi står overfor noen utfordringer som for få år siden var noe man ikke så som naturlig i Europa. Men vi står i den situasjonen i dag. Fremskrittspartiet er opptatt av at regjeringen må ha nødvendige fullmakter til å sikre nasjonal grensekontroll hvis Schengen ikke leverer, men samtidig må vi altså gi Schengen midler, ressurser og mannskap til å få gjort den jobben de er satt til.

at det å byggje ned dei nasjonale grensene mellom landa ville føre til problem med meir grenseoverskridande kriminalitet. Vi har sett ei utvikling dei siste åra med meir mobil kriminalitet og menneskehandel, og vi veit òg at terroristar nyt godt av nedbygde nasjonale grensekontrollar. Andre parti, som i årevis har vore imot å innføre igjen nasjonal grensekontroll, har brått omtalt nettopp grensekontroll som viktig, etter at det sidan i fjor haust har kome mange asylsøkjarar til landet vårt, men desse partia vil ikkje tre ut av den avtalen som no gjer det umogleg å ha nasjonal styring over grensekontrollen. Dei vil basere seg på å søkje om – og forhåpentlegvis få lov til – å utvide den mellombelse nasjonale grensekontrollen inntil vidare. Som representant for eit parti som er oppteke av nasjonalt sjølvstyre, er dette både vanskeleg å forstå og vanskeleg å godta. Som Schengen-medlem er Noreg ein del av eit større område som har felles yttergrense og indre reisefridom. Føresetnaden for dette samarbeidet er at alle Schengen-landa gjennomfører det felles regelverket på ein effektiv og forsvarleg måte. Denne føresetnaden har ikkje vorte oppfylt. Ein kan gå så langt som å seie at yttergrensekontrollen har rakna mange plassar. Til og med statsrådar frå den blå og svært EU-venlege regjeringa har påpeikt at yttergrensekontrollen til Schengen-området er altfor dårleg. I praksis handlar dette om at Schengen-avtalen tek frå oss viktige verktøy for å kunne stoppe kriminelle personar og kriminelle miljø.

men Schengen-reglane set grenser for kor lenge slik nasjonal grensekontroll kan vare. Schengen-avtalen er no under sterkt press, og det er mykje debatt i Schengen-landa om framtida til avtalen. Senterpartiet har heile tida vore skeptisk til Schengen, og har lenge peikt på at yttergrensekontrollen i for store delar av dette området har vore for svak. Ei nærliggjande løysing er å innføre nasjonal grensekontroll på nytt. God grensekontroll er heilt nødvendig for å kunne hevde nasjonal suverenitet, og nasjonal grensekontroll er eit viktig og effektivt verktøy for å stoppe personar som ikkje bør ha tilgang til riket. Staten vil òg få meir kontroll med kven som oppheld seg innanfor landegrensene. Eg vil understreke at vi har ei rekkje avgrensa avtalar om samarbeid mellom Noreg og EU som, uavhengig av tilknytinga vår til Schengen, skal vidareførast. Døme på dette er samarbeidsavtalar med Europol Slike avtalar kan framleis vidareførast trass i at Noreg går ut av grensesamarbeidet, på same vis som Storbritannia og Irland har justispolitiske avtalar med EU utan sjølve å vere medlemer av Schengen. Det er snakk om å vere løysingsorientert, og det er mogleg å finne løysingar i samarbeid med landa og EU. I representantforslaget vårt peiker vi på at ein reetablert nordisk passunion vil kunne vere ei betre løysing enn det grensesamarbeidet vi har ut frå Schengen-avtalen i dag. Nordisk samarbeid er viktig for Noreg. Noreg var i fleire tiår ein del av ein nordisk passunion, før vi slutta oss til Schengen-avtalen, men vi ser at det av ulike grunnar ikkje nødvendigvis er mogleg å finne ei nordisk løysing på kort sikt. Arbeidet for dette må likevel begynne no. Eg vil vidare understreke at moderne teknologi gjer at grensekontroll ikkje treng å vere særleg inngripande, tidkrevjande eller til ulempe for dei som kryssar grensene. Sikkerheitskontrollen kan ta lengre tid enn ein passkontroll. Det er derfor ikkje eit vektig argument mot å innføre nasjonal grensekontroll på nytt. Eg vil gjenta at målet med å innføre grensekontroll for reisande frå Schengen-land er omsynet til sikkerheita til riket, det å førebyggje grenseoverskridande kriminalitet og få betre kontroll med kven som kjem til og oppheld seg i Noreg. Derfor må landet tre ut av dei delane av Schengen-avtalen som omhandlar grensekontroll. Til slutt vil eg ta opp Senterpartiets forslag i saka.

Jeg synes det er et utfordrende forslag, selv om jeg også ser at Schengen, slik det fungerer i dag, har store utfordringer. Jeg skal komme litt tilbake til det. Det er et dilemma med forslaget fra Senterpartiet når representanten Klinge fra talerstolen sier at en må ha kontroll på hvem som skal komme inn i Norge, og de som ikke har noe her å gjøre, f.eks. kriminelle, skal en kunne stanse ved grensen. Men en forutsetning for å stanse kriminelle ved grensen er at en vet at de er kriminelle, og det er Schengens informasjonssystem som skal gi oss den informasjonen. Det er informasjon som vi ikke vil få tilgang til hvis vi melder oss ut av Schengen. Jeg tror det er litt vanskelig å få EU med på en ordning hvor vi skal ha alle fordelene av Schengen-medlemskapet når det gjelder samarbeid og informasjonsdeling på den ene siden, men ikke ulempene, som innebærer felles ansvar for yttergrensekontrollen, på den andre siden. Derfor synes jeg forslaget fremstår som krevende å forstå, særlig i den situasjonen vi er i nå, som representanten Leirstein også var inne på. I tillegg vil det ha som konsekvens at Dublin-avtalen ville

Så er det også slik at Dublin-avtalen ikke fungerer etter hensikten i dag, på grunn av den situasjonen vi er i, men det er et annet spørsmål, som jeg kommer tilbake til. I tillegg vil forslaget medføre kostnader i milliardklassen. Det er kostnader som i stor grad blir belastet politiet, og hvis en ser på den ressurssituasjonen politiet er i, som er langt bedre enn det den var under den rød-grønne regjeringen, riktignok,

Når Norge har gjeninnført nasjonal grensekontroll av ferger fra Sverige, Danmark og Tyskland, var det i utgangspunktet etter Schengen-regelverkets bestemmelser, som sier at vi ikke kunne opprettholde den kontrollen lenger enn til nå i sommer. Men også EU, Schengen, kommisjonen og rådene ser jo at vi nå befinner oss i en helt ekstraordinær situasjon, og derfor er det gitt anledning til å forlenge den grensekontrollen til november. Det er jeg veldig glad for, og jeg mener det er en avgjørende forutsetning for at vi skal kunne ha muligheten til å ha bedre kontroll over hvem som kommer inn over grensene våre, slik situasjonen er nå. Men den felles oppgaven vi alle har nå, er å få Schengen til å fungere, slik at vi får kontroll på yttergrensene. Vi må bidra med ressurser og kapasitet for å sikre at vi får lukket grensene, at vi får returavtaler som gjør at vi sikrer at Schengen-systemet kan fungere etter hensikten igjen. Hvis vi ikke lykkes med det – mot formodning – er jeg enig i at en må vurdere ulike alternativer. Og da tror jeg hele EU og Schengen blir avhengig av å vurdere ulike alternativer. Men det som må være den primære jobben akkurat nå, er å få Schengen-systemet til å fungere optimalt, gjeninnføre full kontroll på yttergrensene og bidra med det vi kan bidra med. Da vil vi få kontroll over terrorister eller andre som forsøker å komme seg inn i ikke bare Norge, men hele Europa. Europa. Vi vet, basert på de erfaringene vi har bak oss nå, med angrep ulike steder i Europa, at terror kan flyttes mellom land, og jeg er ganske overbevist om at en del av de tilfellene vi har sett, ikke ville hindret personer som vi vil ha ønske om å hindre kommer inn i Norge, fordi vi da ikke vil ha tilgang til den informasjonen som vi i dag har tilgang til.

Mitt spørsmål til statsråden er: Kvifor sluttar nasjonal grensekontroll å vere viktig viss EU får kontroll på asyltilstrømminga? Jeg er tilhenger av EØS-avtalen. EØS-avtalen skal bidra til at vi kan forflytte mennesker og næringsliv så vidt og bredt som mulig innenfor EØS-området. Schengen-avtalen er en viktig oppfølging av den ideen, slik at en reelt sett har passfrihet mellom medlemslandene. Det er en idé som bidrar til å styrke kampen mot kriminalitet, fordi alle de nasjonale politimyndighetene i Schengen-området samarbeider om informasjonsutveksling og kampen mot organisert kriminalitet og grenseoverskridende kriminalitet på en måte en måte som vi aldri tidligere har hatt. Skal vi få det systemet til å fungere, må vi være en del av Schengen. Men det forutsetter selvfølgelig at en av grunnpremissene ved hele Schengen-avtalen er oppfylt, nemlig at en har kontroll på yttergrensene. Det er helt avgjørende at den kontrollen blir gjenopprettet, slik at vi igjen kan få et fungerende Schengen. Det er først når vi har et fungerende Schengen, det fremstår som aktuelt å fjerne den nasjonale grensekontrollen som vi nå

Det er jo viktig frå mi side å presisere at Noreg openbert har ein stor fordel av å ha justispolitiske avtalar med EU, men den fordelen går òg andre vegen. EU har fordelar av å ha eit samarbeid med Noreg. Eg spør statsråden: Meiner han verkeleg at vi kjem til å bli behandla veldig annleis enn f.eks. Storbritannia og Irland, for dei er heller ikkje medlemer av Schengen, viss vi skulle tre ut? Det vil EU. Det samarbeidet som vi nå får en del av gjennom Schengen-samarbeidet, får vi nettopp på grunn av Schengen-samarbeidet. Hvis vi ikke er en del av Schengen-samarbeidet, har vi ingen avtalerelasjon på dette sikkerhetsområdet. Vi får ikke tilgang til den informasjonen som er registrert i Schengen-systemet, og det vil være et alvorlig slag mot kampen mot organisert kriminalitet og også mot kontrollen innenfor våre egne grenser. Jeg er helt enig i at alt ikke kommer til å rakne hvis vi gjeninnfører nasjonal grensekontroll – overhodet ikke. Men det vil skape en rekke sikkerhetsmessige utfordringer, i tillegg til at det løser noen andre. Det vil skape en rekke informasjonsutfordringer og samhandlingsutfordringer som jeg tror det blir krevende å håndtere. I tillegg pålegger vi altså borgerne våre og næringslivet vårt en masse ulemper og tar penger fra politiets andre satsingsområder. Jeg synes ikke det er verdt det.

grensekontroll. Da er det forunderlig i debatten i dag at ikke Fremskrittspartiet og Høyre, regjeringen, ser at det systemet man har bygd opp, med én felles europeisk yttergrense, ikke er tilstrekkelig til å ha kontroll, verken med ulovlig innvandring eller med grenseoverskridende kriminalitet. Er det slik at Fremskrittspartiet nå er prinsipielt imot å innføre mer nasjonal grensekontroll, eller er man bare redd for å gå på tvers av EUs

yttergrensekontrollen. Så har ikke vi noen prinsipielle motforestillinger mot å gjeninnføre nasjonal grensekontroll når det er behov for det. Det er derfor vi har gjeninnført nasjonal grensekontroll for fergeanløp fra Sverige, Danmark og Tyskland, nettopp fordi vi mener at vi nå er i en unntakssituasjon i Schengen. Og det er et ansvar hos alle normalposisjonen og normalsituasjonen med Schengen, slik at vi kan få ut de fordelene det faktisk er, både informasjonsdeling for næringsliv og personer og andre fordeler knyttet til Schengen-samarbeidet. Men da må vi også bidra til å rette opp i de manglene som nå er tilfellet langs yttergrensen. De viktigste enkelttiltakene for at vi fikk mer kontroll over innvandringsstrømmen i fjor høst, var ulike tiltak for grensekontroll, at vi fikk opp igjen et system på innvandringsstrømmen i fjor høst, var ulike tiltak for grensekontroll, at vi fikk opp igjen et system på Storskog, slik at vi fikk kontroll over den grensen, at Sverige og Danmark har innført grensekontroll, og at vi innførte grensekontroll på visse punkter. Det var på tvers av det som på en måte er intensjonen med Schengen-avtalen, men der man har en unntaksbestemmelse på seks måneder. Nå har den tiden gått ut. Hvis den norske regjeringen får beskjed Brussel om at en ikke får lov til å fortsette med nasjonale tiltak for grensekontroll, vil det da være nasjonale interesser som veier tyngst, eller vil det være å føye seg etter Brussel? Det er en hypotetisk problemstilling, for vi har allerede fått kommisjonens og rådets aksept for at vi skal fortsette med denne grensekontrollen, i første og med november. Jeg legger til grunn at EU på den måten har akseptert at en har nasjonale grensetiltak, så lenge situasjonen innenfor Schengen-området er slik som den er i dag. Så den interessen er allerede ivaretatt på en god måte og i samråd og i samarbeid med Schengen- og EU-systemet. Alle er opptatt av at vi skal få Schengen-systemet til å fungere. Alle bidrar nå for at vi skal klare å håndtere den situasjonen, som er ekstraordinær. Det har allerede vært gjennomført tiltak som bidrar veldig sterkt til å redusere migrasjonen til Schengen fra Tyrkia, og det er på trappene et helt nytt grensesystem for Schengen, som er en helt annen måte å løse grensekontrollen på, med enda strengere krav til medlemslandene og enda strengere oppfølging fra Schengen selv.
ta éin ting til, for det haglar med påstandar om kva som kjem til å gå gale dersom ein går ut av Schengen-samarbeidet. Det er berre éin ting eg har lyst til å spørje justisministeren om, konkret. Det er den påstanden han kom med om Dublin-avtalen og det som gjeld asyl, som òg vi i Senterpartiet sjølvsagt er opptekne av at vi skal ha fornuftige avtalar om i Europa. Men no er det jo slik at verken Storbritannia, Irland, Romania, Bulgaria eller Kypros er med i Schengen, men dei er med i Dublin II-forordninga. Eg synest justisministeren går veldig langt i å påstå at vi må ut av sjølve det justispolitiske samarbeidet, vi må ut av Dublin-avtalen, osv., dersom ein går ut av Schengen, og knyter det så sterkt opp til akkurat dette grensesamarbeidet. Eg vil gjerne at statsråden statsråden. Jeg forsøker ikke å drive propaganda for noe som helst; jeg forsøker å gi uttrykk for den måten jeg oppfatter situasjonen på, og det mener jeg det er godt hold i. Jeg tror ikke vi kan gjøre som Jenny Klinge forsøker å gjøre, nemlig å se på EU som en slags à la carte-meny: Vi plukker ut det vi synes det er all right å være med på, og så gidder vi ikke bidra på de områdene der EU trenger oss. Det å melde seg ut av Schengen vil ha store konsekvenser, det vil f.eks. bidra til at vi ikke føler noen forpliktelse til å bidra til å gjenopprette kontrollen på Schengen yttergrense, for våre ressurser må da utelukkende gå til å håndtere våre egne nasjonale grenser. Dublin-avtalen er en ganske nært knyttet del av Schengen-området, og jeg tror det er illusorisk å tro at vi kan opprettholde en Dublin-avtale og en samarbeidsavtale om retur av asylsøkere som har ankommet et førsteland, hvis en ikke har Schengen-avtalen. Hele poenget med denne koblingen er jo at det første ankomstlandet skal ta ansvaret. Og hvis det første ankomstlandet alltid vil være et land vi ikke har noen reell avtalerelasjon til, vil de selvfølgelig heller ikke være med på

Dette er egentlig for alvorlig til å bli møtt med et skuldertrekk. Det ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte i 2013 at Norge skulle ut av Schengen-samarbeidet. Da risikerer man mye. Man risikerer bl.a. en opphoping ved Norges grenser, at man ikke kan få returnert personer som søker asyl i Norge. tre ut av kraft, og Norge har ingen rett til å få returnert personer som ikke har rett til opphold i Norge. Man kan se litt mer konkret på andre konsekvenser av dette, hva som vil skje på grensen til Sverige. Grensen mellom Norge og Sverige er Europas lengste grense. Den er på 1 630 km. Det er 50 grenseoverganger. Hvis man der skal ha kontinuerlig grensevakt, og på Svinesund, der det er 5 millioner passeringer i året, vil man utløse et enormt behov for midler for å kunne betjene det. I Norge er det 70 millioner enkeltutreiser fra landet. Hvis man skal ha passkontroll av disse, ser man selv hvilket enormt kontrollsystem man da er i ferd med å rigge på plass. Vil Senterpartiet gå inn for dette? Har man på en måte gått inn i konsekvensene rundt dette? Og som justisministeren var inne på: Ved å gå ut av Schengen-samarbeidet settes man tiår tilbake hva gjelder muligheten til å føre kamp mot den grenseoverskridende kriminaliteten. Man får ingen tilgang til Schengens informasjonssystem, som er helt avgjørende for veimyndighetene, tollmyndighetene og politimyndighetene for å kunne føre en effektiv kriminalitetsbekjempelse på Mon tro om dette forslaget om å melde oss ut av Schengen kom opp – ja, hva skal jeg si – på landsmøtet til Senterpartiet utenom selve landsmøtesalen, kanskje på landsmøtefestene i Senterpartiet, som er viden kjent for å være hyggelige og kreative? Jeg merker meg at Fremskrittspartiet og Høyre tydeligvis synes at Schengen er en kjempesuksess, at det

fiasko. Da Schengen ble satt på prøve, klarte man ikke å fange opp de problemene som var der. Når det var en krise, var det ikke robust nok. Og når man begynner å sette spørsmålstegn ved det, angriper man dem som stiller spørsmål, istedenfor å stille kritiske spørsmål med hensyn til det systemet vi har sluttet oss til. For Schengen har ikke fungert når det ble satt på prøve, som store deler av det andre EU-systemet. Da det var finanskrise i Europa, og euroen ble satt på prøve, klarte ikke EU å reagere. Når vi nå tiltak. Det var da vi gikk på tvers av Schengen, at vi klarte å få kontroll – da nasjonalstatene begynte å innføre nasjonal grensekontroll, og så har EU måttet føye seg etterpå. Så EU-systemet har ikke vist at det takler den krisen vi nå står overfor, og det har ikke vist at det takler kriser tidligere. Men nasjonalstaten har vist en helt annen evne til å takle kriser, og derfor er ikke grensekontroll noen raritet. Det har vært en normalitet, det har vært et kjennetegn på en stat at en har kontroll ved egne grenser. Det var det største problemet i høst, da regjeringen sto handlingslammet og så på at den ikke hadde kontroll på grensen ved Storskog. Det skapte usikkerhet i landet, og så klarte man – etter press fra Stortinget – endelig å handle og få kontroll på grensen der, for det må et land ha. Så forstår jeg at Anders Anundsen er fortvilet over det, for det var fortvilende å se hvordan regjeringen reagerte også på den situasjonen vi sto overfor. Den norske regjeringen turte ikke å si at man ville ha nasjonale tiltak på grensen før den svenske og danske regjeringen sa det, for det var fortvilende å se hvordan regjeringen reagerte også på den situasjonen vi sto overfor. Den norske regjeringen turte ikke å si at man ville ha nasjonale tiltak på grensen før den svenske og danske regjeringen sa det, for man tør ikke å innføre tiltak på egen hånd. Senterpartiets mening er at vi må kunne ha det virkemidlet, og dette forslaget tar også opp – og vi utfordrer regjeringen på – å gå inn i en dialog med våre nordiske naboer for å diskutere: Kan vi igjen ha mer av et nordisk grensesamarbeid? For EUs grensesamarbeid har ikke vist at det fungerer. Men for fungerer. Så bør regjeringen være krystallklar på én ting. Regjeringen har vært vag i diskusjonen om en felles kyst- og grensevakt i Europa. For det er EUs svar, at man skal avgi mer makt og bygge opp en felles kyst- og grensevakt i Europa, som kan gå inn på tvers av nasjonale myndigheter. Jeg mener at det er fullstendig uhørt at Norge skal slutte seg til et sånt system, for det må være den nasjonale myndigheten, ikke EU-myndigheten, som skal gå inn og ta kontroll på det enkelte lands grenser. grenser. Hvis man først åpner for det, tror vi at det kommer til å skape mer konflikt, ikke mindre konflikt, så der bør regjeringen være helt klar. Det er uaktuelt for Norge å gi fra seg myndighet – selv i en krisesituasjon – til en felles kyst- og grensevakt, som EU nå er i ferd med å opprette. Det er

Eit samla storting erkjenner ved denne merknaden eit problem som fleirtalet ikkje er viljug til å gjere noko som helst med! I dag veit me ikkje kven som oppheld seg på norsk territorium. Alle forstår at det utgjer eit sikkerheitstrugsmål mot Noreg. Ansvarlege styresmakter veit rett og slett ikkje kven som er i landet vårt i dag, eller kva motiv dei har for å vere her. Eg vil minne om at då Noreg avskaffa grensekontrollen, vart dette gjort under føresetnad av at Schengens yttergrenser skulle verte kontrollerte. Det har ikkje fungert. Det har kollapsa. Regjeringa sjølv uttalte at når ein ikkje har kontroll på yttergrensene og ikkje registrerer dei som kjem, er Schengen-systemet brote saman. Til og med Schengen-forkjemparar har store problem med å forsvare dagens system. Med den teknologiske utviklinga me har sett dei siste åra, vil innføringa av personkontroll på grensa også mellom Schengen-land kunne gjennomførast effektivt og raskt. Biometriske pass kan gjere grensekontrollen både sikrare og meir effektiv. Slik kontroll vil lettare fange opp ettersøkte kriminelle, og folk med falske pass vil verte oppdaga. Stikkprøver er ikkje nok for at Noreg med tilfredsstillande sannsyn skal evne å stanse personar som det ikkje er ynskjeleg å gi tilgjenge til norsk territorium. Stortinget har handsama norsk tilknyting til Schengen to gonger. Senterpartiet har røysta nei begge gongene, me er framleis imot avtalen, og historia kjem til å vise at Senterpartiet har hatt den rette haldninga i og historia kjem til å vise at Senterpartiet har hatt den rette haldninga i denne saka. Mi oppfordring til Stortinget i dag er å røyste for vårt framlegg og med det sikre kontroll og styring med kven som til kvar tid oppheld seg innanfor våre territorielle grenser. Eg vil òg gjenta utfordringa frå førre talar: Meiner Framstegspartiet og Høgre at Noreg skal gi mynde til EU i ei felles kyst- og grensevakt? Det er eit spørsmål som regjeringa må gi eit svar på.

over at det synest å vere sånn at dess større utfordringar for heile Schengen-samarbeidet og Dublin-forordninga som vert openberra, dess sterkare ordbruk kjem det frå Høgre og Framstegspartiet mot forslaga om å gjere noko med det. Det er heilt openbert for alle at Schengen-samarbeidet har vore, og er, i ein kritisk situasjon, og at Dublin-forordninga slik som ho er i dag, har så store svakheiter at det bør verte gjort anten justeringar eller betydelege endringar i ho. Eg trur alle forstår at å gå heilt vekk frå viktige delar av det som ligg der, er umogleg. Det er vel f.eks. sterkt ønskjeleg å kunne behalde vesentlege delar av det politisamarbeidet som er ein del av Schengen-samarbeidet. Det er òg heilt openbert at det vi treng i Europa, er meir og tettare samarbeid om asyl- og flyktningpolitikken, ikkje det stikk motsette. Svakheita no er jo at EU ikkje i det heile har klart å handtere i fellesskap. Å ha ein betre og meir levande debatt om korleis Schengen-samarbeidet fungerer, ville vere klokt. Sosialistisk Venstreparti kjem likevel til å stemme imot forslaga nr. 1–3, frå Senterpartiet, i dag, og det er det to grunnar til. Det første er at det er vel neppe gjennom eit representantforslag vi bør ta stilling til spørsmålet om vi skal vere del av Schengen-samarbeidet eller ikkje. Vi hadde nok heller ikkje meldt oss inn i EU eller ut av FN gjennom eit ein har tenkt betydeleg gjennom det tidlegare, uansett synspunkt. Difor synest eg ikkje dei tre forslaga er modne nok. Det er òg slik at akkurat der vi står no, er det sant at Schengen-samarbeidet har store utfordringar, men akkurat der vi står no, er det òg krevjande berre å seie at vi skal med alle dei ganske store konsekvensane det ville fått. Derimot synest eg forslag nr. 4, frå Senterpartiet, er eit godt forslag, nemleg å leggje fram ei stortingsmelding om alternativ til Schengen-samarbeidet – som kunne drøfte korleis det fungerer, kva for svakheiter det har, kva for sider ved samarbeidet som det absolutt er nødvendig å ta med seg vidare, og gå gjennom kva som er nasjonale interesser i møte med dette. Det hadde vore ein

nordiske passamarbeidet. Det vil ikke være mulig å etablere det samarbeidet på nytt. Norge kan ikke tvinge et slikt samarbeid på plass når de landene vi faktisk ønsker å samarbeide med i Norden, fortsatt forblir Schengen-land. Det er på en måte en umulighet – i matematikken ville man ha sagt at løsningsmengden er Ø. Uavhengig av Schengen og Schengens yttergrense ligger årsaken til utfordringene i Europa en langt annen plass. Den ligger i ustabiliteten i Midtøsten, og den ligger i den enorme befolkningsveksten og den mangelen på økonomisk vekst som er i Afrika. Skal man løse dette problemet, må man bl.a. få til økonomisk vekst, man må få til handel, man må bygge ned handelshindringer, man må ha mindre proteksjonisme for å løfte et helt kontinent ut av fattigdommen. Men det er jo også Senterpartiet imot. Jeg har nylig lest i avisen at det er

der har vi jo det kontrollregimet som representanten mener vi skal gjennomføre i hele landet. Det kontrollregimet førte altså ikke til at vi begrenset asyltilstrømningen før vi fikk en egen lovendring på plass, som sikret at vi kunne betrakte Russland som et trygt tredjeland. Så den historieforklaringen som representanten Slagsvold Vedum forsøker seg på her, feil. Jeg synes ikke det skal få stå ubesvart i referatet – derfor synes jeg det er et behov for å si det. Men det er altså det systemet som representanten Slagsvold Vedum mener skal løse alle problemer. Jeg er ganske overbevist om at det ikke vil være tilfellet. Så vil jeg også si at jeg er helt enig i at Schengen langt ifra er perfekt. Det er utrolig store utfordringer i Schengen nå. Det er en slags krise i hele Schengen-systemet, det skal vi ikke stikke under stol. Men da kan vi løse det på to måter: enten ved å si at ok, da klarer vi oss best alene og ingen andre land tenker den tanken nå – eller ved å si at vi må gjøre alt vi kan for å få det til å fungere. Hvis vi likevel ikke klarer det – mot enhver formodning – må vi sette oss ned og se på hva slags løsninger vi da kan finne, Det at Norge skulle gå sologang når det gjelder dette, tror jeg ville føre oss ut i den virkelig kalde skyggedal når det gjelder samarbeid med andre EU- og Schengen-land, men også med hensyn til informasjonsdeling om akkurat det vi er så opptatt av å dele informasjon om, nemlig personer som ikke burde kunne ferdes fritt over grensene. Så er jeg helt enig med representanten Navarsete i at vår viktigste oppgave er å trygge borgerne. Jeg er langt ifra sikker på at forslaget til Senterpartiet bidrar til å trygge borgerne. Jeg tror det kunne bidratt til det motsatte, og det er jo derfor jeg er så opptatt av at vi må behandle dette på en annen måte enn ved bare å si at hvis vi melder oss ut av Schengen, løser alle problemer seg. Jeg tror vi ville opplevd en rekke nye problemer, og det hjelper ikke å forsøke å løse ett problem ved å skape et nytt problem. Jeg har igjen lyst til å minne om at Schengen jobber nå beinhardt med et felles grensekontrollsystem som skal fungere mye bedre, med bedre kapasitet og sikrere samarbeid med nasjonalstatene. Når det gjelder spørsmålet fra Senterpartiet om vår holdning til muligheten til å gå inn i andre land, har jeg forklart det flere ganger tidligere. Det er Norges modell som er valgt. Det er slik at en får krav, det gjennomføres tiltak. Hvis en ikke oppfyller de kravene, vil Schengen-grensen bli flyttet, så man får i realiteten en suspensjon midlertidig, istedenfor at en griper inn. Senterpartiets grunnholdning er at det å ha kontroll ved grensene er en forutsetning for en stat. Det er vår grunnholdning. Så var grunnholdning. Så var det et stortingsflertall som i sin tid gjorde at vi meldte oss inn i Schengen, som vi stemte imot, og da skulle man ha kontroll med yttergrensene for nesten hele Europa. Det har man ikke klart. Når man da ikke klarte å ha kontroll med yttergrensene i Europa, har statene gått tilbake igjen til det opprinnelige; man begynte med nasjonale tiltak. Det er det vi i Senterpartiet mener er helt avgjørende viktig at vi har muligheten til også framover, at vi kan ha nasjonale tiltak ved grensen. Derfor er det ulike forslag i det representantforslaget. Vi mener at det siste halvåret har vist oss at det var nødvendig at Danmark innførte tiltak, at Sverige innførte tiltak, at Norge innførte tiltak – vi mener at det er et bærekraftig system. Representanter fra Fremskrittspartiet sa for noen måneder siden at det ville være helt uansvarlig å oppheve den nasjonale grensekontrollen nå. Da bør det i hvert fall for dere som er Schengen-tilhengere, være et mål at man kan ha den typen nasjonale tiltak som en fast ordning i Schengen – at når nasjonalstaten selv ser at det er behov for å innføre tiltak på grensen, kan man gjøre det. For nå er det på tvers av Schengen. Høyre med visepresident Ingjerd Schou har vært ute og uttalt seg positivt om at vi må gå utover de seks månedene. Keshvari fra Fremskrittspartiet har vært ute og uttalt seg positivt om at vi må gå utover de seks månedene, mens nå forsvarer han Schengen med hud og hår her i salen, selv om alle partiene for noen måneder siden – i hvert fall vi som ønsket å ha kontroll på grensene da – sa at vi måtte gå utover det som i utgangspunktet var Schengens bestemmelser. Da bør det i hvert fall være Høyres og Fremskrittspartiets holdning at man ønsker å gå inn og endre Schengen-avtalen, gjøre at man kan få muligheten til mer nasjonale tiltak, at man kan stille opp over lengre perioder, og at man ikke bare skal vente på nåde fra Brussel. Brussel. Det Anders Anundsen sa her i stad, var at man i EU-kommisjonen nå har sett at det er en ekstraordinær situasjon, ergo kan vi få lov til å ha nasjonale tiltak litt lenger. Men la oss si at man ikke hadde sett det da. Mener regjeringen at vi da ikke skulle hatt tiltak på grunn av at man mener det er rett i Brussel? Vi mener at vi må ha den friheten, uavhengig av hva man mener i Brussel, for vi er Det norske storting, vi har den norske regjeringen, vi har det norske politiet og det norske rettssystemet – vi må ta ansvar for våre grenser og for vår håndtering av den situasjonen vi er oppe i. Vi kan ha ulike syn på Schengen, men dere som var så brennende opptatt av grensekontroll for noen måneder siden, bør jo se at det er klokt at man også har det framover. Derfor er det forunderlig at dere bruker tiden på å raljere istedenfor å se positivt på at det er noen partier her som ønsker å ha kontroll, for det er avgjørende både for innvandringspolitikken og for kriminalitetspolitikken. La meg starte med representanten

i utgangspunktet noe jeg er helt enig i. Samtidig finner jeg det rimelig provoserende sett i lys av at man faktisk satt i regjering 22. juli for fem år siden. Hvis man leser Gjørv-kommisjonens rapport, konkluderte den rimelig nøye med at den regjeringen som da satt der, iallfall ikke gjorde det som representanten Navarsete etterlyste at denne regjeringen skal gjøre – for å ha det sagt med en gang. Så tror jeg det er naivt å gå tilbake til en ordning som har vært. vært. For det første mener jeg at oppslutningen om dette forslaget viser at det er å føre en politikk som ikke har spesielt stor tilslutning, sånn som debatten framskrider nå i hvert fall. Jeg er ingen stor EU-tilhenger, for å si det veldig forsiktig, men jeg er en stor tilhenger av Schengen-samarbeidet, fordi jeg tror at skal man bekjempe terrorisme og annen alvorlig, grenseoverskridende kriminalitet, må man gjøre det sammen. Det er når man står alene om enkelttiltak, enkeltmennesket, at man blir svak. Det er når man jobber sammen for å bekjempe det, man blir gode. Hvorfor har vi Interpol? Det er fordi man gjennom et internasjonalt politisamarbeid på tvers av landegrensene i fellesskap skal kunne gjøre en bedre jobb. Hvorfor har vi FN? FN? FN er der som et verktøy for å kunne gjøre ting og gripe inn utover det som enkeltnasjoner kan gjøre. Schengens ambisjon er det samme. Så kan man mislike eller like EU. Man kan mislike eller like Schengen. Men de er der, og per i dag vil jeg si at det er det minst dårlige vi har. Og hvis det er det minst dårlige vi har, skal vi ta vare på det. Istedenfor å fjerne det må vi ta inn over oss at det har svakheter. Og så må vi Og så må vi utfordre de relasjonene som er verd å ha med i Schengen-samarbeidet, på å bli bedre. Når vi erkjenner svakhetene våre, erkjenner hvor forbedringspotensialet er, har vi to muligheter: Enten kan vi ignorere fakta, eller så kan vi reise oss opp og gjøre noe med det. Jeg tilhører dem som synes at vi skal reise oss opp og gjøre noe med det. Å ignorere det vil være det som representanten Navarsete var inne på, ikke å ta vare på borgernes ve og vel. Det motsatte er svaret, Det motsatte er svaret, det motsatte er løsningen, og det gjør denne regjeringen med et stortingsflertall i ryggen. Jeg tar ordet igjen fordi jeg synes innlegget til Slagsvold Vedum blir en sammenblanding av veldig mange forskjellige ting samtidig, og det er vanskelig på en måte å ta det ene fra det andre. Slagsvold Vedum konkluderer med bred penn med at Schengen-samarbeidet er en fiasko. Det er basert på en helt ekstraordinær situasjon som vi nå befinner oss i. Spørsmålet er om Norge med nasjonal grensekontroll ville kunne håndtert situasjonen bedre. Det er ingen argumenter fra Senterpartiet som skulle indikere at den situasjonen for Norges vedkommende ville blitt håndtert så mye bedre. Og det er det som er spørsmålet, om en gjennom nasjonal grensekontroll, slik situasjonen er nå, ville oppnådd et bedre resultat. Så er det muligens en misforståelse som foreligger knyttet til disse seks månedene. Avtalen sier at man kan ha grensekontroll i inntil egentlig åtte måneder, for det er to akuttmåneder og så ytterligere seks måneder. Realiteten er at Schengen har sagt at de utvider muligheten for å ha den nasjonale grensekontrollen. grensekontrollen. Det betyr at Schengen faktisk fungerer, for de ser at her er det en ekstraordinær situasjon, her er det enkeltland som har særskilte utfordringer, ergo legger vi til rette for at de skal kunne håndtere det gjennom nasjonal grensekontroll. Det viser egentlig det motsatte av det Senterpartiet ønsker å få frem her. Det viser at Schengen-samarbeidet faktisk fungerer også i krise for enkeltland, selv om det fortsatt er store utfordringer på yttergrensene og det er mye jobb som må gjøres før en kan si at en er i land med det. Men den er altså innenfor rammene, den grensekontrollen som Norge nå har, og som kan opprettholdes til midt i november. Så virker det også som om Senterpartiet jobber veldig sterkt for å fremstille det som om det er en normalsituasjon å ha grensekontroll i Norge, det er liksom det vi er vant til, før Schengen. Det er også feil.

med at Schengens regelverk ikke fungerer. Schengens yttergrense fungerer ikke godt nok, og der settes det inn tiltak. Men Schengen-avtalen fungerer meget godt. Det er nettopp med hjemmel i Schengen-avtalen at Schengen-landene har kunnet innføre midlertidig grensekontroll. Det er ingen Schengen-land som har gått ut av Spørsmålet man må stille seg, er: Ønsker man seg tilbake til et Europa med grensekontroll mellom alle land, med de store ulempene som det medfører? Skal man hoppe på den løsningen som den politiske løsningen, eller skal man jobbe med de utfordringene som man står overfor, slik at man kan videreføre de mange fordelene som ligger i Schengen-samarbeidet – som det dessverre ikke er anledning til å bruke tid på fra

på at ein ikkje hadde ein god nok tryggleik den 22. juli. Eg synest at å dra det inn i denne debatten er eit lågmål. Senterpartiet har ikkje teke til orde for at me skal melde oss ut av verken Interpol eller FN. Tvert imot er Senterpartiet ein sterk forsvarar av at me skal ha samarbeid, ikkje minst i FN, og styrkje det som ein mellomnasjonal og internasjonalt viktig organisasjon. Schengen er noko heilt anna. Schengen er det minst dårlege me har, vart det sagt av saksordføraren. Schengen-samarbeidet fungerer godt, vart det òg sagt. Viss det er slik at Schengen-samarbeidet fungerer godt,

forsvarsverket, grensekontrollen som ein vil etablere, den vil verte varig. Då kan ein altså rett og slett setje nasjonale regjeringar, nasjonale parlament, til sides og overstyre dei. Det er alvorleg, og det er det tydelegaste teiknet på at Schengen rett og slett ikkje fungerer.

Anundsen sa – trur eg – i det førre innlegget sitt at me på Storskog har nasjonal grensekontroll. Ja, men Storskog er altså Schengen-yttergrense, og me kunne sagt veldig mykje om det som skjedde på Schengen i fjor – om Russland som bad om ei stadfesting på at ein skulle stanse dei som ikkje hadde Schengen-visum, osv. Me skal ikkje dra det heller inn i debatten, men me får vere edruelege på kva som hender, òg der. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har hatt ordet to ganger tidligere og

fullt ut. Men i dag er det faktisk endret til at vi skal forsvare Schengen-avtalen fullt ut. Og det er jo det som er problemet i denne debatten, at regjeringen ikke går inn i hvilke problemer som Schengen-avtalen har medført. Man kan jo være tilhenger av avtalen, og så ser vi at den har ført mange problemer med seg, og hvordan kan vi da sørge for at vi ikke får de problemene igjen? Fremskrittspartiet har selv vært veldig tydelig i sitt landsstyre med diverse uttalelser om at Schengen-avtalen har store mangler, så hvorfor denne store hyllesten i dag til et Europa uten grensekontroll? For det er klokt å ha litt grensekontroll for å vite hvem som transporteres hit og dit, og for at de som har behov for beskyttelse, får det, men at de som ikke skal ha det, blir avvist ved grensen. Fordelen med slike debattar når ein sit og lyttar til innlegga, er

Det eine er jo at representanten Elvenes dreg inn Senterpartiets landsmøtefestar. Vi i partiet er fullt klar over – og òg stolte over – at dei er vidt kjende på positivt vis, men det er jo heilt opplagt at det ikkje er slik at vi gjer landsmøtevedtak på desse festane. Dessutan, når det gjeld akkurat denne saka, er det inga døgnfluge for oss, det er noko vi har vore imot sidan opprettinga av Schengen-avtala. Vi har gjenteke det på landsmøtet

men det som er synd med at vi står aleine, er ikkje det at vi blir stemde ned på dei forslaga vi har om å tre ut av Schengen-samarbeidet no, for det forstod vi jo på førehand. Det er opplagt at det kjem til å skje, men det som er så synd, er jo at dei andre partia ikkje tenkjer litt lenger enn berre å seie nei, men at dei ser på kva det er Noreg kan bidra med for å gjere – nei, vi skal ikkje ut av Schengen, for all del – det minst mogleg dårleg innanfor det samarbeidet, og påverke slik at ein i størst mogleg grad kan ha nasjonale løysingar

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet igjen, men representanten Navarsete gjør seg skyldig i det som må fremstå som en ganske åpenbar misforståelse. Det fremstilles som om det foreligger et forslag om at det skal være en overnasjonal grensestyrke som skal kunne overkjøre nasjonale parlamenter. Det er ikke riktig. Riktignok var det en del av kommisjonens opprinnelige forslag, men det er bearbeidet vesentlig siden den gang. gang. Det forslaget som nå ligger best an – dette er jo fortsatt en prosess, så vi vet ikke hva som blir det endelige resultatet – er det forslaget som Norge har fremmet veldig tydelig i denne prosessen, nemlig at en ikke skal komme i en situasjon hvor en skal få en overnasjonal grensestyrke som kan overstyre nasjonale prioriteringer, men hvor en skal være tydelig i kravsettingen til de landene som ikke oppfyller grenseforordningen, og som ikke oppfyller Deretter skal de få tilbud om tiltak som Schengen-avtalen kan hjelpe dem med for at de skal kunne tilfredsstille disse kravene. Dersom de avviser den bistanden, vil en gjennom Schengen-samarbeidet i realiteten kunne vedta midlertidig å suspendere dette landet og innføre grensekontroll mot det aktuelle landet. Det er noe helt annet enn det representanten Navarsete gir inntrykk Det kan være fordi oppdateringene ikke er kommet hit, men det kan også være at hun forsøker å skape et inntrykk av noe som ikke er en realitet. Derfor syntes jeg det var greit å nevne det fra talerstolen. Representanten Liv Signe Navarsete har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

konsekvensar. Det vil i realiteten bety at ein eigentleg tek grensekontrollen frå det landet. Eg kan ikkje skjøne korleis ein i praksis skal gjennomføre Noregs forslag på ein god måte. Det er flott at ein har sjølvtillit når det gjeld å tru at Noreg kan få gjennomslag for det. Men overnasjonaliteten ligg jo i at ein ikkje har nasjonal styring på dette.

Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar, som eg delvis vil omtale forkorta som NIM vidare i innlegget mitt. Den nye nasjonale institusjonen for menneskerettar vart oppretta ved lov av 1. juli 2015. Institusjonen er organisatorisk lagt under Stortinget, men er elles uavhengig. Etter lov om nasjonal institusjon § 1 skal NIM «fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig». NIM har dermed ein viktig funksjon i vårt demokratiske samfunn. Etter § 11 i lova skal NIM årleg sende ei melding til Stortinget om verksemda si og utviklinga av den menneskerettslege situasjonen i Det er den meldinga vi behandlar no. Institusjonen er nyleg oppretta, og årsmeldinga er derfor ikkje lang. Eg vil peike på at meldinga likevel er innhaldsrik. Ho gjev eit godt bilete av dei oppgåvene som institusjonen vil arbeide med. NIM skal belyse menneskerettsleg problematikk i Noreg, drive heilskapleg overvaking av alle menneskerettar og gje råd til myndigheiter og andre. Det er stor breidde i dei sakene institusjonen vil utgreie og gje faglege råd og innspel om. Desse inkluderer internasjonale forpliktingar på asyl- og flyktningretten sitt område, rusomsorg, diskriminering på etnisk grunnlag, situasjonen for urfolk, nasjonale minoritetar, behandlingspraksis innanfor psykiatrien, religionsfridom og menneskehandel. Særleg vil eg peike på den nyttige og tidsaktuelle drøftinga av isolasjon i fengsel, som var eit hovudtema i årsmeldinga. Dette er ei viktig sak å diskutere. Utgreiinga og vurderinga, som Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar har gjort av saka, er eit teikn på at institusjonen kan gje eit nyttig bidrag til samfunnsdebatten som ein kunnskapsbasert rådgjevar og pådrivar overfor nasjonale myndigheiter. Eg synest derfor at det er på sin plass å gje ros til institusjonen for det arbeidet som er utført så langt. Eg vil understreke at komiteen ser fram til det vidare arbeidet til NIM, som ei uavhengig stemme og ei kritisk motvekt til myndigheitene. På vegner av ein samrøystes komité legg eg fram innstillinga for Stortinget, og eg nyttar også høvet til å takke komiteen for godt samarbeid i saka.

Stortinget. Jeg mener at det den viser, er at Norge fortsatt har en oppgave med å komme videre når det gjelder menneskeretter. Vi er kommet langt, men det er fremdeles mer å gjøre, og Norge må fremdeles være et land som strekker seg etter å bli best når det gjelder å følge menneskerettslige forpliktelser. Jeg vil bare peke på noen av de forholdene som også saksordføreren var inne på, som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter peker på i årets rapport, for det er saker som er spesielt knyttet til justiskomiteen. Det er også saker som justiskomiteen faktisk har hatt oppe til behandling, både saker som har kommet fra regjeringa, og også saker som er kommet som representantforslag. Glattcelle og isolasjon har vi hatt flere debatter om i stortingssalen. Det har vært litt varierende forslag, men i hvert fall er det enstemmighet i Stortinget om at man vil se på dette. Arbeiderpartiet har også i forslag pekt på det som institusjonen tar opp, nettopp utformingen av glattceller som et av problemområdene. Det pekes også på forholdene for psykisk syke. Der har regjeringa iverksatt tiltak som har fått enstemmig tilslutning fra Stortinget. Men det pekes også på de vanskelige avveiningene som rettssystemet må gjøre for å balansere mellom det å trygge både samfunn og folk og det å bruke tvang i enkelte situasjoner. For Arbeiderpartiets del vil jeg si at vi synes tilbakemeldingene i denne rapporten er viktige, og den inneholder kunnskap og vurderinger som bør danne grunnlag for saker som angår justiskomiteen spesielt i det videre arbeidet i denne sesjonen. I likhet med foregående taler

Når man oppretter en slik institusjon, er det nok en del forventninger der ute blant en del mennesker som opplever at man som stat av og til svikter på menneskerettighetssiden, til at denne institusjonen skal sette sitt preg på debatten, være en mottaker for henvendelser, følge opp osv. Det er nok en del forventninger der ute, og det tror jeg institusjonen på en eller annen måte må finne en løsning på hvordan man skal håndtere. Jeg skjønner at man ikke kan gå inn i alle typer enkeltsaker, men det er viktig at man blir tatt på alvor som borger når man henvender seg. Det har jeg all mulig tro på at institusjonen vil finne løsninger på. Jeg har bare lyst til å stresse det. Det er noen forventninger der ute, og jeg håper institusjonen også tar det på alvor og ser hvordan man kan løse det rent praktisk. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union vedtok 16. april 2014 opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av

tilleggsregler vedrørende ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum som en del av det indre sikkerhetsfondet. Avtalen er ennå ikke undertegnet. Det henger sammen med at kommisjonen tolker Schengen-tilknytningsavtalen slik at Norge først er forpliktet til å meddele godkjennelse av Schengen-rettsaktene. Norge har framholdt at rettsaktene og tilleggsavtalen utgjør et hele som må forelegges Stortinget samlet. Undertegningen vil således finne sted når Stortinget har samtykket til godtakelse av disse rettsaktene. Det er det Stortinget behandler i dag. Til slutt må jeg komme med en helt nødvendig presisering. Det kom et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Stortingets presidentskap datert 6. juni 2016. Det er en presisering av kostnadene til å gå inn i dette samarbeidet for Norges del. I proposisjonen står det: «For perioden 2014–2020 er grense- og visumordningen i utgangspunktet på 2 760 mill. euro I presiseringen som kommer fra departementet, er dette kostnadsestimatet justert opp til 2 851 mill. euro. I presiseringen som kommer fra departementet, er dette kostnadsestimatet justert opp til 2 851 mill. euro. Jeg tar ikke med den innledende teksten, men det er essensen i brevet som kom, og det måtte etter reglementet for Stortinget også meddeles Stortinget på en slik måte. Da er det meddelt og

er derfor viktig at den norske regjeringa bidrar til å gjere denne yttergrensekontrollen betre. Eg vil på denne bakgrunnen stemme for forslaget. Samtidig vil eg understreke primærsynspunktet mitt om at Noreg bør tre ut av reglane om grensekontroll i Schengen-avtalen. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

En naturlig del av det å være barn innebærer å teste ut egne og andres grenser. Noen barns overskridelser trenger korrigering og eventuelt behandling. Det viktigste tiltaket er å forebygge – å utvikle og sette inn gode tiltak tidlig, og å bygge og spre kompetanse for å hindre at dette skjer. Psykologspesialistene Eva Mørch og Helle Kleive ved V27 på Betanien sykehus i Bergen har vist til at internasjonale tall over prognoser viser at så mange som 80–90 pst. av barn med slik atferd endrer atferden etter korrektiver fra tydelige, betydningsfulle og trygge voksne som setter grenser og forklarer. Rundt en tidel av barna vil fortsette med slik atferd. 20–30 pst. av alle overgrep mot barn og unge begås av andre mindreårige barn, og rundt halvparten av dem som begår overgrep i voksen alder, begikk sin første overgrepshandling i barndommen eller som tenåring. Vi vet også at en del av disse selv har vært utsatt for overgrep. Dette er ofte barn med mer kompleks bagasje. De kan være traumatiserte selv, ha andre og flere samtidige psykiske sykdommer eller ha en utviklingshemning. Men vi vet også at behandling hjelper. Internasjonal forskning viser at de som fikk hjelp, hadde ca. 10 prosentpoeng mindre tilbakefall enn Statsråd Horne viser i sitt svarbrev til komiteen at hun tar dette på alvor. Regjeringen har startet en gjennomgang av behandlingstiltakene som skal være ferdig i disse dager. Hele komiteen legger i komitémerknad til grunn at regjeringen følger opp og kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med oppfølging av gjennomgangen. Det er også enighet om at regjeringen bør vurdere om Jeg legger til grunn at dette blir en del av den oppfølgingen Stortinget har bedt om i komitémerknadene. Når det er såpass få – og de bor spredt rundt i landet, har stort sprik i og ofte et sammensatt sykdomsbilde, variasjon i alder og nettverk – så tar det tid å opparbeide og spre tilstrekkelig kunnskap. I Norge har Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Sør-Trøndelag, og jobbet med problematikken over lengre tid. Også enkelte barnehus har opparbeidet seg erfaring med avhør av barn som har begått overgrep. Arbeiderpartiet foreslår derfor at det utarbeides en egen strategi for oppbygging av kunnskap og behandlingstiltak med tilstrekkelig kompetanse. Vi mener at dette ligger under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde, og vi mener at eksisterende kompetansemiljøer og barnehusene må inkluderes i utarbeidelse av denne strategien. Vi er enig i at det skal være et klart mål ikke å ha disse barna i samme institusjon som barn som har vært utsatt for overgrep. Hensynet til behovet for fagkompetanse og behandling kan i noen tilfeller måtte veies opp mot plassering, f.eks. ved akutte innleggelser eller svært kortvarige opphold. Det å være innlagt på samme institusjon innebærer heller ikke nødvendigvis at de bor sammen, eller har daglig omgang. Institusjoner kan ha flere avdelinger, eller bygninger, slik at de ikke nødvendigvis vil ha kontakt med hverandre selv om de rent faktisk er innlagt på samme institusjon. Statsråden peker bl.a. på grenseoppgangen mellom barnevernets og helsetjenestens ansvar. Enkelte barn, men ikke alle, vil ha behov Derfor vil Arbeiderpartiet avvente med å konkludere på hvordan dette praktisk skal organiseres, til det kommer en sak som følger opp de vedtak som vi fatter her i dag. Jeg tar opp forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i saken. Da har representanten Kari Henriksen tatt opp det forslaget hun refererte til.

Et viktig stikkord er godt forebyggende arbeid og tidlig innsats. Unge overgripere er ikke alltid klar over at de overskrider andres grenser, og derfor er det viktig at disse barna fanges opp så tidlig som mulig. Dette er viktig for å forebygge at barna skal utvikle seg til overgripere. Skal en klare å avdekke tidlig, er det viktig at kunnskapen om temaet er god hos dem som har mye med våre barn å gjøre i ung

Da sier det seg selv at tidlig innsats er viktig. Mange av disse overgriperne har også selv traumer som de trenger å få hjelp til å behandle. Den jobben som gjøres ved landets barnehus, er god, og den er av avgjørende betydning for å sikre en god kvalitet rundt både avhør og oppfølging av disse barna. Når jeg sier «disse barna», gjør jeg det ut fra at det allerede i dag gjennomføres avhør av unge overgripere ved flere av landets barnehus. Blant annet har Statens Barnehus i Trondheim i fem år foretatt avhør av unge overgripere og har gode erfaringer med dette. Barna som begår overgrep, er også barn og trenger individuell tilrettelegging. Når barnehusene har denne unike kompetansen og erfaringen, er det viktig å bygge videre på dette. Derfor ønsker komiteen at regjeringen skal vurdere om alle avhør av barn under 16 år som er mistenkt for seksuelle overgrep, gjennomføres ved Statens Barnehus. Representantforslaget tar også opp et annet viktig forhold, nemlig det å sikre at barn og unge som begår seksuelle overgrep, får hjelp.

både hos V27, som er tilknyttet Betanien sykehus i Bergen, og ikke minst gjennom prosjektet til Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, som skal bidra til å heve kompetansen på behandling av volds- og overgrepsproblematikk blant barn og unge. Når nå regjeringen har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i oppdrag å lage en oversikt over og å gi en vurdering av dagens behandlingstilbud, vil det også gi oss en bedre oversikt over hvordan statusen er rundt i landet. For det er viktig å gi disse barna et godt behandlingstilbud, og at de får dette tilbudet uavhengig av hvor i landet de bor. Dette slår også komiteen fast gjennom vedtaket i dag. Når det gjelder forslaget om egne institusjoner for barn og unge som forgriper seg seksuelt, skiller regjeringspartiet lag med Kristelig Folkeparti. I dag er det slik at inntaksrutinene hos Bufetat skal sikre at barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, ikke blir plassert på samme institusjonsenhet som barn som har begått seksuelle overgrep. Det å klargjøre rutinene enda bedre og vurdere tiltak for å hindre at slike feilplasseringer skal skje, mener vi er et bedre forslag enn å bygge opp egne institusjonsenheter rundt i landet. Det er også viktig at regjeringen ser på regelverket for å sikre nødvendige hjemler som hindrer at barna begår nye overgrep mens de bor på institusjon. Til slutt tar jeg opp forslag Da har representanten Margunn Ebbesen tatt opp det forslaget hun refererte til. La meg starte med å gi honnør til forslagsstillerne, som tar opp et viktig tema. Jeg tror at noe av det aller viktigste med denne saken er at når barn begår overgrep, gjør de noe som det er vanskelig for oss voksne å forstå. Det betyr ikke at det ikke skjer, men det betyr at det utfordrer oss til faktisk å ta innover oss at barn er i stand til å gjøre ting som de i utgangspunktet ikke skal gjøre. Voksne gjør det, voksne gjør stadig dumme ting, men det å forstå at et barn kan utsette et annet barn for vold eller seksuelle overgrep, utfordrer oss. Samtidig er noe av det vi skal lære den neste generasjonen, at det er forskjell på rett og galt. Det er sånn at bryter man en lov, får det en konsekvens. Det viktigste vi kan gjøre, er å finne smarte løsninger. Smarte løsninger betyr – iallfall sånn som jeg ser det – at man må ha et mangfold av ulike tiltak, nettopp fordi folk er forskjellige. Folk er ikke like, folk er forskjellige i utvikling, i holdninger, i mentalitet, i hudfarge og religion, for den saks skyld, men i utgangspunktet betyr det at ingen kan gis fritak fra å ta ansvar for det man faktisk har gjort, og da er man nødt til å finne smarte løsninger. Det man gjør i dette forslaget, er å påpeke smarte løsninger, og jeg oppfatter også at statsråden er tydelig på at man ønsker å gå videre med det man ser som er fornuftig. fornuftig. Kan man berge ett av disse barna fra å begå et nytt overgrep eller en ny voldshandling, har vi gjort jobben, og vi kan være fornøyde med oss selv, vi kan være fornøyde på vegne av det barnet. Det er vanskelig å få det til, men vi har ikke lov å la være. Jeg tror at selv om det utfordrer oss, er det de sakene som kanskje ikke virker størst i utgangspunktet, som kanskje er de vanskeligste, men også de viktigste, fordi det er vanskelig å ta innover seg. Men igjen, som sagt, så er forslaget betimelig. De tiltakene man ønsker å se på videre, som statsråden har sagt hun skal følge opp, er også gode. Det er når man setter seg ned og tenker over realitetene i ting, uavhengig av hvor vanskelig det er, at man finner de gode løsningene. Det bidrar Stortinget til i denne saken. Jeg vil starte med å takke saksordføreren og andre som har hatt innlegg, for gode innlegg. Som vi sier mange ganger her, er gode løsningene. Det bidrar Stortinget til i denne saken. Jeg vil starte med å takke saksordføreren og andre som har hatt innlegg, for gode innlegg. Som vi sier mange ganger her, er dette et tema som samler komiteen. Det er jeg veldig glad for, og jeg er glad for at vi har så stort engasjement på feltet for nettopp å hjelpe flere barn til å få den trygge oppveksten som vi alle ønsker. Før jeg begynner å snakke om selve saken, er det bare å understreke at nå har vi fattet mange viktige vedtak i denne sal, det er gjort veldig mye bra, det er bevilget store summer når det gjelder forebygging, å få bedre avhør på barnehusene, midler til politiet for å få bedre etterforsking, osv. Det gjøres veldig mye godt. Bakgrunnen for forslaget vårt var nok at vi så at når det gjelder særlig den forebyggende sida, har vi ikke fokusert nok på overgriperne, og da spesielt de unge overgriperne. Jeg skal gå inn på flere momenter som vi mener gjorde at det var riktig og viktig å fremme disse forslagene. Det første går på da vi gikk inn i statistikken for å se hvem det er som begår overgrep. må presisere at da vi lette etter statistikk, var det krevende å finne, for det er litt for dårlig materiale, men det er en del internasjonalt, og så er det en del i Norge som understreker at mye av det internasjonale også ser ut til å stemme i Norge. Men ifølge studiene sier en at et sted mellom 20–50 pst. av seksuelle overgrep begås av tenåringsgutter. Det er en stor andel. Da vet vi at vi snakker om barn, og da må vi fokusere på den gruppa. Et annet viktig poeng er at ungdom som selv har vært utsatt for seksuelle traumer, har tre ganger så stor sannsynlighet for selv å utøve seksuelle overgrep på andre. Det betyr at det også er ekstremt viktig å fokusere på den gruppa og de overgriperne, og å ha tenkt gjennom at mange av dem som begår overgrep mot andre, altså barn som begår overgrep mot andre, faktisk er utsatt for overgrep selv. Det tredje gjelder forskning som undersøker de voksne overgriperne, som viser at ca. halvparten gjennomførte sitt første overgrep i ungdomsalder. Totalen av dette understreker iallfall for oss hvor viktig det var å fremme forslag. understreke at vi var veldig takknemlige for statsrådens brev. Det var mange i komiteen som understreket at det var et godt brev, et tydelig engasjement og en vilje til både å se på problematikken og å gjøre noe med den. Som representanten Ebbesen også viser til, og som vi viser til i representantforslaget, er det et av punktene i handlingsplanen som går nettopp på dette, og også at Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har satt i gang et arbeid for å lage en oversikt over behandlingstilbudet. Derfor skal jeg ikke bruke så mye mer tid på frustrasjon over at resten av komiteen ikke samlet seg om det siste av Kristelig Folkepartis forslag, fordi jeg håper og tror at når arbeidet nå gjøres videre, ikke minst det arbeidet som vi kommer til å gjøre med opptrappingsplanen for å bekjempe vold og overgrep mot barn, når vi har statistikken eller ser hvordan behandlingstilbudet er i dag, har vi et bedre beslutningsgrunnlag også for forhåpentligvis å fatte det vedtaket vi tror er riktig, og som er inspirert av Danmark og Sverige, nemlig egne institusjoner for barn som har begått overgrep. Men jeg synes også det er viktig å understreke, som vel representanten Henriksen også pekte på, at hvis det gis er det veldig mange av dem som ikke begår overgrep på nytt. Det vil jeg si er god forebygging, og det vil også være til stor hjelp for de barna som har begått overgrep. Derfor er det iallfall veldig viktig at Stortinget i dag går inn for at en skal sikre et godt tilbud og et godt behandlingstilbud for unge overgripere. Til slutt vil jeg ta opp Kristelig Folkepartis forslag, som går på at det bør opprettes egne institusjoner nå. Men når det ser ut til ikke å få flertall, vil jeg også varsle at vi ønsker å stemme for forslag nr. 1, fra Høyre og Fremskrittspartiet, som langt på vei viser til det arbeidet som skal gjøres, og iallfall understreker at en både må få plass et godt regelverk og må sikre hjemlene som trengs, sånn at en skal hindre at barn som har begått overgrep, kan begå nye overgrep når de er på institusjoner.
Da har representanten Kari Henriksen tatt opp det forslaget hun refererte til.

overgrep. Jo tidligere innsatsen settes inn, jo bedre er mulighetene for å begrense konsekvensene av vold og overgrep og snu en negativ utvikling. Barn som utøver vold og seksuelle overgrep, trenger hjelp og behandling til rett tid. Regjeringen ser behov for å styrke behandlingstilbudet til unge samt å øke kompetansen om vold og seksuelle overgrep i ulike tjenester som skal ha tilbud om behandling til utsatte og unge utøvere av vold og overgrep. Dette blir også et tema i opptrappingsplanen mot vold og overgrep som vi skal legge fram til høsten. om vold og traumatisk stress, NKVTS, har på oppdrag fra departementet gjennomført en kartlegging av behandlingstilbudet til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, og for unge som utøver vold og overgrep. Kartleggingen skal lanseres på fredag, men jeg vil likevel vise til noen funn som jeg allerede har fått kjennskap til, siden denne saken behandles her i dag. Kartleggingen viser at det finnes behandlingstilbud til unge overgripere i alle de fire helseregionene, men det er få spesialiserte tilbud. Mange av behandlingsenhetene opplever imidlertid at de ikke får gitt den behandlingen de ønsker til denne gruppen barn og unge, og etterlyser først og fremst mer kompetanse. NKVTS anbefaler bl.a. at vi øker kompetansen i BUP anbefaler de at det vurderes enheter med spesialkompetanse som er forankret i spesialisthelsetjenesten ved alle de regionale helseforetakene. Behovet for å bygge opp kompetansen om unge overgripere i andre sektorer, som omsorgssektoren, skolen og justissektoren, understrekes også. Dette viser at vi har en vei å gå.

Dersom det likevel skulle være feilplasseringer, har Bufetat rutiner for å håndtere dette. Videre ber mindretallet regjeringen sikre egne institusjoner for barn og unge som forgriper seg seksuelt. Jeg har igjen lyst å vise til utredningen fra NKVTS, for sammen med helse- og omsorgsministeren vil jeg nå vurdere anbefalingene nøye og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan vi kan følge opp forslagene om å bedre behandlingstilbudet til unge overgripere, i den kommende opptrappingsplanen. Regjeringen vil også gi NKVTS i oppdrag å lage en oversikt over behandlingstilbudene som finnes, og hvordan de er organisert i de øvrige nordiske landene samt Storbritannia og Nederland. av den oversikten og kartleggingen som allerede er gjennomført, vil vi be NKVTS gi en nærmere vurdering av hvordan behandlingstilbudet til denne gruppen bør organiseres. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen også foreslått å omdisponere midler til et slikt

når det gjelder unge overgripere, og ikke minst hvilke ressursbehov som vil kreves dersom barnehusene skal tilføres nye oppgaver på dette feltet. Dagens kapasitetssituasjon ved de fleste barnehusene er, som komiteen er kjent med, allerede krevende. Jeg har til slutt igjen lyst til å takke representantene som har løftet dette temaet om unge overgripere. Tidlig hjelp og behandling er skjer. Jeg vil nå, sammen med helseministeren, følge opp den kartleggingen som vi har fått fra NKVTS, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en oppfølging på dette. Det blir replikkordskifte.

koordinering. Det statsråden var inne på nå, synes jeg er veldig positivt, at man allerede nå tar opp ting knyttet til denne problemstillingen i den handlingsplanen som man er i ferd med å utarbeide. Det som jeg tenker kan være viktig i en sånn handlingsplan, og som jeg vil høre hva statsråden tenker omkring, er nettopp: Hva tenker statsråden skal være i en sånn handlingsplan for å sikre koordineringen. Det er ofte der det glipper mellom de forskjellige instansene som skal inn og bidra med hensyn til både å behandle og gi omsorg til disse barna? Hva tenker statsråden kan inngå i handlingsplanen? Jeg takker for spørsmålet. Det er vel flere som har fått med seg den NOVA-rapporten som kom i dag. Den er bekymringsfull, og vi ser at spesielt grov vold utført mot barn ikke går ned.

Så er det også viktig å understreke at regjeringen har en strategi mot vold mot barn, «En god barndom varer livet ut». Den bygger på den strategien som den forrige regjeringen hadde, med konkrete tiltak, og vi jobber konsekvent med dette temaet.

svakheter som statsråden peker på, er det viktig at vi offensivt møter dem for å prøve å finne gode løsninger, så det er jeg glad for. Mitt spørsmål gikk egentlig mer på institusjonene. Som vi viser til i representantforslaget, har både Danmark og Sverige en litt annen type behandling av unge overgripere, institusjoner. Statsråden var litt innom det, men jeg skulle gjerne ha hørt litt mer. Statsråden viste til en utredning der en skulle se til flere land, men er det en utredning som vil ta lang tid? Er det noe som kan komme i opptrappingsplanen som er varslet til høsten, eller vil det være for kort tid? Hva tenker statsråden selv om den

også skal følges opp i flere år, men jeg tror at det at vi setter i gang allerede nå og gir dem det oppdraget, vil gi oss et grunnlag for å jobbe videre med denne planen. Så om det vil komme helt konkrete forslag i opptrappingsplanen, tror jeg ikke jeg kan love, men jeg kan iallfall love at det vil være berørte tema, og den kartleggingen som nå er gjort, vil bli fulgt opp i opptrappingsplanen. Dermed er replikkordskiftet omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra kommunal- og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

Reformen skal bidra til å tydeliggjøre ansvarsfordelingen og styrke lokaldemokratiet. Fylkeskommunene ble sommeren 2015 invitert til å ta en naboprat. Komiteens flertall mener at det er naturlig å gjennomføre en kommunereform og en regionreform samtidig, og at de nye regionene trer i kraft 1. januar 2022. Innen 1. desember i år må fylkestingene fatte vedtak om hvem de eventuelt vil slå seg i lag med, og i den prosessen bør også kommunene delta. Stortinget vedtar ny regionstruktur, med bakgrunn i lokale prosesser, våren 2017. I det nye regionale folkevalgte nivået styrkes samfunnsutviklerrollen. Regionene vil beholde de fleste av de oppgavene de allerede har i dag, og vil få tilført nye. Komiteen mener at regional planlegging er et sentralt virkemiddel for å utøve samfunnsutviklerrollen, og at disse planene må legges til grunn for regionale for kommunal planlegging og for statlig planlegging og virksomhet i regionen. Dette vil også føre til bedre koordinering og en mer effektiv planlegging. Komiteens flertall mener at den regionale stat og de folkevalgte regionene må spille mer på lag, og at den regionale stat må vurderes i lys av regionreformen. Flertallet tydeliggjør behovet for regionale statlige organers ansvar og plikt til å delta i planprosessene. Flertallet mener også at Fylkesmannen i utgangspunktet skal ha ansvar knyttet til tilsyn, kontroll og beredskap og noen få veiledningsoppgaver. Oppgaver hvor man legger til rette for bruk av politisk skjønn, skal som hovedregel overføres til regionalt folkevalgt nivå. Jeg viser videre til at de nye regionene må jobbe strategisk sammen med kommunene, særlig i pressområdene, om å sikre klimavennlige og samfunnsøkonomiske utbyggingsløsninger. Deler av sams veiadministrasjon må derfor legges til regionene. Flertallet støtter meldingens forslag om at de nye folkevalgte regionene får ansvar for utforming og oppfølging av regionale oppdrag til nasjonale virkemiddelaktører for forskning, innovasjon og næringsutvikling. Videre støtter flertallet også å se på om oppgaver innenfor Innovasjon Norge kan legges til regionene. Flertallet mener at noen av oppgavene kan flyttes fra IMDi til et regionalt folkevalgt nivå. Dette er oppgaver fylkeskommunene ikke har hatt før. Venstre er glad for at regjeringen i samarbeid med Venstre skal utarbeide en plan for utflytting av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser. Denne skal være klar før nyttår. Vi er også fornøyd med at vi vil få en mer helhetlig samfunnsutvikling innenfor en rekke sektorer – som kunnskap, næringsutvikling, samferdsel, klima, miljø, kultur og ikke minst arealplanlegging. Her vil en se mange synergier i forhold til de gamle, strukturelle fylkeskommunene, der en i mye større grad har mulighet til å se en helhet over de gamle fylkesgrensene. Venstre mener vi må ha en regionstruktur som er balansert, der vi får en balansekraft i landet som vi ikke har med dagens 19 fylkeskommuner. Derfor er vi enige om at det er viktig å få til om lag ti regioner. er viktig å få til om lag ti regioner. Struktur er viktig å ha på plass i nettopp denne reformen, for det er drivende og vil være med på å balansere utviklingen i hele landet. Balansekraften har hele tiden vært nøkkelen til at Venstre har ønsket og vært en tydelig pådriver for å få tegnet et nytt regionkart i Norge. Da er det viktig å påpeke at vi er nødt til å 32 statlige organiseringene, og det pekes det også på i meldingen. For det er ingen tvil om at det bare blir mer byråkrati og mindre effektivitet enn om vi hadde hatt dette koordinert med de nye regionene. Derfor tror jeg at dette er et langt steg framover i forhold til det som var prøvd i 2007–2008. Vi står i dag ved en merkestein der vi på mange måter lykkes med noe som har vært prøvd tidligere, men Venstre er svært fornøyd med at vi nå på mange måter har passert den merkesteinen og er i gang med en ny tid. Jeg vil tro at dette vil balansere og ikke minst skape vekst og muligheter framover. Det blir replikkordskifte.

Takk for det. Dette har jeg vært tydelig på før: Jeg synes det var mangelfullt, det regjeringen kom med. Derfor har vi også lagt inn flere oppgaver, ikke minst dette med felles veiadministrasjon, som mange, ikke minst gjennom høringsrundene, var ivrige etter å få lagt ut til regionene. Det har også vært viktig å være tydeligere når det gjelder å rendyrke Fylkesmannen som tilsyn og kontroll, og ikke minst som

folkevalgt nivå. Dette er på mange måter det som ikke ble klart for ca. to perioder siden. Så har vi sammen med regjeringen klart å fylle på flere oppgaver til regionene og omstrukturere Norge, for også å lage en ny struktur er viktig for å få Norge til å fungere, ikke minst regionene.

Også dette har Venstre lansert som en seier de har fått regjeringen med på – det står om nye utredninger og om bedre spredning, men det står ikke noe konkret. Spørsmålet er: Hvor blir det av konkret oppfølging av forslaget – i det minste i form av utredning? Mener Venstre de har fått gjennomslag for en bedre spredning av statlige arbeidsplasser i sitt samarbeid med den sittende regjering? regjering? Vil Venstre stemme for forslaget fra Senterpartiet, som vi har fremmet i denne saken, som likner utrolig mye på det forslaget Venstre selv fremmet for et år siden? Jeg kunne selvfølgelig ha brukt min svarreplikk på å harselere over hva Senterpartiet ikke fikk til gjennom åtte år i regjering. Jeg har ingen betenkeligheter med å tro at de prøvde. Men jeg vil heller konsentrere meg det spørsmålet Heidi Greni

Vi mener regionene skal ha et klart definert ansvar og myndighet for de oppgaver og sektorer som er viktig for den regionale utviklingen. Vi mener også at regionene skal ha et klart definert ansvar for samordning av disse oppgavene, som går på kommunenes og statens virksomhet i regionene. For at vi skal nå målet om sterke regioner, ønsker Arbeiderpartiet å legge flere oppgaver under regionalt folkevalgt styring. Vi mener at statens ulike regionale organiseringer skal gjennomgås med sikte på bedre samordning med et regionalt folkevalgt nivå. Vi vil også overføre statlige oppgaver som krever regionalt politisk skjønn, til regionale nivåer. Derfor har Arbeiderpartiet i den innstillingen vi behandler her i dag, flere forslag til nye oppgaver som kan legges til regionalt folkevalgt nivå, og vi mener Stortinget skal slå fast at regionalt nivå skal beholde de oppgavene de har i dag innenfor tannhelse, kollektivtransport og videregående opplæring. Kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver må ses i sammenheng i den prosessen som nå pågår med kommunereform og regionreform. Da meldingen om regionreform ble lagt fram, fikk den kritikk for tynt innhold – ikke helt ulikt kritikken regjeringen fikk da den la fram oppgavemeldingen for kommunene. Arbeiderpartiet var, da meldingen ble lagt fram, tydelige på at vi ville bidra til å fylle regionreformen med innhold, slik at diskusjonen ble bredere enn bare struktur. Vi har underveis i arbeidet med meldingen i Stortinget skjønt at strukturdiskusjonen på mange måter var viktigere for flertallet enn diskusjonen om oppgaver. Vi i Arbeiderpartiet var klar til å danne flertall for det vi trodde det var flertall for når det gjelder oppgaver. Men dessverre ser vi at Venstre og Kristelig Folkeparti nå sender ballen tilbake til regjeringen og på mange måter stoler mer på et ekspertutvalg enn på egne partiprogram. Det er synd. Vi hadde oppgavene på gaffelen. Vi hadde muligheten til å styrke det regionale nivået, men den muligheten gir man nå fra seg, eller man velger ikke å bruke den her i dag. Vi skal få enda et ekspertutvalg, som skal settes ned våren 2017. 2017. Da vil det i realiteten bli slik at Stortinget for fjerde året på rad skal diskutere oppgaver til regionalt folkevalgt nivå. Regjeringen har altså brukt ett år på en stortingsmelding som flertallet nå på mange måter sender tilbake med beskjed om at regjeringen har gjort en for dårlig jobb: Dere må utrede mer. Dere må ha et ekspertutvalg til. Flertallet hadde selvsagt hatt et annet alternativ, nemlig å stemme for de konkrete forslagene som ligger her i dag fra mindretallet, men det vil trolig ikke skje. Det er ikke bare Arbeiderpartiet som er skuffet. KS har vært ute med pressemeldinger og skriver: «Samlet sett gir ikke innstillingen fra kommunalkomiteen om regionreformen den drahjelpen til de pågående regionale prosessene som vi gjerne skulle ha sett.» sett.» Heller ikke forslaget om et ekspertutvalg faller i veldig god jord hos KS, de påpeker at det er ikke fravær av utredninger som har vært problemet når man har diskutert oppgaveoverføring fra stat til de folkevalgte regionene. Problemet har vært fravær av politisk vilje – eller kanskje evne – til å gjennomføre det, bl.a. når det gjelder forvaltningsoppgaver innen miljø og landbruk hos den regionale stat. KS tviler sterkt på at et ekspertutvalg klarer å gjøre noe med dette. Under høringen ble det også helt riktig påpekt at hvis man legger til grunn de ulike partienes partiprogrammer, er det faktisk flertall i salen for konkrete overføringer av oppgaver til regionalt nivå. Vi i Arbeiderpartiet har lagt våre landsmøtevedtak til grunn. Dessverre stemmes disse i dag ganske sikkert ned, fordi de øvrige partiene velger annerledes. Jeg går ut ifra at de partiene det gjelder, redegjør for det senere i debatten. Behandlingen av denne meldingen har fra flertallets side på mange måter dessverre endt opp som en øvelse i tilløp, men uten hopp. Det er synd for den debatten som nå skal føres ute i regionene, at de ikke får en drahjelp ved å få tydelige tilbakemeldinger om hvilke oppgaver de kan forvente seg. Jeg tar for ordens skyld opp de forslagene som Arbeiderpartiet står bak i innstillingen. Da har representanten Stein Erik Lauvås tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. Det

Er representanten fra Arbeiderpartiet enig i at det er en dramatisk og uheldig forrykning av maktbalansen mellom de folkevalgte nivåene? Nei, jeg er egentlig ikke det, og jeg tror også at representanten Jenssen drar dette litt langt. Vi står fast ved at det er klokt at det som krever politisk skjønn, er klokt at det som krever politisk skjønn, legges til dem som har et politisk ansvar og kan stå til ansvar for det ved valg, noe Fylkesmannen ikke gjør. Så jeg tror ikke det ville være så galt dersom vi strakk oss langt i å gi det som faktisk er et politisk skjønn, over til de valgte politiske organene, som da må stå til ansvar for de beslutningene de tar på det

at struktur er viktig for å få dette på plass? Selvfølgelig er strukturen viktig. Det står også noe i meldingen om at man skal se dette som bo- og arbeidsmarkedsregioner, altså se i sammenheng og ikke splitte opp det som i dag fungerer som én bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi var nok på samme høring, representanten Skjelstad og jeg, men det kan hende at vi hadde ulike ører å høre med. Det var nok noen, riktignok, som sa at struktur er viktigst, men tilbakemeldingene går i overveiende grad på at her må man ikke gå i den samme fellen som man kanskje delvis har gjort når det gjelder kommunereformen, hvor man skulle endre kartet først, uten å peke litt mer konkret på hvilke oppgaver det er den nye strukturen Det er riktig at struktur er viktig, men struktur er en del av det. I dag har representanten Skjelstad og Venstre mulighet til å stemme for en rekke gode forslag som vil gi den regiondebatten som skal føres der ute, litt mer drahjelp, slik at man kan finne gode løsninger og få regionreformen til muligens endelig å kunne

Men jeg kunne godt tenke meg å spørre om Lauvås mener at det å flytte ut deler av sams vegadministrasjon og noe av det som ligger under IMDi, osv., er mindre enn det hans regjering flyttet ut. Er det mindre enn det hans regjering flyttet ut, med tanke på de grepene vi gjør når det gjelder Fylkesmannen og det andre som ligger i meldingen, og som er på dagens kart? Er det så lite at det er ingen ting, i henhold til det representanten Lauvås

fylkeskommuner, et mellomnivå som mitt parti har vært opptatt av at vi skulle avvikle. Vi vet det ikke er flertall for å få til en avvikling av dette mellomnivået, men vi kan glede oss over at det blir færre av dem. Det blir om lag ti. Og det er viktig at disse tre folkevalgte nivåene har et tilpasset oppgaveinnhold som gjør at de er funksjonelle overfor de innbyggerne de faktisk skal tjene. I stortingsmeldingen foreslås det endringer både i regionalstrukturen og i regionenes virkemidler og oppgaver. Og det er klart at denne endringen, og konsekvensene av en regioninndeling til om lag ti, også vil ha konsekvenser for den samhandlingen som skal være mellom regioner og staten. I grenseområdene mellom disse nye regionene kan det være ulike meninger om hvor regiongrensene skal trekkes, og det er sånn sett viktig at kommuner engasjerer seg i dette. Det helt avgjørende er imidlertid at det er bo- og arbeidsregioner som hensyntas, og at man ikke lager inndelinger og kom allerede etter et prisverdig representantforslag fra Venstre, som fikk flertall i Stortinget, og oppstarten til en naboprat startet allerede høsten 2015. Alle de nåværende fylkeskommunene er i gang med det. De har innledet drøftinger om sammenslåingsalternativer. Sånn sett har det vært en viktig modningsprosess også der ute å vurdere og avklare om det er aktuelt og hensiktsmessig å slå seg sammen med nabofylkene. Den prosessen skal nå gå fram til 1. desember i år, og så får vi håpe at man faktisk evner å ta disse beslutningene lokalt og forholde seg til om lag ti regioner. Disse drøftingene er innledet, de har allerede startet. Neste skritt er å diskutere og få en klarhet i hva som skal være innholdet i framtidens regioner. Dagens innhold i fylkeskommunene vil også i all hovedsak være en del av regionenes oppgavesett. I tillegg er det foreslått fra regjeringen å flytte oppgaver både fra fylkesmennene og fra den regionale stat til de nye regionene. Så vil det vise seg etter hvert hvor store disse regionene blir, og hvordan strukturen skal bli. Jeg hører at opposisjonen både i teksten og i debatten her i dag ikke er fornøyd med de oppgavene som er lagt til regionen. Da er det verdt å minne om at både regjeringen og Stortinget ytterligere har flyttet nye oppgaver til det regionale nivå. Jeg ser at noen partier påpeker at man bare sender oppgavene tilbake til et ekspertutvalg. For å si det slik: Det er klokt å sende dette tilbake til et ekspertutvalg. Det er også klokt å etablere regionene før man flytter oppgaver ut fra den regionale stat. Og det er klokt at det gjøres av et ekspertutvalg, og ikke av regjeringen selv, for det har nemlig rød-grønne partikolleger forsøkt seg på i de foregående åtte år, og for å bruke mitt østfoldmål: Det ble ille lite. Det ble det samme antall fylkeskommuner – altså ingen reduksjon. Det å få noen utenforstående til å se på inndelingen av regionene når de er etablert, er bra. Så kan man også vurdere den regionale stats ulike inndelinger og la noen som er på utsiden, se aktualiteten og vurdere hvordan oppgavene kan fordeles og desentraliseres. Selv om vi ikke kunne tenkt oss å være nivået foruten, blir dette altså en desentraliseringsmodell hvor arbeidsplasser kan etableres og oppgaver kan løses nærmere der innbyggerne bor, og i samarbeid med flere aktører. Det blir replikkordskifte. At Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville ha regioner og ikke tre nivåer, er en ærlig sak, og det er helt greit, men nå er vi nå her. Hvorfor mener representanten Schou at antallet er mye viktigere enn innholdet, altså at antallet regioner skal være et mye viktigere spørsmål enn hva innholdet i disse nye regionene er? Hva tenker representanten Schou at dette ekspertutvalget skal løse? Jeg ser i hvert fall at det foregående regjering prøvde på, var å løse det selv uten at det skjedde noen ting. Man fikk ikke flyttet oppgaver ut. Man flyttet noen nedslitte fylkesveier over til et fylkeskommunalt nivå, og for øvrig var det noen verneverdige arter. Både Lauvås og jeg har god erfaring fra Østfold fylkeskommune og vet at det var akkurat så ille lite flytting av oppgaver. Så tror jeg det er klokt at man får på plass den organisatoriske inndelingen og ikke hiver ut oppgaver uten å ha den på plass, slik representanten Lauvås tar til for. Det er viktig at vi også fyller regioner med innhold. Vi har over 30 ulike regionale statsaktører med ulik type geografi. Det kunne foregående regjering også tatt tak i. Det gjorde man ikke. Man fikk antakeligvis ikke flertall i den regjeringen som man da var en del av, men jeg tror det er klokt å få på plass struktur og organisering, for så ytterligere å flytte mer desentralt ut i distriktene oppgaver fra den regionale stat. Det er dette man legger opp til med et ekspertutvalg av andre

I Adresseavisen 9. april i år finner vi følgende uttalelse fra statsministeren: «Regionreformen er ikke vårt prosjekt. Den er noe vi har lagt frem fordi Venstre, KrF og resten av stortinget har bedt oss om det. Kommunereformen, derimot, den går på skinner av seg selv – og er ikke noe jeg trenger å prioritere i dag». som kommunereformen går på for tiden, fører jo reformen ut i det store intet, så sant regjeringen ikke har tenkt å overprøve de kommunale vedtakene ved å bruke tvang. Mitt spørsmål er: Hvordan har statsministerens utsagn om regionreformen påvirket den saken vi behandler her i dag? Er det manglende entusiasme fra folkevalgt regionnivå som har resultert i en så tynn melding, er det at det som skulle være en oppgavereform, munner ut i forslag om nedlegging av halvparten av fylkeskommunene? Nå forstår jeg det slik at representanten Greni vil beholde dagens struktur og antallet fylkeskommuner og ikke vil gjøre noen endringer i oppgavene. Vi derimot innser at vi er i en mindretallsregjering, og vi ser også at det er mulig å flytte oppgaver nærmere der innbyggere bor, og ut i distriktene. Det er oppsiktsvekkende ikke er opptatt av nettopp det, for muliggjøringen av å etablere færre fylkeskommuner, altså regioner, til om lag ti gjør også at man i større grad kan få forvaltningsnivå som er mer robuste til å ta imot oppgaver fra den regionale stat, slik som vi gjør med sams veiadministrasjon, som har vært etterspurt av ute i fylkeskommunene, med min erfaring fra mange år i fylkeskommunen. Dette gir muligheter for både å styrke arbeidsplassene i distriktene og sånn sett få beslutninger nærmere der folk Regionreform er ikke Høyre og Fremskrittspartiets hjertesak. Det er jo noe de har blitt tvunget til av flertallet på Stortinget. Da er det behov for å få vite mer fra Stortingets side. Når representanten Schou sier at hvis man får større regioner, kan man få flere store, tunge oppgaver, som skal kunne godtgjøre at man ommøblerer hele Norge, er spørsmålet: Hvilke andre oppgaver enn dem som nå er lagt på bordet, som jo er 14 slike utredningsforslag med ting som ikke akkurat engasjerer folk så veldig, inn i denne regionreformen? Er det noen andre store oppgaver som representanten og Høyre ser for seg kan legges til et slikt nivå, dersom regionene blir store nok? Det er en viktig sak for Høyre å flytte oppgaver nærmere der folk bor. Det er mulig at folk ikke går i demonstrasjonstog for en fylkeskommune. Jeg ser også at det ikke er det mest realistiske. Men det jeg tror folk er opptatt av, er at man skaper arbeidsplasser mer desentralt. Det gir nettopp regionreformen en mulighet for. Både sams veiadministrasjon, at man flytter oppgaver fra Fylkesmannen, IMDi, alle de oppgavene som i dag ligger i fylkeskommunene, vil være en del av regionreformen. Det er ikke slik at Høyre tvinges til dette. Vi har vært med på det. Vi har vedtatt det. Vi har besluttet det, og da er det slik at vi går inn for at vi skal sørge for at de oppgaver som fylles inn i en regionreform, faktisk er oppgaver som med letthet kan løses på regionalt nivå. Det er klokt at det er et ekspertutvalg som går gjennom den regionale stat og ser på mulighetene, i motsetning til det Andersens parti gikk inn for da de var i regjering. Dermed er replikkordskiftet over. Takk til saksordførar André N. Skjelstad for å leggja fram saka på ein ryddig måte. Eg vil òg nytta anledninga til å gratulera saksordførar og kollega Geir Sigbjørn Toskedal Takk til saksordførar André N. Skjelstad for å leggja fram saka på ein ryddig måte. Eg vil òg nytta anledninga til å gratulera saksordførar og kollega Geir Sigbjørn Toskedal frå Kristeleg Folkeparti med eit stort gjennomslag for at det blir ei regionreform. Dette er jo ei sak som Kristeleg Folkeparti og Venstre, heilt riktig påpeikt, engasjert seg i og fått Høgre og Framstegspartiet til å vera med og leggja fram på ein entusiastisk måte for Stortinget i dag. Det skulle eigentleg berre mangla når ein skal ha tre nivå i Noreg, at ein kan tenkjast å gjera forandringar i inndelinga som har vore lik i over 100 år. Den einaste forskjellen som har skjedd, er at Bergen gjekk inn i Hordaland på 1970-talet. Det var kanskje ikkje så imponerande all den tid Bergen låg i Hordaland frå før. Så gjer me seinare eit vedtak om samanslåing av Nord- og Sør-Trøndelag, men bortsett frå det har denne inndelinga vore ganske lik i veldig mange år. Det er heilt riktig at Framstegspartiet sitt standpunkt er at me hadde klart oss med to nivå. Me legg ikkje skjul på det, men når me ikkje har fleirtal i Stortinget, finn me gode løysingar i lag med samarbeidspartia våre. har ein prøvd seg på før, og eg synest det er interessant at parti som har forsøkt før og ikkje lykkast verken med å flytta oppgåver eller få på plass ein ny struktur, tydelegvis gløymer sitt eige forsøk. Men eg skal heller velja å sjå framover enn å sjå for mykje bakover. Eg trur det er to faktorar som gjer at det er større sjanse for å lykkast denne gongen. Det både på mål om tal og på oppgåver og prosess som vil gje denne prosessen meir fart enn det den førre hadde. Det andre er at eg føler, og det såg me i høyringa, at fylkeskommunane sjølv er langt meir motiverte og engasjerte for å lykkast denne gongen. Det har skjedd ei stor modning i fylkeskommunane som òg gjev grunnlag for at me kan få ein annan struktur på plass. Det me seier, er at me ser for oss om lag ti regionar, halvering av dagens 19 fylkeskommunar. Det vil seia at det er stor sjanse for at me kan få ei meir effektiv organisering av Noreg med færre fylkeskommunar. Når me fyrst skal ha fylkeskommunar, er òg Framstegspartiet glad for at me får ei meir effektiv organisering med mindre byråkrati og meir pengar til tenester, vegbygging og ting innbyggjarane har nytte av. Eg vil òg rosa fylkeskommunane som går føre her. Seinare i dag skal me behandla samanslåing av Nord- og Sør-Trøndelag, og eg vil gratulera dei to fylkeskommunane med å vera fyrst ute og ha gjort eit godt stykke arbeid i lag. Òg i heimområdet mitt Vestlandet er ein komne langt i prosessen. Alle fylkestinga der behandlar dette. På alle møte som står att i år, skal intensjonsavtalar og behandlingar skje i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland. Det er antyda at dei vil gjera endeleg vedtak i desember. Så eg håper at departementet finn gode løysingar med fylkeskommunane sjølv om fristen er formulert 1. desember, og finn smidige måtar som gjer at ein kan behandla dette sånn som fylkeskommunane ser for seg. Framstegspartiet synest mykje er bra i meldinga. At me antydar at me skal rydda opp i måten staten organiserer seg på i kjølvatnet av dette, er bra. er ikkje sånn at alt skal vurderast vidare. Nokre oppgåver er me tydelege på at skal flyttast, spesielt frå Fylkesmannen, både innanfor areal og innanfor landbruk. Innanfor landbruk skal me ha eit forsøk som gjev ein region endå større fullmakter, som blir spennande. Sams vegadministrasjon skal til stor glede for mange fylkespolitikarar flyttast til regionane, sånn at dei som greier ut, er dei same som betaler for vegane, noko som kan vera veldig nyttig. Men me seier éin ting til. Me ønskjer å flytta endå fleire oppgåver ned når dei nye regionane er på plass, og set då ned eit ekspertutval. Eg synest det er rart at det blir latterleggjort av Arbeidarpartiet at ein både flyttar oppgåver i dag og viser retning på at me vil gå lenger, og at me vil bruka ekspertise som skal sjå det litt frå utsida, at det ikkje berre er departementa som skal seia kva dei kan gje frå seg, men at det er nokon som skal peika på kva som kan flyttast. Eg hadde håpt at fleire parti hadde støtta den tankegangen. Til slutt vil eg òg understreka at for oss er det viktig å understreka at regionane ikkje skal bli ein overkommune verken når det gjeld skjønnsmidlar eller arealpolitikk, så kommunane er planmyndigheit vidare. Regionane skal ikkje overta kommunane sine oppgåver som aktør på dei felta. Det blir replikkordskifte.

Fremskrittspartiet har vært kalt folkeavstemningspartiet, og Fremskrittspartiet har programfestet at folkeavstemning skal brukes i mange flere saker i kommunesektoren. I kommunereformsaken har det vært motsatt. Komiteens leder Njåstad har erklært at kommunesammenslåingen er for vanskelig til at folk flest kan ta stilling til det, og advart mot Mener Fremskrittspartiet fortsatt at folkeavstemninger er en egnet måte å gi innbyggere innflytelse på i avgjørelse av lokale saker som er viktige for dem? Jeg har merket meg at lokale fremskrittspartipolitikere har kritisert at innbyggerne ikke har vært involvert når det gjaldt sammenslåingen av Trøndelags-fylkene. Bør fylkestingene som nå drøfter fylkessammenslåing, høre innbyggerne sine før de gjør de Det er interessant kor opptekne Senterpartiet er av Framstegspartiet sine program. Då anbefaler eg at ein studerer nøye debatten på landsmøtet i 2013 som utforma programmet. Essensen av debatten om kommunereforma då var om det er folkeavstemmingar som skal avgjera kommunereforma, eller om Stortinget faktisk har eit ansvar for å organisera Noreg på ein mest mogleg effektiv måte, altså kunna fastsetja korleis ting skal sjå ut. Så det burde vera velkjent for alle at sjølv om me er eit parti som er opptekne av folkeavstemmingar, er me òg opptekne av å organisera Noreg smart, og det var essensen av debatten vår i 2013. Spørsmålet om folkeavstemmingar dei ulike fylkestinga skal gjennomføra, får dei ulike fylkestinga og partigruppene sjølve ta stilling til. Når me ser på oppslutninga som er rundt folkeavstemmingar, er det ikkje grunnlag for å tru at folk vil strøyma til og gje sitt syn på korleis fylkeskommunen skal vera organisert. Så eg trur fylkestinga i stor grad klarer å handtera dette på ein klok måte I min hjemkommune på mandagen var det nesten 70 pst. oppslutning på folkeavstemningen, så det er rimelig ulikt rundt omkring. Men da går spørsmålet mitt på frivillighet, for det står her i innstillingen at det skal bli om lag ti regioner. Noen prøver å spre et rykte rundt omkring at nå må dere skynde dere å slå dere sammen med nabofylket, hvis ikke blir det Kan representanten si lite grann om hvordan en tenker seg den videre prosessen? Er det sånn at nå skal vi få gode prosesser mellom nabofylker, at de selv skal finne ut hvordan de vil ha dette, og vi skal respektere vedtakene, eller skal det også her komme en embetsmann og tegne kart i etterkant, og så er arbeidet de gjør, egentlig ganske Arbeidet med å sjå på si eiga organisering er uansett aldri bortkasta. Det er nyttig at både kommunar og fylkeskommunar heile tida vurderer om det er mogleg å få endå betre tenester av å få større fagmiljø og sjå ting meir i samanheng. Når det gjeld denne prosessen, skal ikkje fylkesmennene ha ei rolle – viss det var det ein meinte med embetsmenn – men prosessen er ganske identisk med kommunereforma. Fylkeskommunane får ein frist, og så vil regjeringa summera opp det dei får, og leggja fram for Stortinget ein proposisjon neste vår. Då blir det opp til Stortinget å handtera det vidare og sjå det i lys av målsettinga til Stortinget om om lag ti regionar. For oss som ønsker en regionreform og ønsker å flytte reelt store oppgaver fra staten til fylkene og ikke strippe fylkeskommunene for de store, tunge og viktige oppgavene de i dag har, så er det mulig å tenke på hva man vil med en sånn reform. Men det er vanskeligere å forstå hva det er Fremskrittspartiet egentlig vil med en slik reform, når man ikke vil flytte noen vesentlige, tunge oppgaver som kunne være begrunnelse for en slik reform, til det nye regionnivået. Jeg hørte representanten Njåstad snakket om at fylkene var så entusiastiske. På høringen i komiteen, derimot, var bl.a. vestlandsfylkene svært klare på at de sa: Ja, vi kan være klare til dette, men da må oppgavene ligge på bordet. Vi kan ikke drive og tegne et nytt kart og slå oss sammen for ingenting, eller for de småtingene som ligger på bordet i dag. Oppfatter Njåstad at det er riktig å gjøre sånne prosesser ut fra så lite flytting av oppgaver? Me var heilt sikkert på same høyring, men eg opplevde vestlandsfylka som veldig framoverlente, og at dei ønskjer å gjera dette. er inga hemmelegheit at mykje av denne diskusjonen tidlegare har vore prega av at fylkeskommunane har sagt: Gje oss oppgåver fyrst, så kan me sjå på strukturen etterpå. Men staten sine departement har tenkt motsett: La oss no fyrst sjå kor store dei blir, så kan me vurdera oppgåveflytting. Det er her eg synest Stortinget i dag finn ei klok tilnærming. Ein er tydeleg på ein del oppgåver som ein flyttar, og så seier ein om lag Så seier ein at ein skal ha eit uavhengig ekspertutval i tillegg til å flytta ytterlegare oppgåver. Då trur eg Stortinget på ein klok møte imøtekjem begge omsyna, sånn at me kan få gjort dette på ein skikkeleg måte. Eg opplever at fylkeskommunane no grip denne sjansen, og at me får på plass denne regionreforma pga. måten Stortinget legg henne opp på. Dermed er replikkordskiftet over.
historisk sak – historisk for distriktene våre, for byene, for regionene og for landsdelene. Allerede i 2004 pekte Distriktskommisjonen på å erstatte dagens fylkeskommuner med sterkere og færre regioner. Det var lurt for å kunne drive en effektiv distriktspolitikk. Derfor er vi veldig glad for at dette nå er kommet på plass. Det er et maktfordelingsprinsipp som vi ser på, og derfor er dette en gjennomgripende reform som vil virke i mange tiår – det tror jeg. For Kristelig Folkeparti var tre folkevalgte nivå programfestet, så det var viktig å se på det da vi gikk inn i samarbeid med regjeringen. Fylkeskommunene har en inndeling fra 1800-tallet, basert på helt andre samferdsels- og bosettingsstrukturer. Det har vært en lang vei å gå før vi nå behandler denne meldingen som ser ut til å operasjonalisere denne saken. I Kristelig Folkeparti ser vi på dette som en seier. Vi er glad for Venstres forslag, og vi takker regjeringspartiene som har bidratt til å få dette på plass. Statsråd Sanner har gjort det som er mulig på dette tidspunkt, langt på vei, for å få til en god reform. En god reform varer jo ikke like kort som et knips med fingrene, den skal vare over lang tid, og dette er den typen reform som langt på vei er prosessbasert. og i Kristelig Folkeparti har vi diskutert dette med om lag ti. Vi har i tidligere perioder i partiet vært helt nede i sju til ni regioner, noen har snakket om fem landsdeler. Men vi er tilfreds med det som ligger inne i dagens sak. Så vet vi at det har vært ansats til denne reformen tidligere, men det ble svært lite resultat. Ideelt sett for Kristelig Folkeparti burde denne reformen kommet først og så kommunereformen. Men vi har forholdt oss til det som er mulig og det vi har fått til i samarbeidsavtalen. Vi er veldig glad for at det nå blir parallelløp mellom kommunereform og en regionreform. Så er det slik at i denne reformen er struktur veldig viktig. Det blir på en måte en ramme for andre statlige inndelinger, så å snakke ned betydningen av struktur blir helt feil. Men vi er enig i at oppgaver er svært viktig. Dette skal ikke være et prateorgan, dette skal være et organ som er tjenesteleverandør, og som skal tjene regionene optimalt og på en ny måte. Så er det slik at samfunnsutviklerrollen er viktig. I mitt parti er nærhet sentralt i den politiske tenkningen. Makt skal plasseres på lavest mulig hensiktsmessig nivå, og analysen viser nå at det er hensiktsmessig at noe ligger på regionalt nivå. Det er saker som gjelder et større område enn kommunene, selv etter kommunereformen. Samtidig er det spørsmål som krever beslutninger som er mer differensierte enn vi kan få til på nasjonalt nivå. De nye regionene må få spillerom til å gjøre det som er best for sitt område, og fortrinnene er forskjellige i vest og i nord, det gjelder verdiskaping, naturressurser, kulturforskjeller er nå lagt føringer for at ansvarsporteføljen blir større enn det fylkeskommunene har i dag. Føringen ligger i meldingen og i innstillingen, når vi nå ender opp med ti regioner. Nabopratene er i gang, og vi håper det gir grunnlag for at det kan havne på omtrent ti. Så er vi klar over at det er spesielle utfordringer skal de sitte igjen med mer rendyrkete tilsyns- og veiledningsoppgaver, og beslutninger som krever politisk skjønn, skal overføres til det folkevalgte nivået. Dette må man også systematisk gå igjennom, slik at den regionale stat får tilsvarende reform og vi får ryddet i grensene mellom regional stat og regioner og oppgaver hos kommunene. Dette er altså en demokratireform, og vi mener at vi må se på og finne hensiktsmessige og legitime størrelser. Vi har ikke tatt stilling til folketall i regionene eller geografiske inndelinger, men planverktøyene og den utredningen som skal foregå, er nødt til å ta stilling til disse tingene. Det er en altfor stor reform til at vi kan gjøre viktige vedtak om oppgaver her og nå, selv om vi har det i programmet vårt. Derfor legger vi stor forventning til ekspertutvalget og ser fram til det resultatet. Det blir replikkordskifte.
folkevalgte regionale nivået. Sentrale oppgaver for det regionale nivået vil være videregående opplæring, regional høyere utdanning og forskning, innovasjon og næringsutvikling, samferdsel, kultur, oppgaver innen helse, miljø og landbruk, samt sektoroverskridende og kommuneoverskridende planlegging. Jeg regner med at representanten Toskedal kjenner igjen dette, for det er det som står i partiprogrammet hans. Det er i hvert fall det som lå på nettversjonen. På vennligste måte vil jeg spørre representanten Toskedal: Hvorfor vil ikke representanten Toskedal gjøre seieren større i dag ved å stemme for det partiet hans i eget partiprogram er for? I dag har han muligheten. Det er et godt spørsmål. Jeg kan gjøre oppmerksom på at du glemte en del i opplistingen. Det er faktisk flere ting som nå blir overført til regionalt nivå som du kunne ha tatt med, og som gjør at de nye regionene vil få en del større portefølje enn dagens fylkeskommuner. Det som gjør at vi ikke går konkret inn og sier at nå skal vi det og det, er at denne reformen er for stor. Dette vil få en så stor hos Fylkesmannen, og kanskje hos direktorater og i statlige inndelinger, at vi vil ha en faglighet bak oss. Vi vil ha kunnskap om konsekvenser og nøye vurdere de enkelte punktene du nevnte. Jeg er veldig tilfreds med – jeg forstår at Arbeiderpartiet og andre fremdeles holder på de samme punktene – at det blir en kvalitetssikring av det stortingsflertallet som allerede foreligger. Ekspertutvalget vil merke seg dette nøye, de vil komme tilbake til det, og det blir konkretisert ved hjelp av stortingsflertallet. Jeg regner med at Arbeiderpartiet står ved sitt. I Stortingets behandling av oppgavemeldingen for et år siden understreket Kristelig Folkeparti sammen med samarbeidspartiene: «Oppgavene til et nytt regionalt folkevalgt nivå skal gjennomgås og forslag legges frem for Stortinget i en stortingsmelding våren 2016.» Partiene lister så opp en del oppgaver som kan overføres til regionalt nivå. Nå ligger stortingsmeldingen her, men uten oppgaver som dere selv sa var det sentrale ved gjennomgangen. Tvert imot er det fjernet oppgaver fra det regionale nivået ved at en hovedoppgave som tannhelse er fjernet. Det er strukturen ti fylkeskommuner som er det sentrale i denne meldingen. Mener Kristelig Folkeparti at regjeringen har som ble etterspurt for et år siden? Når det gjelder meldingen som kom, syntes vi i Kristelig Folkeparti, på lik linje med Venstre, at den var litt tynn. Derfor har vi nå i dette arbeidet samarbeidet og fått inn en god del nye punkt som jeg tror også Senterpartiet må være fornøyd med, for det vil føre til mer makt ut til regionene og lokalt er tannhelse for oss et viktig punkt, og det har vi tatt fram i meldingen – det er en egen merknad om det der Kristelig Folkeparti mener at tannhelse fungerer godt på regionnivå, slik det er i dag hos fylkeskommunene, og vi ber om at det blir vurdert videre. Det er en merknad som vi står for og hele tiden har ment, og som våre samarbeidspartier forstår oss på, selv om de er uenige.

det andre er videregående skole, som det er litt usikkerhet rundt nå. Skal de få beholde det eller ikke, eller skal man videreføre disse forsøkene som man sjølsagt har en intensjon om å få vekk fra regionnivå til de store kommunene? Og så gjelder det kollektivtrafikken. Kollektivtrafikken er åpenbart en regional oppgave, der man ikke kan sitte i enkeltkommuner – sjøl store kommuner som Oslo trenger et samarbeid med andre store kommuner og andre områder rundt seg. Det vil skje uansett, overalt trenger man at kollektivtrafikken blir håndtert på et regionnivå fordi man trenger å få sammenhengende reiseløp. Hva mener egentlig Kristelig Folkeparti om disse tingene, og kan de nå garantere at slike typisk regionale oppgaver som videregående skole, tannhelse og kollektivtrafikk ikke blir fjernet før reformen er gjennomført? Jeg tror at når det gjelder videregående skole, har vi blitt enige med regjeringen om at det skal praktiseres sånn det ble gjort i rød-grønn periode. De samme unntaks- og dispensasjonsregler skal følges, og samme praksis. Så det vil jeg tilbakevise. Når det gjelder kollektivtrafikk, har jeg nettopp sagt at regionene skal være tjenesteleverandør. Det skal de fortsatt være. Så vil jeg bare avslutningsvis si at hvis Kristelig Folkeparti og Venstre blir beskyldt for å vingeklippe fylkeskommunen når vi nå har fått inn en masse nye oppgaver som skal utredes, og som ved hjelp av stortingsflertallet vil bli gjennomført, tar jeg sterk avstand fra beskrivelsen Hvis du var med på høringen, ville du hørt den begeistringen som har vært nevnt, som flere andre har pekt på, og hvor fylkesordførere og KS har kommet med en lang liste om hvordan den nye regionen skal settes sammen. Jeg er klar over at det motsatte av vingeklipping er at noe tar av. Jeg håper det gjør det, og at SV bidrar til det. Presidenten ber om at all tale skal rettes til

Det største fylket i landet, Finnmark, er minst i folketall. Det minste, Oslo, har flest innbyggere. Finnmark og Oslo utvikler seg begge best om politikkutformingen skjer ut fra de lokale forholdene som preger disse fylkene. Det er vanskelig å se for seg at samfunnsutviklingen i Finnmark blir bedre om de regionale oppgavene knyttet til samferdsel, videregående skoler, regionale kulturtiltak og planlegging blir løst av politikere som dekker store deler av Folk i Finnmark mener det ikke er slik, men det mener tydeligvis regjeringen og stortingsflertallet. De vil ikke ta hensyn til det lokale. Målet om ti fylkeskommuner er viktigere enn hva innbyggerne mener. Senterpartiet ønsker å styrke det folkevalgte regionale nivået. Det vil vi gjøre ved å tilføre fylkeskommunene oppgaver som i dag er tillagt statlig forvaltning, som fylkesmennene, direktoratene og annen statlig sektorforvaltning. Senterpartiet fremmer i innstillingen til regionmeldingen et forslag som inneholder 14 forslag til konkrete oppgaveoverføringer til fylkeskommunene. Våre forslag er ikke knyttet til en forutsetning om endringer i Vi har 19 fylkeskommuner, som alle er fullt ut i stand til å ta på seg nye og større oppgaver. Det bør det iallfall ikke være noen tvil om. Regionmeldingen bærer preg av at den ikke er regjeringen Solbergs ektefødte barn. Den er ikke båret fram av entusiasme for de Som jeg nevnte i en replikk, sa statsministeren i Adresseavisen den 9. april: «Regionreformen er ikke vårt prosjekt. Den er noe vi har lagt frem fordi Venstre, KrF og resten av stortinget har bedt oss om det.» Det var altså alle partier, unntatt regjeringspartiene, som i innstillingen om kommuneproposisjonen for 2015 klart ga uttrykk for at det er behov for folkevalgt styring på regionalt nivå, og at dette må være et grunnleggende prinsipp for arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Flertallet sa også at eventuelle endringer i fylkesstrukturen må, på samme måte som endringer i kommunestrukturen, bygge på lokale ønsker. Jeg tror jeg har alle fra dette flertallet med meg når jeg mener at regjeringen ikke følger opp denne flertallsmerknaden på en særlig offensiv måte. Vi forutsatte at regjeringen skulle presentere en regionmelding der det ble fremmet konkrete forslag til overføring av oppgaver fra statlig sektor til folkevalgte fylker. I stedet velger regjeringen å diskutere antall fylker uten konkrete forslag til oppgaveoverføring. Igjen begynner disse reformene i feil ende. Fylkesinndelingen her i landet er styrt av regional identitet – og også styrt av det som vurderes å være en hensiktsmessig struktur med tanke på oppgaver som skal løses, og med tanke på samarbeid med kommunene. Vi har de siste årene hatt to vurderinger av endret fylkesstruktur, i Agder-fylkene og i Trøndelags-fylkene. I Agder endte det med status quo, for Trøndelags-fylkene vil vi i dag vedta sammenslåing. Den regionale inndelingen av statlig forvaltning er først og fremst styrt av sektorspesifikke interesser. Koordinering med fylker og kommuner blir lite vektlagt, og det har ført til en svært ulik geografisk inndeling. Vi er enige om at grensene i statlig regionforvaltning må tilpasses bedre til fylkesgrensene. Jeg er imidlertid ikke enig med dem som mener at større fylker er en forutsetning for at disse tilpasningene skal komme på plass. Vi trenger ikke å skru sentraliseringsskruen ytterligere til. Jeg merker meg at regjeringspartiene og Venstre viser til sin inngåtte avtale om det kommunale inntektssystemet der de sier at kommunereformen må legge til rette for større kompetansemiljøer i hele landet. arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes. Da er spørsmålet mitt: Hva har de gjort? Det er jo ikke noe nytt i disse målformuleringene. Til slutt ønsker jeg å ta opp Senterpartiets forslag i innstillingen. Representanten Heidi Greni har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Når man hører på Senterpartiets innlegg, både i kommunereformdebatter og i regionreformdebatter, kan det som om mottoet synes å være at bare alt kan være som før, er vi sikre på at alt vil forbli som før. Det er liten vilje til å initiere endring i offentlig forvaltning. Men på et område har altså Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet fremmet et forslag i den foreliggende saken, og det overrasker meg at Senterpartiet er med på det. De foreslår altså å flytte fordelingen av skjønnsmidlene til kommunene fra Fylkesmannen til å være en oppgave underlagt regionalt folkevalgt nivå. Dette ville være en inngripen mot de selvstendige kommunene, og jeg trodde Senterpartiet var kommunenes varmeste forsvarer. Men nå vil man altså at skjønnsmidlene til kommunene skal underlegges en partipolitisk kontroll på regionalt folkevalgt nivå. Hvordan er dette en styrking av det lokale selvstyret og kommunesektoren? Senterpartiet er opptatt av at alle oppgaver og saker som er underlagt politisk skjønn, skal vurderes av politikere – som faktisk kan få katten ved neste valg ikke av embetsverket. Vi er opptatt av at Fylkesmannen skal ha tilsynsoppgaver og veiledningsoppgaver – rendyrkede tilsynsoppgaver – og det som er underlagt politisk skjønn, bør være utført av politikere. Jeg må si at når jeg ser de oppgavene som Fylkesmannen tydeligvis har blitt tilført det siste året når det gjelder kommunereformen, er jeg ikke mindre overbevist om det synspunktet mitt – tvert imot mer overbevist. I de sakene er det Fylkesmannen som overkjører det lokale skjønnet. Regjeringen har nå satt Fylkesmannen til å være en torpedo for kommunereformen. Fylkesmannen skal overprøve lokale vedtak, overprøve lokale folkeavstemninger. Det bør ikke være en fylkesmannsoppgave. Fylkesmannen bør ha rene tilsynsoppgaver. Eg òg har lese forslag nr. 9, som Senterpartiet og Arbeidarpartiet står bak, med ein stor grad av uro. Ein snakkar om tilsynsoppgåver, og representanten Greni kjenner jo til at ROBEK-registeret er ein av dei kanskje viktigaste tilsynsfunksjonane fylkesmennene har med kommunesektoren, der dei aktivt følgjer dei opp med økonomistyring og den kompetansen. Det er den same kompetansen som blir brukt til å utmåla skjønsmidlane. Så det eg lurer litt på, er: Skal ein òg flytta tilsynet med ROBEK-funksjonen til det regionale nivået, eller skal ein byggja opp to separate administrasjonar, der begge skal ha kompetanse på kommuneøkonomi og oppfølging? Det hadde vore veldig greitt å få nokre refleksjonar frå Senterpartiet om korleis dei reint praktisk ser for seg at regionalpolitikarane skal overta den rolla. Og viss det er ein så veldig god idé – kvifor gjorde ein ingenting i løpet av dei åtte åra ein hadde sjansen? Kvifor var ein bekvem med at fylkesmennene fordelte skjønsmidlar òg i ei raud-grøn regjering? Som jeg svarte foregående replikant, er vi opptatt av at skjønnsoppgavene skal ligge at skjønnsoppgavene skal ligge hos noen som faktisk kan få katten hvis de ikke gjør oppgavene sine. Det ikke slik at disse skjønnsmidlene deles ut uten at det er noen føringer på dem. Også i dag er det sentrale føringer på hvordan disse midlene skal fordeles. De blir ikke tatt ut av løse luften og fordelt etter forgodtbefinnende. Det er klart at de som skal ha ansvaret for hvem som skal i ROBEK-registeret, må også ha et virkemiddel for å kunne hjelpe de kommunene ut av det uføret. Det bør ligge hos samme etat, og hvor det skal ligge hen, vil vi se på i den videre utredningen. Men i prinsippet bør alt som har med politisk skjønn å gjøre, utøves av politikere – sånne som oss, som kan få katten hvis vi gjør en veldig dårlig jobb. Eg trudde ikkje eg fekk stille eit nytt oppfølgingsspørsmål, men heilt klok på resonnementet til Senterpartiet. Berre fordi det heiter «skjønsmidlar», betyr ikkje det nødvendigvis at den oppgåva berre er prega av skjøn. Det heng nettopp saman med det representanten sjølv gjorde greie for no, at å følgja opp kommunar på ROBEK samtidig som ein har ei verktøykasse med skjønsmidlar, gjev Fylkesmannen i dag ei god moglegheit til å hjelpa dei kommunane på ein god måte. Eg er redd Men er representanten einig i at dei som skal følgja opp ROBEK-kommunar, er dei same som skal sitja på verktøykassa med skjønsmidlar? Er ein einig i det? Det er spørsmålet til representanten. Det var vel akkurat det jeg svarte på foregående spørsmål. Når det gjelder bekymringen for Fylkesmannens rolle i tiden framover, har jeg veldig stor bekymring for Fylkesmannens rolle i tiden framover. framover. Fylkesmannen har i alle år vært en god veileder og en god samarbeidspartner for kommunene. Gjennom den tilsynsoppgaven han har, har han også vært en veldig god rådgiver for norske kommuner. Det har vært et veldig godt samspill. Nå har dagens regjering gjort Fylkesmannen til en torpedo for kommunereformen. Det gjør at forholdet til Fylkesmannen er veldig, veldig anstrengt rundt omkring i mange kommuner, og den veiledningsrollen han har, og de rådene som kommer, blir kanskje ikke tatt på det samme alvoret i tiden framover. Så den rollen som den nye regjeringen har tillagt Fylkesmannen, bekymrer meg veldig for framtiden. Me har aldri brukt ordet «torpedo»… Dermed er replikkordskiftet omme. SV er for en regionreform med innhold, men vi sier nei til en regionreform uten innhold, som er det regjeringen har lagt fram. Det er kanskje ikke så rart når regjeringen ikke vil ha noen regionreform, men vil fjerne mellomnivået i norsk politikk. Det er litt rart at noen kan forsvare å ommøblere Norge så dramatisk uten at en egentlig vet hva man skal bruke disse store regionene til, og uten at det er noe som oppleves viktig for folk som bor der. Hvis dette skal være en demokratireform, risikerer vi å ende opp med det som er det verste med fylkeskommunene i dag, nemlig at folk opplever at det er stor avstand, og at man ikke har noen oppgaver som er viktige for folk. Her vil jo regjeringen strippe fylkeskommunen for oppgaver som er viktige for folk – som kollektivtrafikk og videregående skole og de vil ikke gi dem nye, som f.eks. å overta sykehusene, som jo var under fylkeskommunal styring før, som er en oppgave folk bryr seg veldig om, og som man i dag føler en veldig fjernhet til fordi man har laget et styringssystem for det som gjør at det egentlig nesten ikke er noen folkevalgt kontroll over det. Jeg har jobbet med dette i 25 år. I 1991 ble jeg valgt til fylkesvaraordfører i Hedmark. Jeg jobbet med disse tingene og ønsket en regionreform. Da var barnevernet under fylkeskommunen, og det samme var sykehusene, rusomsorgen osv., så da var det et godt utgangspunkt for å kunne gjøre dette. Men da var det andre partier som ikke ville. Hvis vi skal gjennomføre slike reformer som regjeringen foreslår, f.eks. en kommunereform eller en regionreform, nå, må det jo være fordi man skal løse noen av de store og tunge utfordringene. Min og SVs mening er at det gjør man ikke med noen av reformene. Den ene store, tunge trenden er avfolking og fraflytting. Å slå sammen to kommuner som er fattige, gjør ingen rik eller stor. Det blir heller ingen storby om man slår sammen landkommuner med en mellomstor by – det blir ikke storby av slikt noe. Regionreformen burde ha løst det som virkelig er en stor utfordring i Norge i dag, nemlig felles areal- og transportplanlegging på tvers av store kommuner og i dag fylkeskommuner, der det er knapphet på areal, der det er behov for å ha en kollektivtrafikk og trafikkløsninger som løser klimaproblemene, og der man kan sikre bedre vern av matjord i denne knapphetssituasjonen. Ingenting av dette løses verken med kommunereform eller regionreform, for hvis man vil løse det, må man legge den overordnede areal- og transportplanleggingen til et nivå som er stort nok, og det kunne en regionreform ha tatt. Det er vel redselen for overkommunespøkelset som rir dette, men jeg håper at det modnes til, for det hadde vært nødvendig å få gjort. SV har også lagt fram en rekke forslag som vi mener burde være med i en regionreform hvis man skal kunne forsvare å ommøblere Norge slik. Det gjelder sykehus, og det gjelder næringspolitiske virkemidler – svært viktig hvis dette nivået skal kunne oppleves som en nyttig samarbeidspartner for næringslivet i området. Man er ikke spesielt interessant hvis man ikke har noe å legge på bordet. Barnevernet har jeg nevnt, og kollektivtrafikken har jeg nevnt, den må være tilbake, men også veisida og forskningen må være med. Så skal jeg ta opp ett punkt der vi har et felles forslag med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det ber jeg statsråden om virkelig å vurdere. Hvis man skal være en regionalpolitisk aktør, er jo kompetanse og kunnskap en av de aller viktigste innsatsfaktorene man har. Det vi vet, er at det er vanskelig for folk mange steder i landet å skaffe seg og fylle på utdanning. Derfor har vi foreslått at disse regionene og fylkeskommunene i dag burde ha virkemidler for å kunne initiere, fasilitere og få til desentralisert høyere utdanning mange steder i landet der man har behov for det. I dag gjøres dette på høyskoler og universiteters premisser, men det må være på lokale og regionale premisser at man kan fasilitere slik utdanning landet rundt. Derfor ber jeg flertallet om å se på forslag nr. 5 i innstillingen og stemme for det, for det vil være et virkemiddel som regionene virkelig kan trenge hvis de skal kunne spille en god rolle. Skal representanten ta opp SVs forslag nr. 13? Ja, det skal jeg. Da har representanten Karin Andersen tatt opp det forslaget som SV har satt frem. En samfunnsutvikling som stadig er preget av motstridende mål, stiller økende krav til helhet og samordning på mange områder: kunnskap, næringsutvikling, arealplanlegging, samferdsel, folkehelse og kultur, ressursforvaltning og ikke minst klima og miljø. Miljøpartiet De Grønne slutter seg derfor til en enstemmig komité som støtter en regionreform som legger til rette for en samfunnsutvikling basert på regionale fortrinn og forutsetninger, og som styrker regionenes evne til å møte nye oppgaver med bedre samordning. Men klima- og miljøspørsmål er ikke lenger sektorinteresser sidestilt med mange andre interesser. De er essensen og drivkraften i det grunnleggende endringsprosjektet som mange kaller det grønne skiftet, og som hele samfunnet må gjennomføre. Dette har i altfor liten grad preget Når vi i 2016 legger opp til en storslått regionreform, må vi ha en klar tanke om formålet. Formålet må helt entydig være å gjøre regionene til sentrale redskaper i det grønne skiftet og forberede regionene på å gå igjennom dette skiftet – og blomstre etterpå. Det finnes områder hvor det er tjenlig å bli større. Vi trenger et sterkere regionalt nivå under folkevalgt styring som kan ta regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning. Regionene må få klart definert ansvar og myndighet for de oppgavene som er viktige for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Når vi diskuterer større regioner, må vi også stille Vil handlings- og myndighetsrommet for bærekraftig samfunnsplanlegging bli større? Hvordan iverksetter vi de store tiltakene for grønn næringsutvikling, folkehelse, kultur, natur og matjord? Hvordan skaper vi best mulig utvikling uten tap av verdier? Hvordan kutter vi utslipp og får fortgang i arbeidet med å nå målene i Miljøpartiet De Grønne mener at det må være et mål og en klar forutsetning for dannelse av nye regioner at de innen 2030 blir effektive lavutslippsregioner med sterk næringsutvikling innen rammen av strenge kultur-, natur- og miljøkrav. Samlet er dette grunnlaget for det overordnete målet: regioner med høy livskvalitet. Mye av debatten handler om at regionene må få nye og viktige oppgaver. For Miljøpartiet De Grønne er det en avgjørende og demokratisk forutsetning at alle avgjørelser skal tas på lavest mulig beslutningsdyktig nivå, så nær innbyggerne som mulig – det vil ofte si i kommunene. Men samtidig må beslutninger som får regionale eller nasjonale konsekvenser, kunne styres av regionalt eller nasjonalt folkevalgt nivå. Derfor støtter vi forslag fra om at oppgaver som legger til rette for bruk av politisk skjønn, legges til folkevalgt regionalt nivå, og tjenester som Innovasjon Norge, videregående opplæring, tannhelse, kollektivtilbud osv. beholdes på regionalt folkevalgt nivå, mens forvaltningsoppgaver som i dag ligger til Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling, må bevares. Regional planmyndighet, innsigelsesinstitutt og muligheten til å bruke regionale planbestemmelser må styrkes. Bedre samordnet areal- og transportplanlegging på regionalt nivå er bra, både for kommunalt og for nasjonalt nivå. Fylkeskommunene må ta mer styring over egen framtid, og fylkene har gjort klart hvilke oppgaver de ønsker seg. Nå er det opp til regjeringen å klargjøre hva de vektlegger i en sammenslåingsprosess. Viktigheten av samfunnsutviklerrollen som fylkene har allerede i dag, er underkommunisert og undervurdert. En av forutsetningene for at regionreformen blir vellykket, er at denne rollen blir tydeligere. Eventuelle nye og større regioner må få et klart mandat og ta ansvar for å gjennomføre endringer. Fylkene må få oppgaver og myndighet som styrker muligheten til å drive bærekraftig samfunnsutvikling. Klimasmart og miljøriktig regional utvikling er nøkkelen til framtidig velferd. Det er en forutsetning for konkurransedyktig næringsliv, og offentlige tjenester og velferd må i seg selv trygge framtidas livsgrunnlag, ikke undergrave det. Paris-avtalen, som regjeringen har signert, stiller mye større krav til samfunnsendring i Norge enn det som hittil er bygd inn i norsk politikk. Regionreformen bør bli den første arenaen der denne forutsetningen bygges inn helt fra grunnen av.

Jeg er glad for at stortingsmeldingen har fått bred støtte både fra fylkespolitikere og i Stortinget. Jeg ser også at det er bred tilslutning til at en ny regional struktur er nødvendig for at regionene skal kunne ta sterkere grep om utviklingen i egen region. Sterkere regioner med en tydeligere samfunnsutviklerrolle forutsetter endringer i regionstrukturen. Større regioner er også en forutsetning for å overføre mer ansvar og nye oppgaver. Men la meg understreke at vi flytter ikke oppgaver av hensyn til forvaltningsnivåer. Vi flytter oppgaver og ansvar for at kommuner og nye regioner kan gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester, og for at vi kan sikre en mer balansert og bærekraftig samfunnsutvikling. Dagens fylkesgrenser har nesten vært uendret siden midten av 1800-tallet. Siden den gang har det moderne Norge vokst frem. Kommunikasjon og infrastruktur, næringsstruktur og bosettingsstruktur har endret seg radikalt. Dagens samfunnsutfordringer stopper ikke ved dagens fylkesgrenser. Klima og klimatilpasning, omstilling i næringslivet og kompetanseutvikling krever innsats og prioriteringer som ser større områder i sammenheng. Dette er samfunnsutfordringer som også krever innsats på tvers av aktører og forvaltningsnivåer. En strategisk samfunnsutviklerrolle og evne til å møte samfunnsutfordringene er derfor tett knyttet til regional struktur. Regjeringen foreslår ti nye regioner. Fylkesordførerne og KS støtter dette. De har tatt ballen, og nabosamtalene er godt i gang i samtlige fylker. Jeg har selv hatt samtaler og dialog med fylkesordførerne i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen. Jeg er glad for at det også er et flertall i Stortinget som mener at om lag ti regioner er riktig nivå. Dette er et viktig signal om at regjeringen med sitt forslag er på rett spor med utvikling av Trøndelag viser lederskap og tar grep om egen innsats for utviklingen i regionen. Sterkere regioner legger til rette for desentralisering av makt og en mer balansert samfunnsutvikling. Behovet for å rydde i regionale strukturer er åpenbart. Bedre sektorsamordning krever bedre samspill i forvaltningen. Ti regioner legger grunnlag for langt bedre samspill med staten. Ti regioner gjør det også mulig å drøfte statens regionale inndeling. Vi foreslår at man gjennomgår den statlige regionale strukturen i lys av ny struktur for regionalt folkevalgt nivå. De ulike statlige aktørene har heller ikke sammenfallende strukturer. Blant 38 statlige etater finnes det 36 Det er i dag lite sammenfall mellom fylkesinndelingen og statlige etaters regioninndeling. Staten har organisert sine regionale virksomheter med mange ulike strukturer. Fellestrekket er at de i all hovedsak har færre regioner enn 19. Vi har allerede startet arbeidet med en ny fylkesmannsstruktur. Fylkesmannen er en sentral samarbeidspartner for regionalt folkevalgt nivå, og det er derfor viktig at disse strukturene fungerer godt sammen. Større regioner skal få flere oppgaver. I meldingen foreslår vi overføring av viktige oppgaver, og vi varsler ytterligere vurdering av oppgaver. Overføring av nye oppgaver og funksjoner forutsetter større regioner. Noen mener at dette ikke er nok. Det er selvsagt knyttet forventninger til nye oppgaver som en del av reformen. Komiteen ber oss om å vurdere ytterligere oppgaveområder enn det vi har foreslått. Det skal vi selvsagt følge opp. Som mange av fylkesordførerne sa i høringen om reformen, er det viktig å få på plass strukturen, slik at det gir grunnlag for nye oppgaveoverføringer i fremtiden. Jeg vil minne om at da den forrige store kommunereformen ble gjennomført på 1960-tallet, ble antall kommuner redusert fra 700 til om lag 450. Det la grunnlag for overføring av viktige oppgaver og utvikling av velferdsstaten. Det blir replikkordskifte. Jeg registrerer at statsråden roser Venstre og ekstra for at de har fått gjennomslag. Det er fint av statsråden å gjøre det, men gjennomslaget blir ikke større av den grunn. Nå får statsråden et nytt ekspertutvalg, han er jo glad i utvalg. Nå får han et nytt, slik det ser ut til, etter avstemningen. Jeg har lyst til å spørre statsråden: Hvordan vil dette utvalget settes sammen? Vil det bli representasjon fra fylkene, fra dem som faktisk er der? Vil det bli laget noe høringsdokument? Vil det bli innspillsrunder? Hvor bredt skal dette utvalget gå ut? Hvordan skal fylkespolitikere, og ikke minst innbyggere, kunne følge utvalgets arbeid og framdrift? La meg utvide rosen til også å gjelde representanter for Arbeiderpartiet, ikke minst fremoverlente fylkespolitikere i Nord- og Sør-Trøndelag, som har vist lederskap i denne situasjonen. Jeg mener at i denne type spørsmål skal vi samarbeide der det er grunnlag for å samarbeide. Det letteste som er, er å lene seg tilbake og bare kritisere. Jeg håper at Arbeiderpartiet i det videre også ønsker å være en konstruktiv medspiller for å utvikle det regionale nivået. Jeg mener at det må vi kunne gjøre på tvers av de partipolitiske skillelinjene. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene står sammen på flere områder i innstillingen. Når det gjelder sammensetningen av dette ekspertutvalget, må vi få lov til å komme tilbake til det. Men jeg mener det er klokt av flertallet å si at det bør være noen som kan se dette utenfra, nettopp for å se hva som er mest funksjonelt når det gjelder oppgaveflytting, og hvilket nivå det bør ligge på. Takk for svaret, og takk også for rosen til et utvalg av arbeiderpartirepresentanter rundt om i landet. Det er hyggelig. Mye av kritikken i forbindelse med kommunereformen har handlet om uforutsigbarhet fra regjeringens side. Ikke minst har det vært sterk, og jeg mener riktig, kritikk av at kommunene ikke fikk klarhet i oppgavene de skulle få dersom de ble større. Er ikke statsråden noe bekymret for at det samme utfallet som vi nå ser store deler av kommunereformen har fått – det har jo ikke gått helt på skinner, i hvert fall ikke slik statsråden hadde ønsket – når vi nå ser at heller ikke regionene skal få vite noe særlig om nye oppgaver før de blir bedt om å ta en beslutning om eventuelle sammenslåinger? La meg bare fastslå når det gjelder kommunereformen, at vi allerede har fått til mer på to og et halvt år enn det som har skjedd de Vi ser nå at det i svært mange fylker blir viktige sammenslåinger. Det er bra for innbyggerne, det er bra for næringslivet, det er bra for utviklingen, og det er bra for maktspredningen i landet vårt. La meg også slå fast at når det gjelder kommunereformen, er litt av utfordringen at mange kommuner er for små for de oppgavene de har ansvar for i dag. Allerede da Schei-komiteens innstilling ble behandlet på begynnelsen av 1960-tallet, mente man at kommunene burde ha mellom 5 000 og 10 000 innbyggere. Fortsatt har en av tre kommuner færre enn 2 500, og siden den gang har kommunene fått flere og flere oppgaver. Når det gjelder fylkene, er struktur også viktig. Vi ser at i dette området har Fornebubanen stoppet opp fordi det er en uhensiktsmessig struktur. Fra Drammen til Oslo kan man kjøre på en halv time, og bare der er det tre fylkeskommuner. Slik er det også mange andre steder i landet. En har en struktur som ikke er tilpasset dagens utfordringer. Selvsagt skal nye regioner også få flere oppgaver. Kommunereformen framstår sikkert som en nedtur for statsråden etter resultatene av folkeavstemningene som har vært holdt. Fra mange hold vises det til at resultatene kanskje hadde vært annerledes om regjeringen hadde vært like ambisiøs når det gjelder overføring av nye oppgaver til kommunene, som det den har vært når det gjelder å gjøre noe med strukturen og å sørge for færre kommuner. Kommunene mener de er mer enn store nok til dagens oppgaver. Når det gjelder regionreformen, må vi ta til etterretning at det er en motvillig regjering som lanserer den. Høyre og Fremskrittspartiet hadde jo helst villet legge ned fylkeskommunen. Nå er reformen lansert, og fylkene er bedt om å diskutere sammenslåing med nabofylker. Tror statsråden regionreformen vil bli en større suksess enn kommunereformen? Hva vil han si til alle dem som bl.a. på politisk vilje til å overføre statlige oppgaver fra fylkesmenn, fra direktorat og fra statlige etater til fylkeskommunen? La meg bare slå fast at jeg er grunnleggende uenig i beskrivelsen av kommunereformen. Vi ser tvert imot at veldig mange og særlig små kommuner ser at de står sterkere sammen, og derfor sier ja til å gå sammen med andre kommuner. Det gjør de fordi de tar ansvar for samfunnsutviklingen, tar ansvar for å kunne gi innbyggerne sine gode tjenester for fremtiden. Jeg registrerer at Senterpartiet nasjonalt lener seg tilbake, kritiserer og tror at alt blir som det var bare man ikke gjør noen endring. Men slik blir det ikke. Vi er nødt til, som nasjonale politikere, å ta ansvar for samfunnsutviklingen forvaltningsnivåer som kan håndtere de kommune- og fylkesgrenseoverskridende utfordringene, enten det gjelder klima, miljø, å ta vare på jorda eller sørge for næringsutvikling i landet vårt. Jeg har tro på at vi skal få det til. Med Stortingets vedtak om tre forvaltningsnivåer har jeg til og med fått høre at statsråden er kommet ut av skapet som regionalist! Jeg mener at skal vi ha tre forvaltningsnivåer, må vi sørge for at vi får et godt og regionalt nivå som kan løse viktige samfunnsutfordringer fremover. Derfor går jeg løs på denne oppgaven, og derfor har jeg også god dialog med fylkesordførerne fra ulike partier i hele landet. Takk for svaret – det var vel egentlig ikke et svar på Høringsinstansene, og særlig fylkene som var på høring, etterlyste en annen rekkefølge i denne reformen. Oppgavene må på plass først, før vi vet hvor store vi bør bli for å løse oppgavene. Hva vil statsråden si til dem som nå etterlyser konkrete, nye oppgaver til regionene? Hvorfor er ikke de på plass før fylkene skal diskutere hvordan de skal organisere seg? For å bruke en landbruksmetafor som vi er ganske gode på i Senterpartiet: Skal du bygge om fjøset ditt, er det greit å vite om du skal til med høner eller kyr. Her skal nå fylkene bygge om strukturen uten at de vet hvilket innhold de skal fylle den med. Det stortingsflertallet er helt tydelig på, er at det er helt uaktuelt å flytte dagens fylkeskommuner. Dagens fylkeskommuner har ikke noe flertall i dagens storting. Det er derimot et flertall for ti regioner fordi et nytt regionalt nivå, med om lag ti regioner, bedre er i stand til å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Da blir oppgavediskusjonen litt høna-og-egget-diskusjon. Vi mener at det er viktig å se at vi faktisk får en struktur som er fremtidsrettet, og som kan håndtere utfordringene og bidra til vekst og utvikling i alle deler av landet. Så har vi allerede foreslått noen oppgaver og noe ansvar som kan overflyttes, og vi er åpne for at man også kan gå videre. Jeg kunne ønske også å invitere Senterpartiet med i en konstruktiv dialog om dette. Jeg mener at alle partier, uavhengig av ståsted, burde ha en interesse av at vi får et regionalt nivå som kan håndtere de utfordringene vi overfor. SV er
for en regionreform, men vi mener at vi rett og slett må vite hva vi skal bruke regionene til, før vi ommøblerer norgeskartet. Det ser det ikke ut til at statsråden er så veldig opptatt av. I mitt innlegg var jeg inne på dette med regional planlegging, arealplanlegging, at det å kunne ivareta klimamål, styrke jordvern og løse trafikkutfordringene ved boligetablering og ved næringsarealer, vil kreve regionale løsninger, og at de regionale løsningene må være noe som er bindende, mens det som regjeringen foreslår, er å si at man vil vurdere hvordan man kan gjøre regional planlegging mer forpliktende – altså ikke forpliktende, men mer forpliktende – for regionalt nivå, for kommunene og for de regionale statlige aktørene. Det er ganske stor forskjell på det. Det ene løser oppgaven – det som regjeringen har foreslått, løser ikke oppgaven. Jeg er uenig i det. Jeg er derimot enig i at vi har en del utfordringer som krever en mer forpliktende regional planlegging. Det handler om å kunne ta vare på matjord, det handler om å kunne håndtere klima- og miljøutfordringer, det handler om å legge til rette for planlegging av infrastruktur, utbyggingsprosjekter osv. Vi utstyrer nå regioner, fylker og kommuner med verktøy for å få dette til. Noe av det første vi fikk på plass, var byutviklingsavtaler, som innebærer at kommune, fylke og stat skal opptre som mer likeverdige partnere for å få til en god samfunnsutvikling. Det er kommunene som har ansvaret for boligbygging og for reguleringsplaner innenfor sitt område. Vi har tro på og mener at vi skal ha mer forpliktende regionale planer, men vi skal ikke utstyre fylkeskommunen eller regionen som en overkommune. Vi er for et styrket Men man kommer ikke til å løse disse viktige oppgavene på en mer smidig og god måte framover, hvis man ikke er villig til å tørre f.eks. å komme seg forbi dette overkommunespøkelset og se at her er det en oppgave som må løses på regionalt nivå. Der er vi uenig. SV mener det, regjeringen og flertallet mener det ikke, dessverre. Jeg vil ta opp det andre temaet som jeg nevnte i mitt innlegg, nemlig desentralisert høyere utdanning. Det er et regionalpolitisk virkemiddel som må styrkes, for det vil være helt avgjørende for regionene at de sjøl kan skaffe utdanning til sin befolkning – også til sin voksne befolkning – der og da, slik at de kan stå i arbeidslivet, ha familie, slippe å flytte på seg, kunne drive utvikling kontinuerlig ut fra sine behov og interesser, og ikke nødvendigvis ut fra at det finnes en høyskole eller et universitet som har lyst til å gjøre akkurat dette der og da. Ser statsråden det samme Det kan det nok tenkes at statsråden gjør, men det er ikke sikkert at det er nøyaktig samme løsning. Det vi har pekt på i meldingen, er at nye regioner skal ha en viktigere rolle når det gjelder kompetansestrategier, også og videreutdanning. Jeg mener at for en region som skal ha større ansvar for regional samfunnsutvikling, hvor man skal se på næringsutvikling og kompetanseutvikling, er kompetansestrategier et viktig virkemiddel. Det må da selvsagt være et tett samarbeid mellom regionene og universiteter og høyskoler. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Stortinget har slått fast at det skal vere eit nivå mellom kommunane og staten, og i dag slår Stortinget fast at det skal vere om lag ti regionar. Dei nye regionane vil få eit heilskapleg ansvar for fylkesvegnettet. Regionane vil også få langt større råderett over næringsutvikling, samferdsle og andre viktige oppgåver enn dagens fylkeskommune. Når dei nye regionane er på plass, vil det også bli starta eit arbeid for å tilpasse fleire statsetatar til dei nye regiongrensene, og for å få til det blir regjeringa beden om å setje ned eit ekspertutval som skal føreslå oppgåver frå direktorat/tilsyn og regional stat til regionane. Eg er svært glad for at mitt eige heimfylke er ein pådrivar for å få til ein sterk vestlandsregion, og eg vil gje ros for det arbeidet som fylkespolitikarane og fylkesordføraren gjer for å få til dette. frå Arbeiderpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre og SV om at regionane bør utgjere funksjonelle einingar, og at samanhengande bu- og arbeidsregionar som hovudregel ikkje bør delast, er også viktige i det vidare arbeidet med reforma. På vegner av ca. 1 250 bedrifter i nordre Nordland og Sør-Troms har fleire næringsforeiningar kome med innspel frå næringslivet i den folkerike grenseregionen mellom Nordland og Troms. Dei har store forventningar til at Stortinget og regjeringa i det vidare arbeidet med regionreforma vil bidra til at den kunstige grensa mellom Nordland og Troms blir historie frå og med 1. januar 2020. I grenseområda mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det også kome innspel om at grensa er til stort hinder for å utvikle ein sterk og framtidsretta bu- og arbeidsregion, og at denne fylkesgrensa også kan vere til hinder Det same ser vi i andre enden av Møre og Romsdal, der kommunar ser seg best tente med å slå seg saman med kommunar på den andre sida av fylkesgrensa. På våre reiser med komiteen har dette også vore teke opp som eit viktig ønske i arbeidet med kommune- og regionreforma. Eit fleirtal i komiteen viser til at regionreforma vil få konsekvensar for samhandlinga mellom kommunane, regionen og staten. I grenseområda mellom dei nye regionane vil det også vere ulike meiningar om kvar regiongrensene skal Det same fleirtalet viser også til at det er viktig at kommunane engasjerer seg og deltek i prosessen med